i for liten grad systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og hendelser. Men det er jo dette området som Arbeiderpartiet selv har sagt er saklig begrenset, så vi forstår ikke helt at man bruker anledningen til å fremstille det generelle beredskapsarbeidet i Norge som dårligere etter 22. juli enn før. før. Det betyr jo da – siden det har gjort seg gjeldende en uklarhet om hvordan beredskapen har utviklet seg frem til i dag – at det må være et poeng å gjøre som saksordføreren kom i skade for, nemlig å gå utenfor Riksrevisjons rapport. Husk at noe av vår innvending mot Riksrevisjonens rapport, som den er fremstilt, går jo ikke på selve rapporten, men det er men det er den måten den har vært fortolket på – og jeg vil vel også si misvisende fremstilt – formodentlig av politiske hensyn, hvilket det foregående innlegg kunne tjene som et glimrende eksempel på. Når man da, som en vesentlig byggestein i denne rapporten, bruker Helsetilsynets gjennomgang – for det er jo de som har hatt gjennomgangen av Justis- og beredskapsdepartementet – må man få lov til å trekke frem at deres feltarbeid og datainnsamling foregikk i perioden som startet i januar 2013 og ble avsluttet i desember 2013. Det betyr jo ikke at de som da påpeker det som et faktum, sier at rapporten faglig sett ikke er til å stole på, men det kan vel være at de har det ubehagelige poeng at det mer viser status for beredskapsarbeidet ved årsskiftet 2013–2014. Og så er det noen som overtolker den elementære påvirkningen av rapportens faglige begrensninger til noen områder og – ikke minst – at man baserer seg på data som i all vesentlighet er innhentet av Helsetilsynet, og som altså ble avsluttet senere. Vi har gått veldig nøye gjennom de kritikkpunktene, og slik skal det jo være, for ettersom Riksrevisjonen selv ikke har fagkunnskap, må de jo benytte seg av den fagkunnskapen man finner på etatsnivå. Men siden det virker som om noen har en glede av å fremstille landets beredskapsarbeid som stående på stedet hvil, så vil jeg altså si at etter regjeringsskiftet – som var et tidsskille, som foregående taler la slik vekt på – har man gått til ansettelse av mer enn 400 nye politifolk, for inneværende år er det bevilget penger til ytterligere 350 nye stillinger. Antallet utrykningsenheter er økt med vel 400 personer og teller nå nesten 1 000 personer. Målet er 1 200 på sikt. Beredskapstroppen er styrket med både personell og utstyr. Det er blitt innført krav til politiets responstid for første gang. Alle politidistrikter har nå tilgang til minst ett pansret kjøretøy. Ny riksalarm er iverksatt. Helikopterberedskapen er bedret ved at klartiden for Forsvarets transportbistand er redusert fra to til én time. Ny nasjonal prosedyre for samvirke ved pågående livstruende vold – det som tidligere var instruksen «Skyting pågår» – er gjennomgått og fornyet og endret. Politiet er nå sikret prioritet i mobilnettet fra 2014. PST er, som også ligger inne i forslag til revidert budsjett, styrket med om lag 205 mill. kr. Felles kontraterrorsenter er opprettet i 2014 for å styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten. Situasjonssenteret i Justis- og beredskapsdepartementet er gjort døgnbemannet. Hovedredningssentralen er styrket. Sivilforsvaret har fått mer midler til utstyrsinvesteringer. Objekter er sikret etter sikkerhetsloven. 16 nye redningshelikoptre er i bestilling. Nødnettet blir sluttført i løpet av inneværende år. Nye rutiner om bistandsanmodning ved håndhevelsesbistand fra Forsvaret er etablert, og det er inngått en samarbeidsavtale mellom Politidirektoratet og Forsvaret. Kripos har fra 2014 hatt rollen som nasjonalt kontaktpunkt for melding om bombekjemikalier. Det nasjonale beredskapssystemet, som består av Sivilt beredskapssystem og Beredskapssystemer for forsvarssektoren, er revidert. Det er nedsatt et eget sårbarhetsutvalg som skal gå gjennom cyber- og IKT-sårbarheter, og regjeringen tar sikte på å legge frem en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet i løpet av 2016. Det er etablert en ny struktur for møtet mellom statsråden og sjefene for Politidirektoratet, PST, NSM og DSB for å sikre en tett oppfølging og dialog. Man har innført et nytt system for avviksmeldinger, nemlig at det er to hovedkategorier – «Brudd på krav» Og så lenge man da ikke har rapportert tilbake at dette avviket mellom nåsituasjonen, som er uønsket, og den situasjonen man vil ha – det såkalte avviksgapet – er registrert lukket, blir tilsynet stående som uavsluttet, og dermed vil det nage enhver ansvarlig for å gjøre noe med saken. Nå er det selvfølgelig også blitt en større åpenhet om tilsynsrapportene. De er også blitt søkbare. Det Det skjer en mer intens rapportering til regjeringen, og DSB har fått en større rolle i forbindelse med oppfølgingen av tilsynet med departementene. Det er vel kanskje på denne bakgrunn at direktøren for DSB ikke helt finner seg vel i den dramaturgi – og skurkerolle, får vi vel si – som enkelte hadde håpet at han skulle spille. Jeg må også si at den bruken av sitater som vi fikk et eksempel på i innledningsforedraget til saksordføreren – som nærmet seg det villedende, vil jeg tillate meg å si – så var det klart at denne irritasjonen over at man fortalte om f.eks. det jeg var igjennom nå, og fortalte om problemstillinger i Riksrevisjonens rapport, som var riktige da den ble laget, om en anstrengt dialog mellom DSB og Justisdepartementet: Det var historieskriving på det tidspunktet man behandlet dette under høringen, og så skulle det altså være nærmest ufint, utilstedelig, være uttrykk for en skjødesløs holdning å berette tilbake at denne styringsdialogen – som nettopp var fremhevet, og som det var riktig av Riksrevisjonen å fremheve, og som var korrekt da den ble fremhevet – hadde forbedret seg det siste halvannet året. Er det uvesentlig? Så hvis man ikke selv klarer å holde seg til Riksrevisjonens områdeavgrensning, tidsavgrensning, hvis man ikke ser eller interesserer seg for de faglige leveransene som Riksrevisjonen bygger på, så kan man selvfølgelig lage en politisk forestilling. Problemet med dette er at det er så at folk kan komme på den formastelige tanken at det ikke er beredskap man er ute etter, men at det er politiske motstandere man er ute etter. Og vi begynner jo å få en rekke saker hvor det ser ut til at man, gjennom nokså selektiv sitatbruk og presentasjoner, misbruker det gode arbeidet som gjøres av våre fagetater, som gjøres av Riksrevisjonen ikke fordi man er opptatt av sakene, men fordi man er opptatt av å ri sine små politiske kjepphester. Et annet eksempel på dette – som Riksrevisjonen i og for seg ikke har omtalt i det hele tatt – er organiseringen av dette sikkerhetselementet ved Statsministerens kontor. Det er jo det samme spørsmålet som Arbeiderpartiet har stilt tre ganger, og de har ikke vært fornøyd med noen av svarene de har fått hittil, mens det som i virkeligheten er tilfellet, er at i denne rapporten og også i innstillingen, så står vi jo ved det som er allmenn felleskunnskap om norsk beredskap, nemlig at det er Justisdepartementet som er den store samordneren, og at vi også holder oss til at nærhetsprinsippet og ansvarsprinsippet og flere andre prinsipper ligger fast. Og så blir det fremstilt som et problem at Statsministerens kontor er forsterket i sin interne organisering, på en måte som gjør at de står bedre rustet til å møte uforutsette hendelser, og vi er jo inne på et område hvor nettopp det uforutsette er det man skal prøve å ruste seg til og være forberedt på. Derfor er det helt naturlig at det er et flertall av av Stortingets partier som kvitterer dette ut ved å si at Riksrevisjonens rapport ikke har tatt for seg noe mer enn det som står på forsiden av rapporten, nemlig Justisdepartementets arbeid med beredskap, og at man fremhever at beredskapsstrukturen ved SMK ikke har en besluttende funksjon under en krisehåndtering, og ikke endrer den beslutningsstrukturen som er etablert, at Justis- og beredskapsdepartementet er fast lederdepartement med mindre det utpekes et annet lederdepartement. Det er slik det er. Vanskeligere er det ikke. Så man kan jo bare bruke dette som et lite eksempel på hvor vanskelig man kan gjøre selv enkle ting, når man kanskje ikke har så veldig mye å bidra med av nye forslag når det gjelder veien videre. Jeg må også si at jeg reagerer på at det blir gjort et stort nummer av det som ser ut til å bli en felles bestilling fra komiteen. Det var nemlig slik at justisministeren varslet i høringen at han kom til å fremlegge en egen stortingsmelding i løpet av 2016 som gjelder oppfølging av både Gjørv-rapporten og særlig Meld. St. 29 for 2011–2012, samt andre tunge dokumenter som har vært førende for beredskapsarbeidet i landet vårt. vårt. Så hadde vi jo en diskusjon, som kanskje vil virke fremmed på mange utenfor det politiske liv, om hvorvidt Stortinget skulle vedta dette direkte for å virke handlekraftig gjennom et forslag som kommer opp – og som vi også kommer til å stemme for i dag – eller hvorvidt det måtte holde med en flertallsmerknad. Og fordi vi da ikke støttet ordleggingen til Arbeiderpartiet, om at det var de alvorlige funnene i Riksrevisjonens rapport som skulle danne grunnlag for den stortingsmeldingen som statsråden allerede har sagt han kommer til å fremme, så var jo heller dette poenget at vi ville at det ikke skulle være begrenset til funn i Riksrevisjonens rapport, fordi problembildet kan endre seg. Og det skulle da heller ikke være begrenset til bare de alvorlige problemstillingene; det skulle også være begrenset til de mindre alvorlige problemstillinger som krever vår oppmerksomhet. Og så må man selvfølgelig være åpen for at problembildet kan endre seg fra vi behandler denne rapporten i dag, til justisministeren kommer tilbake til Stortinget med en melding. For det er jo også sånn med beredskapsarbeidet – og det kom jo veldig klart frem – at man blir aldri ferdig: Man lukker et område, man løser et problem og så dukker det opp nye ting. Så det var nettopp for ikke å snevre inn bestillingen til regjeringen at vi ikke var med på alle disse dommedagsuttrykkene til og fordi vi mente at vi hadde en mer åpen og rimeligere bestilling, så var vi ikke med på den merknaden. Men å legge hele sin tyngde i å misforstå de komitékolleger som så annerledes på den prosaen, er i seg selv verdt en liten overveielse. Da kan jeg avslutte denne gjennomgangen av saken, og jeg kan igjen gjenta vår ros til Riksrevisjonen for å ha tatt opp et veldig viktig tema, samtidig som vi gjør oppmerksom på at Riksrevisjonen i sin natur ser på kjølvannet bak båten, og at vi selvfølgelig kan lære av å studere kjølvannet, men vi må gjøre det i et samspill med fagetatene, som er noe mer fremoverorientert – selvfølgelig, det er derfor de er fagetater. Så kan vi i dette samspillet av retrospektiv kontroll og framsynthet, som må baseres på faglige innspill, få til dette sammen, og det er det jo ingen som har uttrykt seg imot selv om noen har fått sine motiver betvilt her i dag, så våger i hvert fall jeg å si at den egentlige enighet i denne salen er at vi ønsker å gjøre Norge så trygt og godt som overhodet mulig, og da kler det kanskje ikke alle aktører – også hvis vi av og til skulle ha trådt feil her – at vi forstørrer de konflikter som eventuelt måtte være mellom partiene i en konkurransesituasjon. Jeg hadde også lyst til å si det siste.

En god beredskap er en forutsetning for at innbyggerne og næringslivet i vårt land skal kjenne seg trygge for truende hendelser, og at de kan kjenne på at deres sikkerhet blir ivaretatt. En må kunne hevde at statens viktigste oppgave er å trygge borgernes sikkerhet. Av denne grunn er det viktig at en kontinuerlig holder fokus på samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, og ikke minst at en foretar regelmessige kontroller av hvordan dette arbeidet fungerer i praksis i det daglige. I så måte er Riksrevisjonens rapport en god rapport, og jeg gir honnør til Riksrevisjonen for dette arbeidet. Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å undersøke i hvilken grad Justis- og beredskapsdepartementet og DSB tar hånd om sitt ansvar for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på en effektiv måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. For å belyse dette er det sett på hvordan et utvalg av samordningsvirkemidler utnyttes, herunder tilsyn med departementene, læring etter hendelser og øvelser og styring og oppfølging av fylkesmennene på beredskapsområdet. Undersøkelsen er i hovedsak innrettet mot perioden etter 22. juli 2011, og innsamlingen av data ble avsluttet i november 2014. Riksrevisjonens undersøkelse avdekket følgende: Alvorlige svakheter i utøvelsen av samordningsansvaret svekker samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Tre av ni departementer har i liten grad fulgt opp anbefalinger fra tidligere tilsyn utført av DSB på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid er mangelfull. Det gjennomføres ingen systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og hendelser. Det er svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av DSB. DSBs virksomhetsstyring bidrar i begrenset grad til god mål- og resultatoppnåelse. Riksrevisjonens rapport gjelder i hovedsak styringen mellom forvaltningsorganer og ikke områdene som direkte er knyttet til den operative delen av beredskapen. Likevel konkluderer Riksrevisjonen med at «beredskapen i Norge er omtrent på samme nivå som etter 22. juli», at beredskapen har så store «mangler at Norges beredskap er svekket», og at «Norge er et mindre trygt land enn det burde vært». Disse sitatene er hentet fra henholdsvis NRKs, Aftenpostens og VGs oppslag etter Riksrevisjonens pressekonferanse 21. mai 2015. På grunnlag av inntrykket av alvorlighetsgraden som Riksrevisjonens rapport samt riksrevisors uttalelser ved fremleggelse av rapporten etterlater seg, konkluderte komiteen med at det var behov for høring der de sentrale aktørene innen samfunnssikkerhet og beredskap ble innkalt. Når det gjelder hva som inngår i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, vil jeg sitere hva direktør Jon A. Lea i DSB uttalte i sitt innledningsforedrag: «Beredskapen i Norge kan deles inn i fire pilarer, eller fire kategorier: for det første oppgaver Forsvaret har, og for det andre politiets arbeid med kriminalitet – disse to oppgavene dreier denne rapporten seg ikke om. Så er det liv og helse, som håndteres av nødetatene for helse, brann og politi, HRS, de frivillige organisasjonene, Sivilforsvaret og andre. Det dreier denne rapporten seg ikke om. Og så er det samfunnssikkerhetsutfordringer utover det, som f.eks. elforsyning, ekomforsyning, transport, industri, ekstremvær, flom, pandemi og strålevern. Riksrevisjonens gjennomgang har konsentrert seg om styring og kontrollregime innenfor en utvalgt del innenfor den siste kategorien.» Ut fra dette mener Fremskrittspartiet at Riksrevisjonens rapport ikke kan benyttes som en fasit på dagens situasjon, men må ses på som en rapport som peker på mulige svakheter innenfor en begrenset del av beredskapsområdet. Fremskrittspartiet har merket seg at alle som deltok i kontroll- og konstitusjonskomiteens muntlige høring, var enige om at Riksrevisjonen har levert en god gjennomgang av de deler av samordningsansvaret som rapporten omhandler. Fremskrittspartiet mener videre at dette er et godt fundament for det videre arbeid, selv om vi er uenig i Riksrevisjonens konklusjoner på noen områder, og vi mener også at det ikke er grunnlag for å trekke slike vidtgående generelle konklusjoner som er blitt gjort på basis av Riksrevisjonens undersøkelser. Fremskrittspartiet viser til at Riksrevisjonens rapport hovedsakelig bygger på Helsetilsynets gjennomførte tilsyn, som ble avsluttet i desember 2013. På uttrykkelig forespørsel fra kontroll- og konstitusjonskomiteen under høringen av direktør Jan Fredrik Andresen fra Statens helsetilsyn ble det svart at det ikke er gitt supplerende tall, fakta eller vurderinger fra Helsetilsynet til Riksrevisjonen etter at Helsetilsynets rapport ble avsluttet. Forvaltningsrapporten gir dermed i all hovedsak et uttrykk for arbeidet for bedring av beredskapstiltakene slik det fortonte seg ved Dette synes også å bli bekreftet ved at Riksrevisjonen for sin del har vist til Helsetilsynets rapport. Helsetilsynet fant at samarbeidsforholdene mellom Politiavdelingen og Rednings- og beredskapsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet var så vanskelige at dette kunne gå ut over samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, og at dette dessuten var en sak som hadde vært kjent over lang tid, og som var påpekt ved tidligere tilsyn. Da justis- og beredskapsminister Grete Faremo tiltrådte, var det med et klart mandat om å bedre beredskapen. Fremskrittspartiet viser til det tidligere statsråd Grete Faremo sa under høringen: «Jeg startet som justis- og beredskapsminister 11. november 2011 med et klart mandat om å bedre beredskapen. God beredskap betinger etter min oppfatning tydelige og gode ledere og en struktur som det er mulig å lede. Kultur for ledelse og styring måtte styrkes i Justisdepartementet og i underliggende etater. Man vedtar ikke god ledelse, man må jobbe det fram, med krav til ledere, ny fagkompetanse, moderne arbeidsprosesser og samhandling.» Fremskrittspartiet finner det kritikkverdig at statsråden ikke tok tilstrekkelig tak i de samarbeidsproblemene som fantes i Justis- og beredskapsdepartementet etter at hun tiltrådte stillingen. Dette var problemer som har vært kjent over lang tid, og som det var helt nødvendig å få løst. Som det fremkom under høringen, skapte dette problemer for de underliggende etater. Etter at nåværende justisminister, Anders Anundsen, tiltrådte, ble det tatt skikkelig fatt i denne problemstillingen kort tid etter regjeringsskiftet, ved at det ble satt i gang en organisasjonsutviklingsprosess for å bedre departementets arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, bl.a. på grunn av de utfordringene som var påpekt i tidligere tilsyn, på bakgrunn av en intern rapport fra Justis- og beredskapsdepartementet fra 2012 og etter egen erfaring. Fremskrittspartiet viser til at Justis- og beredskapsdepartementet fra 1. januar 2015 er omorganisert med en avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet og en avdeling som håndterer forebyggende sikkerhet og analyse. Dette er tiltak som bl.a. skal svare opp de merknadene som er kommet frem i Helsetilsynets rapport. Jeg finner det betryggende at akkurat dette området nå er tatt fatt i og løst av statsråd Anundsen, da det er en forutsetning for godt samvirke mellom viktige avdelinger som skal håndtere sikkerhets- og beredskapsspørsmål. Dette ble også bekreftet av politidirektør Odd Reidar Humlegård, der han uttalte innledningsvis under høringen: «Endring i departementets interne organisering av samfunnssikkerhets- og

Det gjennomføres i tillegg egne beredskapsmøter i regjeringen, og det avholdes hyppige møter i Regjeringens sikkerhetsutvalg. Jeg viser også til det statsråd Anders Anundsen sa under høringen om at «regjeringen forankrer alle disse tilsynene i regjeringen som sådan, både når tilsynsrapportene foreligger, og når oppfølgingen er ferdig, sånn at regjeringen er kjent med hva som er skjedd og ikke skjedd i oppfølgingen av tiltak. Det er en viktig styrke for Justis- og beredskapsdepartementets mulighet til å påvirke samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i andre departementer.» Dette er også viktig for å gi legitimitet til at DSB som et direktorat i et departement foretar grundige tilsyn i andre departementer, noe direktøren for DSB også påpekte under høringen. Fremskrittspartiet har også merket seg at DSB er trukket mer inn i oppfølgingsarbeidet enn tidligere,

Jeg viser også til DSB-direktør Jon A. Leas innlegg under høringen hvor han sa at «departementet i større grad bør prioritere innsatsen og oppfølgingen av fylkesmennene, og mener at det er for lite samsvar mellom faglige forventninger, stadig økende oppgaveportefølje og de økonomiske rammene som tildeles fylkesmennene». Jeg viser her til det fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Anne Karin Hamre, sa under høringen om at

I Riksrevisjonens rapport samt i rapporten fra Helsetilsynet er det vist til at styringsdialogen mellom Justis- og beredskapsdepartementet og DSB og Politidirektoratet er mangelfull. Jeg vil her vise til at DSB under høringen sa at styringsdialogen mellom Justisdepartementet og DSB til tider hadde vært anstrengt, men at den i dag er langt bedre, og at dialogen med nåværende statsråd er god. Likeledes kommenterte politidirektør Humlegård dette under høringen, og jeg siterer fra hans kommentar: «Man har forenklet målstrukturen, og man har også gjort endringer i departementet, redusert fra tre avdelinger til to, slik at vi nå forholder oss til Politiavdelingen, som vi har en utmerket dialog med.» Organiseringen hos Statsministerens kontor har vært tatt opp av komiteen, selv om Riksrevisjonens rapport ikke omhandler regjeringen. Fremskrittspartiet viser til at beredskapsstrukturen ved SMK ikke har en besluttende funksjon under en krisehåndtering og ikke endrer den beslutningsstrukturen som er etablert. Justis- og beredskapsdepartementet er fast lederdepartement, med mindre det utpekes et annet lederdepartement. Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet skal støtte lederdepartementet og Kriserådet i sitt arbeid. Krisestøtteenheten bemanner også det sivile situasjonssenteret, som samarbeider tett med Utenriksdepartementets operative senter og situasjonssenteret i Forsvarsdepartementet/Forsvarsstaben. Etter at den nye regjeringen tiltrådte, er det gjennomført en rekke tiltak som skal bedre samfunnssikkerheten og beredskapen i vårt land, og sammen med de tiltak som ble gjennomført av den tidligere regjeringen, er det registrert over 1 000 forskjellige tiltak. Det vil ikke være tid nok til å nevne alt dette her, men jeg viser bare til de utvalgte tiltak som ble nevnt tidligere av representanten Tetzschner. Som jeg sa innledningsvis, har Riksrevisjonen gitt det inntrykk at beredskapen ikke er noe bedre i dag enn den var etter 22. juli 2011. Vi må da spørre oss selv: Stemmer det? På bakgrunn av høringen vil jeg påstå at det ikke er grunnlag for som Riksrevisjonen har trukket. Riksrevisjonen har gitt mange gode innspill til Stortinget om ting som en bør arbeide videre med, og jeg har stor tillit til at justisministeren vil ta tak i dette fremover. Hovedinntrykket i dag må likevel kunne sies å være at beredskapen i dag er bedre enn den var 22. juli 2011. Dette er også bekreftet ved uttalelser av direktør Lea ved DSB samt politidirektør Humlegård, og ikke minst justisminister Anders Anundsen, som bekreftet uttalelsene fra Lea og Humlegård på dette punktet. Vi er så absolutt på rett vei i dette viktige arbeidet. Men en del gjenstår, og vi vil nok aldri bli helt ferdige heller, fordi skiftende tider krever stadige omlegginger av strategier og beredskapsrutiner etter de til enhver tid rådende situasjoner. Dette er en så viktig sak at samfunnssikkerhet og beredskap burde blitt drøftet i sin fulle bredde av Stortinget, både sett i lys av de funn som er avdekket ved Helsetilsynets og Riksrevisjonens undersøkelser, og på bakgrunn av de oppdateringer vi nå har fått gjennom komiteens høring i saken. Fremskrittspartiet viser her til at statsråd Anders Anundsen under høringen varslet at regjeringen tar sikte på å legge frem en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet i løpet av 2016. Fremskrittspartiet imøteser dette, slik at Stortinget nettopp kan drøfte beredskaps- og sikkerhetsarbeidet i en helhetlig sammenheng. Basert på behandlingen av denne saken mener Fremskrittspartiet at det er nødvendig at meldingen avklarer

I kommisjonens konklusjoner trekkes det fram fem forutsetninger som sentrale årsaker til at det sviktet denne skjebnesvangre dagen. Blant annet nevnes at evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelse var for liten, evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull, ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater har vært utilstrekkelig. Riksrevisjonens undersøkelse med utgangspunkt i spørsmålene om hva vi har lært, og hva som er forbedret av den generelle beredskapen og samfunnssikkerheten etter 22. juli 2011, blir derfor oppfølging av helt sentrale spørsmål rundt evalueringen av 22. juli. Dette er to spørsmål som handler om selve grunnlaget for folks opplevelse av trygghet, og hva slags forventninger den enkelte kan ha til storsamfunnet når terrorangrep eller andre tilsvarende katastrofer inntreffer. Undersøkelsen har fokusert på i hvilken grad Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tar hånd om sitt ansvar for arbeidet på dette området på en effektiv måte og ikke minst i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Man valgte spesielt å fokusere på et utvalg av samordningsvirkemidler, herunder tilsyn med departementene, læring etter hendelser og øvelser og styringen av fylkesmennene på beredskapsområdet for perioden 22. juli 2011 til november 2014. I tillegg inngår også Helsetilsynets rapport, som ble levert i april 2014, som er en sentral del av grunnlaget for rapporten fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonens rapport viser at alvorlige svakheter ved Justisdepartementets samordning og styring svekker arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt. Tre departementer, inkludert Justisdepartementet, har i liten grad fulgt opp anbefalingene etter tilsyn, det er begrenset læring av øvelser og hendelser og svak styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid. Dette er etter Kristelig Folkepartis oppfatning en alvorlig dom over sentrale sider ved beredskaps- og samfunnssikkerheten i vårt samfunn. På viktige områder som ble oppfattet som sentrale årsaker til svikten 22. juli, har det ikke skjedd målbare forbedringer. Dette er alvorlig. Tolkningen av undersøkelsens konklusjoner har avdekket ulike syn på de hovedfunn Riksrevisjonen har presentert. Skal dette oppfattes som en beskrivelse av at den samlede beredskap og samfunnssikkerhet er blitt svekket i perioden, eller er det en beskrivelse av en del av beredskapen? Det er riktignok en sentral del, men likevel ikke en beskrivelse som gir grunnlag for å trekke konklusjoner som skal angå helheten. Rapportens mottagelse av de ulike involverte parter har tydelig vært preget av ulike syn på hvordan rapporten skal leses og forstås. Det er spesielt når en sentral aktør i det samlede beredskapsarbeidet, DSB, ved direktør Lea, mener at «Riksrevisjonens konklusjon skaper et feilaktig inntrykk av status for den norske beredskapen. Jeg kan ikke se hvordan Riksrevisjonen har kommet fram til sin konklusjon på basis av denne rapporten.» Så skal det føyes til at samme person også ga uttrykk for at «Riksrevisjonen har levert en god gjennomgang av viktige deler av samordningsansvaret til Justis- og beredskapsdepartementet. På mange områder er det mye å lære.» Likevel danner det seg et inntrykk av at et viktig og sentralt direktorat med et stort ansvar for den daglige beredskapen i Norge har valgt å distansere seg fra Riksrevisjonens kritikk og dens konklusjoner. Det er spesielt at direktøren for DSB framfører en så sterk kritikk av Riksrevisjonens arbeid. Her burde etter vårt syn DSB inntatt en mer ydmyk og lærende holdning enn det en opplevde under høringen. Heller ikke statsråden delte DSBs vurderinger slik det kom fram under høringen, selv om hans uttalelser i svaret til Riksrevisjonen kan oppfattes på en litt annen måte. Hovedinntrykket fra høringen er at statsråden deler Riksrevisjonens konklusjoner om at det i perioden Riksrevisjonen

Det framstår som underlig at virkelighetsoppfatningen av hvordan samordningen fungerer, sånn som det framgår av Riksrevisjonens rapport, blir så ulik mellom departement og direktorat, og det er kritikkverdig at dette ikke ble løst på et tidligere tidspunkt. Etter Kristelig Folkepartis vurdering av rapporten og høringen er det gode grunner for å kunne si at dialogen mellom departementet og DSB, som tidligere ble opplevd anstrengt helt fram til for ca. ett år siden fra DSBs side, nå blir oppfattet som god av begge parter. Det er heller ikke grunnlag for å hevde at det i dag synes å være ulike oppfatninger av kommunikasjonen mellom DSB og departementet. Noen av Gjørv-kommisjonens viktigste funn var at det som gikk galt 22. juli 2011, i stor grad handlet om mangel på samordning i tillegg til manglende evne til å lære av hendelser og øvelser. Samordning vet vi er utfordrende på en rekke samfunnsområder. Det å jobbe på tvers av etater og sektorer som i utgangspunktet har tette skott mellom virksomhetene, krever øvelse og bevisste holdninger til når og hvordan en skal samarbeide. Samtidig vet vi at god samordning er helt avgjørende når kriser oppstår. Etter Kristelig Folkepartis oppfatning blir derfor kritikken mot beredskapsarbeidet alvorlig når det konkluderes fra Riksrevisjonen at departementet ikke har sørget for at sektoren som helhet har et målrettet og effektivt beredskapsarbeid, ikke tilstrekkelig oversikt over status og tilstand for samfunnssikkerhetsarbeidet i sivil sektor og manglende oversikt over øvelsesvirksomhet basert på rapportering fra departementene. Justisdepartementet ble spesielt hardt rammet 22. juli 2011. Det må derfor vises forståelse for at en under slike omstendigheter hadde begrenset kapasitet den første tiden. Det ble erkjent, både i rapporten fra Statens helsetilsyn, fra Riksrevisjonen og i høringen, at det var klare utfordringer i Justisdepartementet og i samordningen av underliggende etater. Spesielt er det grunn til å framheve kompetansestridene mellom de to avdelingene, Rednings- og beredskapsavdelingen og Politiavdelingen. Politiavdelingen. Det er grunn til å tro at denne konflikten påvirket negativt mulighetene for å få til en funksjonell og god samordning av beredskapsarbeidet i Justisdepartementet og de underliggende etater. Likevel, å ha gående en sånn lammende konflikt over tid er uakseptabelt, og det ligger et klart politisk ansvar hos den til enhver tid sittende statsråd for å løse den type konflikt. Konflikten ble erkjent av alle statsrådene under høringen og beskrevet som utfordrende og en krevende situasjon som det ble jobbet med av alle for å søke å finne en løsning på. Vi må samtidig kunne slå fast at til tross for den erkjennelsen, så vedvarte problemene på dette området også etter regjeringsskiftet høsten 2013. Derfor er det kritikkverdig, sånn vi ser det, at tidligere statsråd som satt med ansvaret for det politiske i denne perioden, ikke gjennomførte nødvendige tiltak for å rydde opp i denne konflikten. Det må sies at tidligere statsråd Faremo under høringen ikke bidro på en særlig konstruktiv måte til å opplyse saken. Det var liten vilje til selverkjennelse, liten vilje til å peke på hva som kunne ha vært gjort annerledes, og det er i seg selv svært betenkelig.– For komiteen, for Stortinget og for alle som skal bidra til å skape trygghet i samfunnet, er det helt vesentlig at vi tar lærdom. Da må vi ha erfaringer på bordet, prestisje må legges til side, og det må erkjennes hva som er svakheter i systemet. Da først kan vi lære, da kan vi gjøre forbedringer. Det er uheldig og kritikkverdig sett fra vårt ståsted at statsråd Faremo ikke på en tilstrekkelig og konstruktiv måte bidro til å opplyse saken. Vi er ikke ute etter syndebukker, men vi er ute etter forbedringspunkter, læringspunkter, sånn at sikkerheten for våre innbyggere blir så god som mulig. Det var derfor nødvendig at nåværende statsråd Anundsen grep tak i denne ødeleggende konflikten for å få til en løsning. Gjennom innhenting av ekstern kompetanse nye organisatoriske grep kan ting tyde på at man nå er i ferd med å løse konflikten og bidra til at en viktig årsak til mangelfull koordinering og samordning ikke lenger er eksisterende på samme måte som tidligere. Det arbeidet skal statsråd Anundsen ha honnør for. Det er utover dette igangsatt flere nye tiltak for å styrke beredskapsarbeidet, og mange av disse ble igangsatt av statsrådene i den og videreført og videreutviklet av statsråd Anundsen. Det er grunn til å merke seg at det etter 22. juli 2011 har pågått et kontinuerlig arbeid med å bedre beredskapen på mange områder. Høringen har vist at en er godt i gang på flere av disse områdene, men at det fortsatt eksisterer svakheter på flere av de områdene som Riksrevisjonen har påpekt. Et av de områdene som framsto som krevende, er mangelfull utvikling av mål- og resultatstyringssystemet. Styringsparameterne er i liten grad utformet som resultatkrav. I stedet er styringen basert på krav om å gjennomføre bestemte aktiviteter. I stedet for å fortelle hvilke kvalitative resultater en skal oppnå, ble det tidligere uttrykt en forventning fra Justisdepartementet til DSB om hvilke aktiviteter som skal gjennomføres,

bærer preg av å være visjonære eller teoretiske og mangler en utforming som kan gjøre dem tilstrekkelig konkrete og målbare, med et kvalitativt innhold og ikke bare gjennom en kvantifisering av aktiviteter. Det er ikke vanskelig å se denne problemstillingen i lys av den tidligere omtalte konflikten mellom de sentrale avdelingene med ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet i Justisdepartementet. Når departementet ikke har en omforent og enhetlig strategi, vil målene og styringssignalene framstå som diffuse. Å kartlegge måloppnåelsen på beredskapsfeltet skjønner vi er krevende. Samtidig er det nok også sånn at der det ikke er avklarte mål, vil det være vanskelig å få to avdelinger til å jobbe i samme retning. En tydelig operasjonalisert målstruktur

hvor alle avdelingene ble involvert. Statsråden sa, sånn jeg oppfattet det – kanskje vi kan få det bekreftet av statsråden selv senere i dag – under høringen at man fra inneværende år har fått på plass en helt ny og annerledes felles målstruktur. På dette området må det være et målsystem som er tydelig og konkret, men som samtidig er dynamisk, for å tilpasse seg den virkeligheten vi vet hele tiden er i endring på beredskapsområdet. Riksrevisjonens rapport understreker fylkesmannens viktige rolle som pådriver og koordinerende instans for samfunns- og sikkerhetsarbeidet på regionalt og lokalt nivå. Riksrevisjonens undersøkelse viser samtidig et misforhold mellom de faglige forventningene og styringssignalene som DSB gir, sammenholdt med de ressursmessige rammene som Justisdepartementet stiller til disposisjon. Fra 2003 til 2013 er antall årsverk redusert med 30 pst., fra 4,5 årsverk til 3,2 årsverk ved hvert embete. Når det samtidig understrekes at embetsoppdraget til fylkesmennene inneholder få målbare resultatkrav, gis det begrensede muligheter til å vurdere i hvilken grad fylkesmennene bidrar til å nå målene på beredskapsområdet. Manglende samordning på regionalt nivå gir en risiko for redusert gjennomføringsevne nasjonalt dersom de alvorlige hendelsene inntreffer. Det er derfor positivt at justisministeren under høringen opplyste at det er satt i gang tiltak som vil styrke dette arbeidet, i regi av fylkesmannen. Det er ingen tvil om at denne viktige delen av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet også bør få tilført flere ressurser i tiden framover, ikke bare nye oppgaver. Politireformen, med inndeling i nye regioner som ikke følger fylkesmannsgrensene, vil ytterligere skape utfordringer framover knyttet til koordinering og samordning av fylkesmannens beredskapsoppgaver, som antagelig vil ytterligere kreve nye ressurser. En vesentlig del av forbedringsarbeidet rundt beredskaps- og sikkerhetsarbeidet er gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Mens praksis tidligere har vært at tilsynet overfor det enkelte departement har vært en sak for fagdepartementet i samarbeid med Justisdepartementet, blir dette nå lagt fram for regjeringen til diskusjon. Ingen avvik lukkes før brudd på krav er rettet opp. Dette er bra. Det er også positivt at tilsynene nå vil være offentlige. Det skaper innsyn i hva som er gjort, og hva som fortsatt venter på tiltak. Riksrevisjonen retter kritikk mot manglende oppfølging og evaluering av øvelser og hendelser. Det er positivt at en nå legger opp til et annet rammeverk for evalueringen av denne type virksomhet, og det er grunn til å imøtese resultatet av dette arbeidet og hva det kan bety for styrkingen av beredskapen. Fra Kristelig Folkepartis side

men dog likevel innenfor en avgrenset del av beredskapsområdet. Det har pågått et kontinuerlig arbeid med å forbedre beredskapen på flere områder siden 22. juli 2011. Høringen har vist at en er godt i gang på en del områder, men at det fortsatt gjenstår svakheter på sentrale områder. Oppsummert synes det som om man har tatt nye grep rundt beredskapsarbeidet etter regjeringsskiftet høsten 2013 på flere områder, bl.a. en bedre dialog mellom departement og DSB, organisatoriske grep som har bidratt til å løse opp konflikten i Justisdepartementet, åpnere og tettere oppfølging av tilsynene og en tydeligere og mer konkret målstruktur for hele beredskapsarbeidet.

Den mest alvorlige i min tid, sa Foss. Han sa videre: «Etter at Gjørv-kommisjonen la fram sine forslag til forbedringer høsten 2011, ser vi ingen vesentlig forbedringsevne i departementet.» Dette er alvorlige utsagn. Det er komiteens rett, og det er komiteens plikt å ta dette alvorlig. Derfor har Kristelig Folkeparti tatt på alvor og gått grundig inn i rapporten. Vi har vurdert høringen og de funnene som er gjort, nøye. Jeg må si at jeg har reagert sterkt på det bildet som saksordføreren forsøker å tegne, og jeg må dvele litt ved dette, for i Kristelig Folkeparti reagerer vi meget sterkt på måten denne saken har blitt håndtert på fra saksordførerens side, og jeg vil gjerne utdype dette. Saksordføreren uttaler til pressen 17. juni, altså i går, at regjeringspartiene og til dels Kristelig Folkeparti ikke tar Riksrevisjonens rapport på alvor. Dette er direkte feil. Det er feilinformasjon og en avledningsmanøver, sånn jeg oppfatter det. Det er nettopp det vi gjør, vi tar rapporten på alvor, det dypeste alvor. Det er derfor vi retter en saklig og etter vår mening en berettiget systemkritikk på sentrale områder som tas opp i rapporten, innenfor den perioden rapporten omhandler. omhandler. Rapporten omhandler en periode som to tredjedeler av tiden var styrt av de rød-grønne. Da er det helt naturlig at kritikken til en viss grad rettes dit. Vi har forholdt oss strengt til fakta og sett på hva rapporten omhandler, hva som kom fram under høringen og ikke minst hvilken periode rapporten omhandler, og når datainnsamlingen startet og avsluttet. Så hører det med til historien, som jeg har sagt tidligere i mitt innlegg, at statsråd Faremo under høringen bidro på en lite konstruktiv måte til å opplyse saken. Det medvirker fra vår side til å forsterke vår kritikk. Komitéleder Kolberg uttalte under høringen: ingen som kan hevde, at riksrevisor Per-Kristian Foss er hvem som helst i en sånn sammenheng som dette». Og videre: «Det er all mulig grunn for komiteen og Stortinget til å feste om ikke hundre prosent lit til, så iallfall stor oppmerksomhet til det han sier.» Da er det uforståelig at samme Kolberg angriper Kristelig Folkeparti for å rette en kritikk som adresserer nettopp det Riksrevisjonen har studert, og som omhandler den avgrensede tidsperioden som Riksrevisjonen har forholdt seg til. Det at de rød-grønne – og Faremo i særdeleshet – må bære et konstitusjonelt ansvar for de funn som er avdekket. Det ble ikke gjort nok for å rydde opp i kritikkverdige forhold. Arbeidet knyttet til sikkerhet og beredskap etter 22. juli er på flere felt ikke fulgt godt nok opp. Da er det komiteens rett og plikt å påpeke dette. Det virker som om saksordføreren i denne saken arbeider ut fra en tenkning om at angrep er beste forsvar. Det tjener ikke saken. Dette temaet er altfor viktig til det. Den er altfor viktig og alvorlig til at vi kan tillegge hverandre intensjoner, ja, gale intensjoner, i et forsøk på å vri seg unna ansvar. Sånn skal det ikke være. Derfor må jeg si at i denne saken er jeg skuffet over saksordførerens håndtering av denne saken i media. Det tjener ikke saken, og etter min mening svekker det komiteens troverdighet. Jeg håper at vi nå framover kan forholde oss til fakta. Fra Kristelig Folkepartis side dreier dette seg ikke først og fremst om en jakt på syndebukker. Det har aldri vært vår hovedsak. Hvis vi ser historisk på det, sitter vi alle mer eller mindre i samme båt, og har til ulike tider bidratt på ulikt vis til der vi er i dag. Det ansvaret må vi ta på oss alle sammen. Riksrevisjonen har fortalt oss at det er viktige sider ved beredskapsarbeidet som krever oppfølging og forbedringer. Det er det som blir vår felles sentrale oppgave framover å få på plass. Arbeidet med å styrke samfunnssikkerhet og beredskap handler om noe så sentralt og grunnleggende som folks opplevelse av trygghet. Det vil og det må også være et arbeid som foregår kontinuerlig. For å sitere statsråd Anundsen under høringen: «Det er et arbeid som hele tiden vil pågå. Formålet med både tilsynsrunder og revisjonsrapporter er jo å finne forbedringspunkter, og det er jo å finne måter som vi skal løse disse tingene på på en bedre måte.» Kristelig Folkeparti står derfor sammen med de andre partiene bak det felles forslaget om å be regjeringen legge fram en stortingsmelding om samfunnssikkerhet og beredskap innen utgangen av 2016. Riksrevisjonens rapport omhandler en begrenset del av beredskapssituasjonen i Norge. Rapporten er

og følgende sentrale områder omtales sånn i rapporten: Alvorlige svakheter i utøvelsen av samordningsansvaret svekker samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Det er svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av DSB. DSBs virksomhetsstyring bidrar i begrenset grad til god mål- og resultatoppnåelse. Det er grunnlaget som komiteen har behandlet dette ut fra. Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å kartlegge i hvilken grad Justis- og beredskapsdepartementet og DSB tar hånd om sitt ansvar for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonens konklusjon er i henhold til vanlig revisjonspraksis basert på en gjennomgang av styringsdokumenter og annet skriftlig materiale samt enkelte intervjuer. Konklusjonene bygger på dette arbeidet og ikke hvordan beredskapen faktisk ville fungert ved en reell hendelse. Det siste vil jeg understreke så sterkt jeg kan. Derfor kan Riksrevisjonens rapport ikke benyttes som en fasit på den reelle situasjonen, men må ses på som en rapport som peker på mulige svakheter innenfor en begrenset del av beredskapsområdet. Innstillinga bærer preg av at komiteen har hatt dårlig tid, men dog – jeg vil si det veldig sterkt – er det gjort en god jobb innenfor den tid som vi har hatt til disposisjon når det gjelder hva som er viktig å drøfte i en ny stortingsmelding. stortingsmelding. På tross av de sterke ord som jeg har merket meg nå har kommet fra talere foran meg her på talerstolen i dag, er det enighet og et godt grunnlag for statsråden for de hovedpunkter som bør inngå i en ny stortingsmelding. Det arbeidet som her er gjort, er etter min vurdering sånn at det vil lette statsrådens arbeid å kunne forene kreftene for å få en bedre reell beredskap framover. Senterpartiet har vektlagt hva som er viktigst å ta lærdom av og forbedre framover. Derfor har vi ikke sett det som viktig å fordele skyld og ansvar mellom tidligere og nåværende statsråder. statsråder. Våre merknader synliggjør hva som fortsatt, nær fire år etter terrorangrepet, ikke er forbedret, nemlig ledelseskulturen. Det er grunnleggende viktig for alle beredskapsorganisasjoner. Nytt navn på Justisdepartementet løser ikke denne utfordringa. Sjølsagt er alle enige om det. Det er noe langt Det er noe langt djupere, det er et langsiktig arbeid å praktisere ny ledelse, som vi her har beskrevet som «operasjonsbasert ledelse». Det må læres over tid gjennom praksis og trening og med ledere som skjønner hva som er innholdet i det. Da rapporten kom, viste det seg at samfunnssikkerhet og beredskap er grunnleggende og involverer de fleste samfunnssektorer. Det dreier seg også i betydelig grad om tillit mellom befolkning og myndigheter. Vi i Senterpartiet har merket oss at alle som deltok i kontroll- og konstitusjonskomiteens muntlige høring, er enige om at Riksrevisjonen har levert en god gjennomgang av viktige deler av samordningsansvaret til Justis- og beredskapsdepartementet. beredskapsdepartementet. Vi mener det er et godt fundament for det videre arbeidet, sjøl om enkelte er uenig i Riksrevisjonens konklusjoner på noen områder. Riksrevisor Per-Kristian Foss er sjølsagt sentral i å presentere Riksrevisjonens arbeid. Gjennom oppslag i media samme dag som rapporten ble lagt fram, og i de neste dagene, ble det skapt et bilde av at funnene i rapporten var ekstraordinære, noe følgende uttalelse fra riksrevisor Per-Kristian Foss i Aftenposten 21. mai både medvirket til og ga grunnlag for: «Rapporten om Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er noe av den mest alvorlige kritikken Riksrevisjonen noen gang har levert mot et departement.» – Noen gang har levert mot et departement! Det var atmosfæren som ble skapt da komiteen valgte – utenfor vanlig skikk – å behandle det Senterpartiet tok dette på alvor og var med på en hastebehandling, sjøl om vi mente at komiteen burde behandlet det mer grundig til høsten, etter at vi hadde fått et bedre overblikk over det akutte behovet etter den muntlige høringa. En måtte jo med basis i en slik konklusjon og slike uttalelser ha en høring for å få oversikt over det, slik at tilstanden ikke ville vedvare uten at en eventuelt satte inn strakstiltak.

en alvorlig og uoversiktlig hendelse med mange impliserte. Artikkelen synliggjør innvendinger mot at sentralisering og større strukturer innenfor beredskapsfeltet, som må sies å finne sted i Norge, er den beste måten å organisere beredskapen og sikre en best mulig samfunnssikkerhet på. Temaet i artikkelen er samfunnssikkerhet og beredskap og storbrannen på Lærdalsøyri i Lærdal

tese om at selv den best uttenkte slagplan bryter sammen ved første kontakt med fienden. Det som da trengs, er dyktige, selvstendige og handlekraftige underoffiserer som kan improvisere.» Og videre: «Det pågående reformarbeidet innenfor samfunnssikkerhet spesielt, og offentlig organisering spesielt, er merkelig upåvirket av slike erfaringer. På område etter område – det være seg politi, brannvern eller kommunestruktur – går det i retning av sentralisering og spesialisering, mens verdien av lokalt nærvær og legmannsinnsats blir tonet ned.» Det er gledelig at Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet uttrykker full enighet med Derfor sier også alle unntatt Miljøpartiet De Grønne at «viktige lærdommer av det som DSB omtaler som store hendelser de siste årene har vist at lokal beredskap som evner å ta i bruk tilgjengelige ressurser, forutsetter dyktige, selvstendige og handlekraftige tjenestefolk som evner å improvisere under uoversiktlige og krevende arbeidsforhold». Kommentatoren Tom Hetland i Stavanger Aftenblad siteres seinere i samme artikkel om utvikling av stadig flere formelle krav og pålegg fra DSB som skal danne grunnlag for tilsyn og rapportering fra direktorat til departement og politikere: «Nye rapporteringsregimer som dem Riksrevisjonen nå etterlyser, er mest en måte for politikere og administrative ledere å vise handlekraft på. Resultatet kan bli det motsatte, med dårligere beredskap fordi altfor mye energi går til å følge reglene.» Revisjonsfirmaet PwC gjennomførte en uavhengig evaluering av storbrannene på forespørsel fra statsråd Anders Anundsen. Der heter det at «mannskapene hadde lagt ned en innsats langt utover det noen kan forvente, og at det ikke er mulig å si at brannene hadde fått et bedre utfall med en annen organisering». Imidlertid, DSB ved sin avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen

En må ikke lage idealkrav som kan ta motivasjonen til folk som virkelig har vært helter.» Jeg tar med dette, for dette er den praktiske gjennomføringa av beredskapsarbeidet, hvor DSB har en svært sentral rolle. Disse sitatene fra artikkelen i Dagens Næringsliv 6. juni viser noe av DSBs problem med sin ledelseskultur. DSBs opptreden i Lærdal, i Flatanger og på Frøya vinteren 2014 har sjølsagt provosert de lokale helter, som gjorde en fantastisk jobb. Dette må endres. Når det gjelder det konstitusjonelle ansvaret, har komiteen et spesielt ansvar for å ha et våkent blikk på det, og Senterpartiet er enig i at Justis- og beredskapsdepartementet skal ha et samordningsansvar, slik statsråden redegjorde for under høringa. Imidlertid viser høringa et behov for tydeligere, enhetlig begrepsbruk som bedre synliggjør hvor ansvaret til enhver tid ligger for de ulike oppgaver med å utøve og samordne beredskapsfunksjonene. I alt beredskapsarbeid, som i annet viktig arbeid, er felles virkelighetsforståelse helt grunnleggende. Enhver demokratisk strategi må bygge på en felles virkelighetsforståelse. virkelighetsforståelse. Senterpartiet mener at behandlinga av saken viser at det er forskjellig virkelighetsforståelse på området beredskap og samfunnssikkerhet. Begrepsbruk, ansvarsområder og mål er ulike i forskjellige organer. Dette hemmer sjølsagt samhandlinga. Høringa har vist at status hva gjelder begrepsbruk, ansvarsområder, mål og samhandling, ikke er tilstrekkelig. Senterpartiet er av den oppfatning at departementet bør prioritere dette arbeidet for å klargjøre sentrale begreper og mål. Vi vil også peke på at komiteens behandling av saken viser at det har utviklet seg en kultur i beredskapsenhetene hvor hensikten med tilsyn er – og det vil jeg understreke – at papirene er i orden.

Dette er noe som har utviklet seg nærmest som en farsott i hele det norske samfunn, og som gjør at de dyktige fagfolk som blir satt til å gjøre en jobb, er mer opptatt av at papirene skal være i orden enn av at det skal fungere i praksis. Det er en viktig del av det som vi behandler i dag. Statsminister Stoltenberg redegjorde for Stortinget 28. august om saken, og det var svært viktig etter den forferdelige terrorhandlinga. Jeg må gjenta det som statsministeren sa den gangen, for det er så poengtert og så grunnleggende viktig at her må en bruke Willochs ord: Gjentakelse, gjentakelse, gjentakelse. Sitatet er følgende: «Det minst krevende er å bevilge mer penger, vedta planer. Beslutte omorganiseringer. Den viktigste jobben er større. Den handler om ledelse. Styrking av holdninger. Endring av kulturer knyttet til beredskap. Å forstå farer i et trygt samfunn. Ansvaret for at dette skjer, ligger hos lederne på alle nivåer. Hos statsminister og statsråder, administrativ ledelse i departementene, i den enkelte etat og virksomhet, på hver avdeling og hvert lokale kontor.» Statsministeren kunne også sagt: hos hver enkelt stortingsrepresentant. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre mener at Riksrevisjonens rapport viser at dette arbeidet ikke har blitt ført med tilstrekkelig kraft. Dette understrekes ved at det under høringa framkom at kommunikasjonen mellom departementet og DSB først det siste halve året hadde bedret seg, til tross for flertallsmerknaden fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i kapittel 3.8.1 Kultur- og ledelsesutfordringer i Innst. 210 S for 2012–2013 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er der begrepet «oppdragsbasert ledelse» kom inn. Der står det at oppdragsbasert ledelse er nødvendig «for å sikre initiativ, kreativitet, eierforhold til arbeidsoppgavene, ansvarsfølelse og dermed en kollektiv forpliktelse».

intensjon. Her må det hele tida være et samspill mellom fagfolk på bakken og det som er den overordnede ledelsen – å utvikle en kultur og lære av hva som fungerer i praksis. Det er gledelig at Arbeiderpartiet og Senterpartiet konstaterer i fellesskap at «når Riksrevisjonen påpeker manglende samordning, dårlig kommunikasjon og svak virksomhetsstyring, viser dette at Justis- og beredskapsdepartementet i større grad må følge opp Stortingets tidligere vedtak». I Senterpartiet har vi også den holdning at det har utviklet seg over tid et system i offentlig forvaltning om målstyring. Dette i kombinasjon med ulik begrepsbruk og målstyring. Dette i kombinasjon med ulik begrepsbruk og forskjellig virkelighetsforståelse er noe som hemmer beredskapen. Måten målstyringa gjennomføres på, kombinert med ulik begrepsbruk og forskjellig virkelighetsforståelse, er et stort problem. Som flere har vært inne på, har det vært utfordringer internt i Justis- og beredskapsdepartementet. Det er nå rettet opp, så langt vi har fått informasjon om. Det er betryggende. Det er leit at det skulle pågå så lenge. Vår vurdering fra Senterpartiet er at noe av årsaken til det nettopp er ulikt innhold i begreper og ulik virkelighetsforståelse. Det er sentralt å få klargjort, for dermed å ta vekk slike interne konflikter som er påpekt. Jeg har sjelden opplevd så sterke utsagn

Høyre og Fremskrittspartiet er med på det, er etter min vurdering sterkt, for det er hele diskusjonen som vi går inn på her i dag. Imidlertid: Hvis en velger å sette det til side, er det dog enighet om hva som er sentrale punkter som må inngå i den kommende stortingsmeldinga. Det står der at en må se på dette som en helhet; en må drøfte beredskaps- og sikkerhetsarbeidet i en helhet. Det er mange ting som inngår. Også matvaresikkerheten inngår, og det var ganske betenkelig at DSB-sjefen ikke kunne klargjøre hva som var virkelighetsforståelsen på det området – om matvaresikkerheten gikk opp eller ned. Det gjør at jeg blir utrygg på den ledelsen. Det er en del av det som statsråden må ta stilling til, for nye kriser har et helt annet forløp enn tidligere innøvde og trenede kriser. Videre er det viktig å avklare begrepsbruk og den felles virkelighetsforståelsen virkelighetsforståelsen og å drøfte ledelse, kultur og holdninger, hvor operasjonsbasert ledelse nå endelig er kommet i fokus. Det blir veldig spennende å se i hvilken grad og på hvilken måte statsråden vil følge opp det når vi vet at f.eks. innenfor Forsvaret er operasjonsbasert ledelse forsvarssjefens grunnsyn på ledelse. Til slutt

Dette er altså saksfelt som statsråden bør gå nøye inn i. God ledelse vil jeg si er tidløst. Det er flere som har vært inne på at her vil det skje ting som gjør at en må endre det. Ja, det vil det, men god ledelse er tidløst, samtidig som en må få til den systematiske læringa over flere år. Ved det som her er skissert, er det mulig å engasjere fagfolk, myndiggjøre fagfolk, gi mulighet for å fjerne mye unødvendige papirplaner. Det er mulig etter min vurdering å få beredskapsarbeidet rimeligere, og det er mulig å ansvarliggjøre den enkelte i tråd med ledelsens mål, og dermed blir det et samspill som gir grunnlag for en helt annen og god beredskap i praksis.

kommer til, så det er mulig jeg kan takke saksordføreren i neste runde, når han eventuelt har klargjort de punktene jeg har. Da kan det kanskje være grunnlag for å takke saksordføreren for arbeidet i denne

åpenbart. Vi politikere sviktet; staten Norge sviktet. Spørsmålet mange har stilt seg, er om vi har lært, og om beredskapen faktisk har blitt bedre. Svaret på det er dessverre ikke et rungende og utvetydig ja. Vi burde ha klart å si ja, men det kan vi ikke gjøre med full overbevisning. Riksrevisjonens undersøkelse og Helsetilsynets rapport tilsier at det åpenbart fortsatt var store og alvorlige mangler i perioden etter 22. juli 2011 fram til november 2014, som er den perioden Riksrevisjonens undersøkelse dekker. Det er rimelig sjokkerende. Én ting er at vi ikke var forberedt 22. juli 2011. Noe helt annet er det om vi ikke er forberedt 22. juli 2015. Fire år – svært mye skulle vært gjort på fire år, svært mye kunne vært gjort på fire år, og svært mye står fremdeles ugjort. Jeg synes også det er sterkt urovekkende at lovnadene om at alt som skulle gjøres – som kunne gjøres – for å sikre en helt annen og bedre beredskap, åpenbart ikke er holdt. Det er alvorlig, og det er trist. Vi husker alle talene som ble holdt, lovnadene som ble gitt, det samlede politiske Norge som ville ha bedring, og Stoltenberg-regjeringens forpliktende ord om å følge opp Stoltenbergs egne taler. Det gjorde de ikke. Dessverre gjorde de ikke et godt nok arbeid, heller ikke etter 22. juli. Og det må sies, selv om det helt sikkert er vanskelig for arbeiderpartirepresentantene og saksordføreren og komitélederen fra Arbeiderpartiet å høre det. Det må sies, for det er det Helsetilsynets rapport i klartekst sier, og det er også det som er nedfelt i store deler av Riksrevisjonens rapport.

i utøvelsen av samordningsansvaret for beredskap og samfunnssikkerhet. Flere departementer, inkludert Justis- og beredskapsdepartementet, har i liten eller ingen grad fulgt opp påpekninger og anbefalinger fra tidligere tilsyn. Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid er ikke tilfredsstillende. Det er, eller har vært, store svakheter når det gjelder Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av DSB, og DSBs virksomhetsstyring bidrar i liten grad til god mål- og resultatoppnåelse. Jeg må si her, hvis noen husker asylbarndebatten, at det var ikke slik at Kristelig Folkeparti og Venstre sto her og roste justisministeren. Jeg føler at vi har i alle fall litt uavhengighet når vi både kan kritisere sittende justisminister når det viser seg nødvendig, og når vi kan kritisere den avgåtte regjeringen og dens arbeid. Jeg føler at vi ikke har den tilknytningen partipolitisk til verken den ene eller den andre regjeringen i den grad at vi er nødt til å stå og forsvare dem, slik jeg føler at saksordføreren har gjort under denne prosessen. Det jeg finner mest oppsiktsvekkende er den – jeg bruker det ordet – selvtilfredsheten som man kunne oppfatte hos tidligere justis- og beredskapsminister Grete Faremo, og hvordan hun opptrådte under komiteens høring lørdag 6. juni. Det var ingen spor av selvkritikk. Til tross for de faktiske forhold som var avdekket i Riksrevisjonens rapport, og som hun kunne si at hun var enig i, tok hun ingen selvkritikk. Slik det framgår av referatet fra høringen, utfordret jeg hele åtte ganger Faremo på om det var grunn til å ta selvkritikk for noe – for noe – under hele hennes ledelsestid – hele åtte forsøk. forsøk. Det var ingen antydning overhodet til noe slikt i hennes svar – ikke noe overhodet. Det er helt utrolig. Vi fikk der demonstrert politikere på sitt aller verste, når de ikke svarer på spørsmål. Det er svært lite tillitvekkende. Jeg vil si at det

Tidligere justis- og beredskapsminister Grete Faremo sa at dialogen med DSB var god og konstruktiv. DSB-sjefen selv sa at dialogen ikke var god, men anstrengt. Jeg vet ikke i hvilken verden dette er synonymer. Da snakker man to helt forskjellige språk. Daværende justisminister og beredskapssjefen snakker altså DSB var god og konstruktiv. DSB-sjefen selv sa at dialogen ikke var god, men anstrengt. Jeg vet ikke i hvilken verden dette er synonymer. Da snakker man to helt forskjellige språk. Daværende justisminister og beredskapssjefen snakker altså helt forskjellige språk når det gjelder hva slags dialog de har. Det kan ikke være god ledelse når DSB-sjefen sier at han tok opp dette med Grete Faremo uten at det ble nevneverdig forbedring. Det kom fram at en sjef. Det er klart at når jeg utfordret ham på dette, er det ikke mulig ikke å tilskrive det nettopp til at det ble et regjeringsskifte, og at det kom en ny person i den stillingen. Da må man gi ros til justisministeren for det. Justisministeren har bl.a. bidratt til å løse konflikten mellom politiavdelingen og beredskapsavdelingen. Den sies nå å være tilsynelatende ikke-eksisterende, i motsetning til under den forrige regjeringen, hvor konflikten har vært beskrevet som en medvirkende årsak til at samfunnssikkerheten og beredskapen ikke var god nok. Dette visste både tidligere justisminister Storberget og tidligere justisminister Faremo – begge visste det. Ingen av dem løste det. Så har man uttrykt at man nærmest har latt tiden jobbe for seg. Enkelte har snakket om tiden. Vi hører Lundteigen sitere fra Stoltenbergs tale om å ta tydelig lederskap, ikke bare nærmest på uforpliktende vis gi mer penger. Den talen som Lundteigen siterte fra, bare viser jeg til. Det er ikke nok bare å lage rundskriv og papirer. Man må ta tydelig lederskap. Her visste man at innenfor ens eget departement, som man er sjef over, er det en konflikt mellom to avdelinger som bidrar til at man ikke kan ha operativ og god nok samfunnssikkerhet og beredskap. Og så tar man ikke det lederskapet man skal ta. Det er bra at nåværende justisminister har tatt det lederskapet, og særlig dersom det stemmer at konflikten nå er ikke-eksisterende, og det også bidrar til at vi har en samfunnssikkerhet og beredskap som er forbedret i kraft av det arbeidet. Det er bra at mer er gjort. Men det er grunn til fortsatt å være urolig for om beredskapen er god nok og optimal nok. Det er en liten i regningen for justisministeren at det ikke akkurat var en genistrek nærmest å avfeie hele Riksrevisjonens rapport, slik statsråden tilsynelatende gjorde i sitt brev til Riksrevisjonen, som er inntatt i Riksrevisjonens rapport. I alle fall for oss som leser det, kan det framstå som om man avfeide absolutt alt. Hvis jeg legger godsida til, kan jeg si at den i alle fall kunne vært skrevet på en annen måte. Man kunne i alle fall forklart hvorfor man gjorde det. I ettertid har justisministeren gjort dette, både med pressemeldingen og i høringen, og forsøkt å forklare at man mener at beredskapen i dag er god nok, og at den gangen rapporten ble ferdigstilt, eller iallfall i den perioden som ble undersøkt, var den ikke det, men dette kom ikke klart nok fram i brevet som er inntatt i Riksrevisjonens rapport. Dette inntrykket føler jeg at statsråden heldigvis har rettet opp. Statsråden sa også under høringen at han legger Riksrevisjonens rapport til grunn, og at iallfall på den tiden undersøkelsen ble gjort, var den riktig. Ikke bare han og Justisdepartementet, slik han sa, men også alle som er under hans ledelse, også ut i det ytterste ledd og beredskap, DSB, må legge rapporten til grunn slik den var da den ble skrevet, og for den perioden den gjelder. Så har en del ting klart skjedd etterpå, men det er da

Etter hvert som realitetene har sunket inn i Arbeiderpartiet om at funnene i undersøkelsen og de påpekte manglene knyttet til beredskap og samfunnssikkerhet først og fremst er knyttet til egen regjeringstid, har pipen fått en helt annen lyd. Dette gjelder ikke minst Helsetilsynets rapport, som er sluttført med datainnsamling i desember 2013, altså kun to måneder etter regjeringsskiftet. Rapporten har følgende dom over og Stoltenberg-regjeringen, for det er ikke bare slik at det er justisministeren som har ansvar for beredskap og justispolitikken. Det er regjeringssjefen selv, særlig etter det vi kjenner som bakteppet – 22. juli – og ikke minst de talene som har blitt holdt om 22. juli i ettertid. Dommen kan oppsummeres i en del punkter. Jeg tar noen: noen: Departementet hadde ingen sammenstilt og systematisert oversikt over status på de ulike områdene innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Departementet hadde ikke fulgt opp det de skulle, knyttet til å avklare ansvarsforhold og identifisere områder hvor det var behov for samordning. Departementet hadde ikke ført oversikt over øvelsesvirksomhet basert på rapportering fra departementet departementet slik de skulle. Departementet hadde i liten grad påsett at store ulykker og ekstraordinære hendelser ble fulgt opp i sektorene på en systematisk måte, herunder erfaringsutveksling og nødvendige forbedringstiltak. Det er manglende orientering til regjeringen om tilstanden for samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid i Initiativ til å sikre beredskapsplanene er organisert på tvers av departementene og oversikt over departementenes planverk er ikke registrert. Planen som beskriver aktører på strategisk nivå, deres roller og ansvar, samt varslingsrutiner og samhandling mellom dem til daglig og ved kriser, er ikke lagt. – Blant annet. Konklusjonen er rimelig entydig på at det var alvorlige mangler i oppfølgingen av beredskapsarbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet under Grete Justis- og beredskapsdepartementet under Grete Faremo. Det er det ikke mulig å retorisere seg bort fra. Jeg ser at saksordføreren og komitélederen har forsøkt i mediene, men ansvaret må plasseres og tydeliggjøres. Jeg ser at komitélederen sier i flere medier at Kristelig Folkeparti og Venstre ikke støtter Riksrevisjonen og kritiserer oss for det. Jeg lurer på hvor saksordføreren tar det fra. Jeg er helt enig i det representanten Grøvan sa fra denne talerstolen, generelt egentlig i hele talen, men spesielt i den kritikken som var rettet mot saksordføreren på dette punktet. Vi stoler på Riksrevisjonen. Kristelig Folkeparti har sagt det, Venstre og jeg sier det. Vi legger deres rapport til grunn. grunn. Jeg synes det er leit at saksordføreren og komitélederen bruker presseflatene til å uttale seg feilaktig om Kristelig Folkeparti og Venstre. Jeg må si at jeg egentlig kjenner komitélederen som bedre enn dette. Så håper jeg at det var en glipp og ikke bevisst. Var det bevisst, er det synd at komitélederen og saksordføreren når eget parti på riktige premisser angripes, feilaktig informerer om andre partier. Det er skuffende. Var det bevisst, vil jeg også si at jeg fikk rett i at denne saken burde hatt en annen saksordfører, som var mer nøytral, og ikke en som til de grader har sitt eget parti å forsvare. Jeg håper det var en glipp og at feilinformasjon om Kristelig Folkeparti og Venstre ikke var en bevisst manøver for å fjerne fokus fra det sviktende beredskapsarbeidet som egen regjering sto for. Dette bygger ikke opp under kontrollkomiteens tillit, som jeg vet at saksordføreren og komitélederen ellers er veldig opptatt av. Vi avga innstillingen på mandag. Etter voteringen her, og når man ser våre merknader i sin helhet, vil man se at vi selvfølgelig er enig i det, men det er en merknad vi ved en inkurie ikke står inne i. i. Jeg tror at de som var på komitémøtet, forstår at det var en del hastverk i blamøtet til komiteen for å avgi denne. Ved en inkurie står vi ikke inne i en flertallsmerknad hvor det framgår at Justis- og beredskapsdepartementet er gitt klarere hovedansvar for samfunnssikkerhet og beredskap etter 2011. Det er vi helt klart enig i. i. Merknaden slår også fast at Riksrevisjonens undersøkelse viser at alvorlige svakheter ved departementets samordning og styring svekker arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Det er vi selvfølgelig helt enig i, noe helheten i våre merknader for øvrig også viser. Jeg ser for øvrig at Riksrevisjonen er her og kanskje allerede har merket seg at komiteen – en samlet komité så vidt jeg husker – ber Riksrevisjonen se på beredskapsarbeidet på nytt om noen år, slik at Stortinget har den fulle anledningen til å følge nøye og detaljert med på det arbeidet som gjøres nå, slik at vi kan sjekke og kontrollere om dagens justisminister faktisk følger opp de tingene der justisministeren har sagt i høringen at han er på ballen. Et viktig element i denne saken er hvordan offentlig forvaltning reagerer på kritikk mer generelt. Dessverre er det nesten uten unntak slik at man går i forsvarsposisjon i stedet for å erkjenne feil og mangler og uten vilkår gjøre noe med de feil og mangler som er påpekt. Det er en forutsetning for forbedring og læring at de som blir gjenstand for kritikk, møter kritikken med en åpen holdning. Det er ikke lett. Det vet vi som politikere alt om, men vi vet også at vi lærer mest ved å erkjenne feil og mangler og faktisk gjøre noe med det. Det er for all del lov å ta til motmæle dersom det er saklig grunn til det. Det bør man gjøre, og det må man egentlig også gjøre hvis man virkelig er saklig uenig. Men samtidig er det oftest slik at vi selv kanskje ikke er de fremste til å se, oppdage og gjøre noe med egne mangler og svakheter. Det er noe med selvforsvar og selvinnsikt. Derfor bør kanskje også forvaltningen i noen tilfeller bli kanskje også forvaltningen i noen tilfeller bli flinkere til å lytte til og følge opp tilsynsrapporter og riksrevisjonsrapporter, selv om det gjøres – langt på vei gjøres det. Selv om det er ting som tyder på at det er tatt betydelige grep for å sikre en bedre beredskap, er jeg urolig for om beredskapen er god og optimal nok. Det er vanskelig å si at man er helt trygg på at alt er i sin Jeg hører at justisministeren sier at mye bra har blitt gjort siden de inntok departementet, og det er flott at også justisministeren forsikrer oss om at beredskapen er operativ og optimal, men det er likevel slik at det er vanskelig å være helt sikker på om alt er i orden. Jeg mener derfor det er maktpåliggende at Justis- og beredskapsdepartementet og ministeren jobber målrettet for at beredskap og samordning blir bedre i alle ledd i hele sektoren. Justisdepartementet har selv vist liten forbedring fra helsetilsyn to til helsetilsyn tre, og er det noen som må gå foran med et godt eksempel, er det nettopp Justis- og beredskapsdepartementet Det er ingen grunn til å forvente at beredskapen bedres dersom ikke departementet som har ansvar for beredskap, går foran og viser vei. Jeg vil derfor be justis- og beredskapsministeren sørge for tett oppfølging av de departementer som ikke har utvist forbedring, og samtidig sørge for kontinuerlig forbedring internt i eget departement. Det som kom fram i tilsyn tre, er at det er tre departementer, altså Justisdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet, som har vist liten eller ingen forbedring i den forrige perioden, altså i rød-grønn tid. Man kan litt forenklet si at sammen med Justisdepartementet er Fiskeri- og matdepartementet det som kanskje gjør Norge mest sårbart hvis noe skulle ramme oss på de tre feltene. Derfor er det veldig viktig at justisministeren er på ballen, både når det gjelder intern oppfølging og oppfølging av de departementer som ikke følger opp samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Mye må gjøres. Med det mener jeg at det ikke er nok å sende signaler, lage rundskriv og retningslinjer, men at det må utvises et ekstremt tydelig ledelsesansvar. Så ordene til Stoltenberg er jeg enig som Lundteigen viste til. Konklusjonene i undersøkelsene fra Riksrevisjonen understreker nettopp dette. Det er behov for å ta ansvar, styring og ledelse – en svært tydelig ledelse. Men dessverre: Selv om ordene kom fra Stoltenberg-regjeringen, tok ikke Stoltenberg-regjeringen, Storberget eller Faremo klar ledelse på dette. Det er både Gjørv-kommisjonen, tilsyn to tilsyn to og tilsyn tre fra Helsetilsynet og Riksrevisjonens rapport klare bevis på. Lundteigen siterte Jens Stoltenbergs tale om lederskap. Det var det med å bruke store ord om å ta lederskap og så faktisk ta det lederskapet når man trenger å ta det. Den nåværende at det som gjøres, faktisk blir implementert i alle ledd i organisasjonen, fra toppen i alle departementer til det ytterste ledd i beredskapen. Selv om vi alle har uttrykt forståelse for at det var en vanskelig tid etter 22. juli, hører vi noen ganger i kulissene, i forbindelse med debattene, aktører som ikke snakker «on the record», men som snakker litt «i gangene» om at aktører som ikke snakker «on the record», men som snakker litt «i gangene» om at det ikke er alle signalene som kommer fra toppen, som faktisk blir tatt nedover i systemet. Det er litt urovekkende at det ikke gjøres, men da må man være veldig bevisst på at slik er situasjonen i enkelte departementer og i enkelte avdelinger rundt omkring utenfor departementet. Selv om man har hovedledelsesansvar i departementet, er det ikke gitt at alt av signaler og de skriftlige

at det faktisk har blitt gjort, at det faktisk har blitt implementert i alle ledd. Dialogen må derfor være tydelig, tett og kontinuerlig, og oppfølgingen stadig gjentakende. Lederskapet på dette feltet må være på sitt aller beste, og oppfølgingen og gjennomføringen hva gjelder samfunnssikkerhet og beredskap må være enhver regjerings første prioritet. Vi sviktet 22. juli 2011. Det har vi rett og slett ikke råd til å gjøre igjen.
Neste taler er representanten

frå Riksrevisjonen. Det er ein rapport som handlar om ein avgrensa del av beredskapen i Noreg, som fleire talarar har vore inne på. Han handlar om styring og samordning av eit felt, ikkje om det operasjonelle på det feltet, som fleire talarar òg har vore innom, og som vi – i alle fall eg – var klare over før høyringa.

at nokon andre, utanfor dei som sjølve sit og styrer med det, går etter med jamne mellomrom. I grove trekk meiner eg og SV at Riksrevisjonens kritikk etter høyringa synest å vere rett mot både den førre og den noverande regjeringa i den perioden som rapporten handlar om og tek føre seg. Samtidig fekk høyringa på enkelte punkt fram nyansar i den kritikken. Meininga med høyringar er bl.a. at ein skal få fram nyansar. Høyringa fekk fram at den sitjande regjeringa har gjennomført ei rekkje tiltak for å betre situasjonen – inkludert fleire konkrete svar på kritikk – før denne rapporten vart lagd fram. Det er Det er bra. Men så må eg berre ved dette tilfellet stoppe og seie noko som eg synest enkelte representantar ikkje heilt tek inn over seg: Det at tiltak vert gjennomførte er ikkje einstydande med at tiltak har effekt, og at problemet er løyst. Riksrevisjonens rapport og høyringa kan bl.a. lære oss at det ikkje har mangla på tiltak dei seinare åra på dette området, men rapporten dokumenterer at ikkje alle tiltaka har hatt tilstrekkeleg effekt. Om dei nyare tiltaka har hatt effekt eller ikkje, vil for det første truleg berre ei hending vise, men det kan kanskje ein framtidig rapport frå Riksrevisjonen seie noko om og lære oss noko om. Difor er det òg klokt at komiteen skriv i ein merknad at det bør gjennomførast. Eg vil leggje til at eg

regjeringa, som var ei utfordring å få gjort i den føregåande regjeringsperioden. Eg skal likevel bruke resten av innlegget mitt til å kommentere innstillinga og debatten så langt, som eg synest har vore deprimerande greier, for å seie det akkurat som det er – og då snakkar eg om debatten. debatten. Innstillinga synest eg òg tidvis er relativt deprimerande greier, fordi det på nokre sentrale punkt så openbert byggjer på forskjellig verkelegheitsforståing. Eg må på nokre punkt òg seie at eg opplever det som at Høgre og Framstegspartiet i munnlege utsegn og i andre samanhengar seier at dette er ein viktig rapport, og

På denne bakgrunn mener flertallet det er svært viktig at Riksrevisjonen valgte å undersøke hvorvidt disse manglene var rettet opp snart 4 år etter det største terrorangrepet på norsk jord.» Det står altså Høgre og Framstegspartiet utanfor og skriv i staden: «Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til at de manglene som Riksrevisjonen påpeker, er av mer administrativ karakter. Kritikken går på manglende styring og systemoppfølging og ikke på den operative beredskapen. Disse medlemmer er enige i at det er viktig at overordnede administrative systemer skal fungere, men er i tvil om det er denne typen systemtilsyn som gir best oversikt over den operative tilstanden på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet.» I ein annan merknad frå Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og SV står det at «en forutsetning for forbedring og læring er at organer som blir gjenstand for kritikk møter kritikken med en åpen og uladet holdning, og en vilje til å erkjenne feil og mangler. De kontrollerte organene bør ta til motmæle der de mener det er saklig grunn til det. kan ha avdekket elementer og svakheter som de ikke selv ser eller er klar over.» Eg må seie at eg stiller med undrande til at Høgre og Framstegspartiet ikkje meiner det som her står, og rett og slett ikkje er med på ein etter mitt syn heilt opplagt merknad. Dette var fortida, og viss vi går vidare, er det òg ein merknad frå Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, SV og frå Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, SV og Miljøpartiet Dei Grøne, som er glade for dei grundige undersøkingane som Riksrevisjonen har gjort: «Dette flertallet vil understreke at beredskapsarbeidet er av største viktighet for innbyggernes sikkerhet og trygghet. Grunnet de alvorlige funnene som er gjort, vil dette flertallet oppfordre Riksrevisjonen til å følge feltet tett de kommende årene. Dette flertallet mener Riksrevisjonen bør gjennomføre en tilsvarende forvaltningsrevisjon årene Igjen er Høgre og Framstegspartiet ikkje med på det. Summen av det teiknar for meg eit bilde av to parti som ikkje vil skrive at Riksrevisjonens rapport er viktig, at det var viktig at det vart gjennomført, at læring er viktig, og at nokon må sjå på ein utanfrå. Ein kan ta til motmæle, men vil ikkje det, og ein vil ikkje at det skal følgjast opp etterpå. Kanskje er det hastverk, kanskje er det andre grunnar, men det vert formidla eit inntrykk når ein faktisk ikkje er med på sånne, etter mitt syn, relativt opplagte ting i merknadsform. Det andre eg har reagert på, og som eg synest vert spesielt, er at ein går utruleg langt i at ingenting skjedde før regjeringsskiftet, men alt skjedde etterpå. Det eg trur vi må innsjå, er at ei viss politisering er uunngåeleg i politikken. I denne innstillinga kritiserer f.eks. Arbeidarpartiet og SV tidlegare statsråd Faremo, etter mitt syn ein fortent kritikk, men kritikken frå det noverande fleirtalet er hardare. Og motsett: Mitt parti kritiserer den Arbeidarpartiet og SV tidlegare statsråd Faremo, etter mitt syn ein fortent kritikk, men kritikken frå det noverande fleirtalet er hardare. Og motsett: Mitt parti kritiserer den noverande justisministeren. Det gjer ikkje Høgre og Framstegspartiet i innstillinga. Vel, eg trur det er ein gjennomgåande tendens i politikken at det har vorte sånn. Men det eg finn veldig spesielt i innstillinga, er den omtala som Høgre og Framstegspartiet ikkje kan vere med på meir gjennomgåande. Og då skal eg berre lese to korte merknader: «Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, konstaterer at arbeidet med å styrke beredskapen naturlig nok og med full styrke startet umiddelbart etter 22. juli 2011. Arbeidet har fortsatt under regjeringen Solberg. Statsråd Anundsen bekreftet under høringen at regjeringen Solberg videreførte arbeidet som var startet under regjeringen Stoltenberg.» Den merknaden er altså Høgre og Framstegspartiet ikkje med på. Vidare står det: «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, mener det er viktig å understreke at 22. juli etterlot en administrasjon i Justisdepartementet på bar bakke og i stor sorg. Arbeidsforholdene var svært spartanske etter at Justisdepartementet bokstavelig talt var bombet i stykker. Det må derfor utvises stor forståelse for at en forvaltning under slike omstendigheter hadde begrenset kapasitet.» Det er Høgre og Framstegspartiet ikkje med på i merknadsform. Forstå det den som kan. Eg synest dette etterlet eit bilde som er vanskeleg å forstå. Lat meg spørje: Finst det ein merknad her som SV kanskje ikkje burde ha vore med på? Ja, kanskje gjer det det. Eg kan ikkje sjå bort frå det. kanskje gjer det det. Eg kan ikkje sjå bort frå det. Kanskje må vi alle saman tenkje oss om. Men eg må seie at viss kontrollkomiteen skal fungere godt, må det vere ei viss evne til å heve seg. Kan det ikkje seiast eitt einaste kritisk ord om ting? Og viss det kjem ein kritisk rapport, skal ein vere der, viss det skal fungere. Det kan sikkert vere ei krevjande øving. Ikkje veit eg om dei som sat for SV, Arbeidarpartiet og Senterpartiet i førre periode, gjorde det godt nok, men det er i

korleis dei plutseleg hadde snudd i kritikken, altså at dei liksom hadde oppdaga at mykje av kritikken no kom mot Arbeidarpartiet og berre snudd. Når det gjeld å snu og bruke forskjellige ord på ulike tidspunkt, har eg berre lyst å stoppe ein liten augneblink opp ved det og kva representanten Raja sa den dagen rapporten vart lagd fram. No siterer eg frå Dagens Næringsliv:

Abid Raja.» Vidare seier han: «Det er sjokkerende. Dette er så alvorlig at jeg vil kreve full høring om saken i kontrollkomiteen. Vi kan ikke leve med dette. Saken viser at Frp, som profilerer seg som lov- og ordenspartiet, står til stryk, sier Raja.» Eg har uttalt meg både den eine og den andre gongen for sterkt. Vis meg den politikaren som ikkje av og til tek litt for hardt i i ein oppheta situasjon, men det som eg kanskje synest er spesielt, er at den same Abid Q. Raja står her, tre veker etter å ha sagt noko sånt, og held eit generaloppgjer med at andre har endra det dei seier. Eg hugsar dei første dagane. Det var fleire som var ute med sterke utsegn. Eg trur faktisk at representanten Kolberg var blant dei som la seg lite grann lågare enn ein del andre. andre. Eg er litt i tvil òg om ein kontrollkomitédebatt er eit eigna forum for nokre av dei oppgjera som var her. Eg har normalt ikkje lagt meg til den vanen å alltid takke saksordføraren i byrjinga av innlegga mine. Eg gjorde det no sidan det vart gjort eit poeng ut av det. Men eg òg må seie at eg synest det var veldig spesielt at ein representant starta sitt innlegg med å seie at han ikkje kunne takke saksordføraren i saka i alle fall viss det baserer seg på kva han har sagt i media. Eg har ikkje lese dei medieoppslaga. Det kan godt hende at representanten Kolberg uttrykte seg veldig dumt der, men kva med ein samtale om dei tinga? Skal det vere det dominerande temaet i ein stor kontrolldebatt her? For å prøve å det første: Det er veldig farleg å vere etterpåklok, men eg trur kanskje at mitt og SVs forslag, då vi begynte denne behandlinga – om rask høyring, men å ta seg noko betre tid på sjølve saka – hadde vore klokt, og at det å bruke tid på ei viktig sak kan vere fornuftig. Så det kan vi ta til oss som lærdom. For det andre: Kontroll- og konstitusjonskomiteen har ein overmåte viktig funksjon i det norske demokratiet. På sitt beste har han gjort godt arbeid. I løpet av det året eg har sete der, synest eg det har vore fleire eksempel på saker der ein har gjort svært viktig arbeid – nokre med full einigheit i komiteen, andre med delt komité. Men den har vorte brukt til fornuftige ting. Lat oss gjere eit forsøk på å sjå masse av kontroll- og konstitusjonskomiteen på sitt beste i framtidige innstillingar og

Begge organ er i besittelse av stor makt, som ofte følger av viktige oppgaver. Derfor er også presisjonsnivået svært viktig, hva gjelder både revisjonskriterier, metode og ikke minst konklusjoner og presentasjon av de funn som Riksrevisjonen gjør. Formålet med de tilsyn som utføres, og som er rettet mot departementene, og formålet med Riksrevisjonens undersøkelser er at forvaltningen skal lære å gjennomføre endringer der det er Dette er viktige virkemidler for å få forvaltningen til å bli bedre. Grunnlaget for denne saken er Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Det er ikke en undersøkelse av samfunnssikkerhet og beredskap generelt, men er, som flere av representantene har vært inne på, avgrenset til en del av samordningsansvaret Justis- og beredskapsdepartementet har, særlig gjennom ansvar for tilsyn med andre departement, i tillegg til etatsstyringen av DSB og fylkesmennene samt DSBs virksomhetsstyring. En samlet komité viser til at Riksrevisjonens rapport omhandler en begrenset del av beredskapsarbeidet i Norge, og at rapporten ikke er en uttømmende revisjon av beredskapssituasjonen i Norge. Jeg deler den oppfatningen og mener den også reflekterer det som ble sagt av politidirektøren og sjefen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i den gjennomførte kontrollhøringen – og som jeg sluttet meg til. For ordens skyld vil jeg også peke på at jeg i liten grad gjentar det jeg sa i kontrollhøringen lørdag 6. juni, og vil derfor vise til mitt innledende innlegg der, hvor jeg adresserte de problemstillingene Riksrevisjonens rapport tar opp, og i tillegg gjennomgikk en del av de tiltakene som er gjennomført, eller er under gjennomføring, og som ikke er omfattet av rapporten. Siden det har vært en diskusjon i media om balansen mellom det å kritisere en riksrevisjonsrapport på den ene siden og det å ta lærdom på den andre, er komiteens flertalls påpekning av at de kontrollerte organer også bør ta til motmæle der de mener det er saklig grunn til det, viktig. Samtidig må det ikke være tvil om viljen og evnen til å ta lærdom av funn. For at ting skal bli bedre, må en ha vilje til å erkjenne feil og mangler. Jeg er svært opptatt av at justissektoren skal være en lærende organisasjon. Så må vi naturligvis også akseptere at faglig uenighet kan forekomme, og det er en del av en læringsprosess som omfatter oss alle. Jeg synes også det er bra når komitéflertallet peker på at Riksrevisjonens konklusjoner bygger på en gjennomgang av styringsdokumenter og annet skriftlig materiale samt enkelte intervjuer, og ikke på hvordan beredskapen ville fungert under en reell hendelse. Jeg er derfor enig med komiteens flertall i at Riksrevisjonens rapport ikke kan benyttes som noen fasit på den reelle situasjonen, men må ses på som en rapport som peker på svakheter innenfor en del av beredskapsarbeidet

på mange områder, selv om det fortsatt er mye som må bli bedre. Etter representanten Rajas innlegg om hvorvidt vi har en optimal beredskap i dag, vil jeg særlig understreke at jeg mener at det er et punkt vi – på en måte – aldri kommer til, for det vil hele tiden være forbedringspotensial. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er nemlig et arbeid som pågår over tid. Denne regjeringen har igangsatt en lang rekke med helt nye og konkrete tiltak for å forbedre samfunnssikkerheten og beredskapen. På enkelte områder har vi også videreført og forsterket tiltak som ble igangsatt under den forrige regjeringen. Samtidig vil jeg understreke at Riksrevisjonens undersøkelse beskriver viktige utfordringer på et komplekst område. Jeg vil vise til kontrollhøringen, der jeg pekte på at funnene er viktige bidrag til det videre arbeidet i mitt departement. Jeg legger også til grunn at komiteens flertall mener at dette er et godt fundament, selv om flertallet også fremholder at enkelte er uenig i Riksrevisjonens konklusjoner på noen områder. Som det fremkommer av Riksrevisjonens rapport, som i stor grad bygger på Helsetilsynets tilsyn med Justis- og beredskapsdepartementet, ble det igangsatt et større arbeid for å rette opp i de manglene som Riksrevisjonens rapport påpeker, allerede under gjennomføringen av tilsynet med Justis- og beredskapsdepartementet. Helsetilsynets tilsyn ble gjennomført noen uker etter regjeringsskiftet og gir etter min oppfatning derfor en ganske god statusrapport

komiteens innstilling. Komiteens flertall viser til min uttalelse under den gjennomførte kontrollhøringen der jeg påpekte at tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid er et viktig virkemiddel for Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle. Disse tilsynene er utviklet over tid og ser annerledes ut i dag Som komiteen peker på, har det i for stor grad tidligere vært unnlatt å følge opp anbefalingene fra tilsynene, med det resultat at forbedringene til neste tilsyn burde vært bedre i en del tilfeller. De endringene vi nå har gjennomført ved å styrke tilsynet, ved klart å synliggjøre hva som er avvik, og at vi heller ikke lukker tilsynet før avvikene er lukket, at vi forankrer tilsynsresultater og oppfølging i regjeringen som sådan samt åpner for at resultatene av tilsynene er offentlige, mener jeg vil ha effekt, og jeg er glad for at komiteen er enig i det. Jeg synes også det er bra at komiteen uttrykker tilfredshet med det arbeidet som vi har satt i gang for å sikre oppfølging av læringspunkter ved hendelser og øvelser, eksempelvis ved å bruke noen av de samme virkemidlene som vi nå bruker, etter at vi har revidert tilsynet og virkemidlene i oppfølgingen av tilsyn. Og jeg merker meg at en samlet komité understreker at dette arbeidet er komplekst fordi det bl.a. er mange deltakere i øvelser, også ikke-offentlige organisasjoner. Mye av dette arbeidet er kontinuerlig kvalitetsutvikling og forbedring, og jeg merker meg at en samlet komité imøteser resultatene av det arbeidet som er i gang. Komiteen viser til at Riksrevisjonen kritiserer departementets styring og oppfølging av DSB. Jeg vil derfor minne om at det er gjort flere endringer i departementets styring og oppfølging av DSB etter regjeringsskiftet. Det gjelder både styringsdialog, nye mål og nye styringsparametere. Formålet har vært å forenkle og forbedre styringen av underliggende etat. Jeg vil også minne om det jeg sa i kontrollhøringen, at utviklingen av mål og ikke minst styringsparametere også er en komplisert oppgave som må løses over tid, og som må endres over tid. Men formålet vårt har vært å få en ny struktur, som skal forenkle og forbedre kommunikasjon og styring av underliggende etat. Det er også utfordringer, som representanten Grøvan – mener jeg – var inne på, knyttet til aktivitetsbaserte mål for virksomhetene. Det er også en utfordring på noen områder, som jeg nevnte i kontroll- og konstitusjonskomiteens høring, bl.a. knyttet til eksempelvis eltilsyn, hvor det også henger sammen med DSBs inntektsside. Det men som vi fortsatt må jobbe med for å få dette systemet til stadig å bli bedre, og det må gjøres i samarbeid med de underliggende etatene. Dette gjelder ikke bare DSB, det gjelder også andre underliggende etater i Justis- og beredskapsdepartementet. Komiteen viser også til at Riksrevisjonen mener at kommunikasjonen mellom DSB og departementet var dårlig Dette er et område hvor jeg har latt meg forundre litt over komiteens flertall, som i dette tilfellet er alle unntatt Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Senterpartiet, for i innstillingen fremgår det at «den ulike forståelsen som kom frem i kontroll- og konstitusjonskomiteens høring 6. juni 2015 mellom statsråd Anundsen og direktøren i DSB Jon A. Lea, kan tyde på at samordningen og kommunikasjonen mellom Justis- og beredskapsdepartementet og DSB ikke er god nok». Dette brukes altså for å begrunne påstanden i Riksrevisjonens rapport om dårlig kommunikasjon mellom Justis- og beredskapsdepartementet og DSB, som både direktør Lea og jeg i kontrollhøringen sa var svært god. Lea presiserte til og med i høringen at det var under den forrige regjeringen kommunikasjonen var dårlig. Det fremstår etter høringen som relativt klart, etter min oppfatning, at problemet ikke er manglende kommunikasjon mellom DSB og Justis- og beredskapsdepartementet i dag, men at Riksrevisjonen ikke har fokusert på når kommunikasjonen var dårlig, og heller ikke oppsummert dette punktet uavhengig av den forbedring som etter min oppfatning åpenbart har funnet sted. Så hevdes det i samme merknad at det fremkom opplysninger under høringen som tilsier at dialogen ikke er god nok. Etter å ha gått gjennom referatet er det, etter min oppfatning i hvert fall, ganske entydig, gjennom det som der ble sagt, at dialogen nå er svært god. Jeg vil også mene at det er viktig at direktorater som har en egen og selvstendig fagkompetanse, skal ha egne meninger og ikke være så samkjørt med sitt departement at det går ut over deres faglige integritet. Det ville omdefinere rollen et direktorat har, med den faglige styrken det skal ha, da også å ha mulighet til å uttrykke sine egne oppfatninger om et konkret fagområde i en kontrollhøring. Det er mulig at dette handler om dårlig presisjonsnivå, eller at jeg legger for mye i min forståelse av den merknaden, men jeg mener likevel det var viktig å få temaet adressert. En tid etter regjeringsskiftet innførte jeg faste møter med DSB-direktøren om lag annenhver måned. Disse møtene kommer i tillegg til den ordinære styringsdialogen. Som det fremgår av komiteens innstilling med vedlegg, uttrykker DSBs direktør at direktoratet nå er fornøyd med kommunikasjonen med mitt departement, og jeg mener at en nå må legge det til grunn. Når det gjelder innstillingens omtale av DSBs virksomhetsstyring, vil jeg vise til mitt innlegg under den gjennomførte kontrollhøringen. Jeg påpekte der at det er opp til enhver virksomhetsledelse selv å prioritere innenfor den gitte rammen. Jeg legger også merke til at komiteens flertall peker på at fylkesmannen bør få tilført ytterligere ressurser. Jeg minner om at spørsmålet om finansiering av

Jeg nevner også at det igangsettes et arbeid for å se på styringen av fylkesmennene, i tillegg til at vi går gjennom oppgaveporteføljen med tanke på finansiering. Ny fylkesmannsinstruks skal også komme på plass. I tilsynet og i Riksrevisjonens rapport samt i den gjennomførte kontrollhøringen ble det viet oppmerksomhet til tidligere interne samarbeidsutfordringer i mitt departement. Det gjenspeiles naturligvis også i komiteens innstilling og i debatten her i dag. Komiteens flertall konstaterer at Statens helsetilsyn peker særskilt på at samarbeidsforholdene mellom den daværende Rednings- og beredskapsavdelingen og Politiavdelingen var vanskelig i en årrekke. Jeg vil derfor vise til min redegjørelse i den gjennomførte kontrollhøringen, der jeg pekte på at jeg tidlig ble klar over at det var en konflikt mellom disse avdelingene. Jeg iverksatte derfor ganske raskt en organisasjonsutviklingsprosess, som har ført til viktige strukturendringer. Jeg vil takke for den anerkjennelsen både representanten Grøvan og representanten Raja har kommet med i så henseende. Men jeg vil tillate meg å knytte noen kommentarer til merknadene fra Arbeiderpartiet og SV om dette. I innstillingen skriver de at de mener at «det etter ett år og syv måneder fortsatt er uklart om Justis- og beredskapsdepartementet er i stand til å samordne sin virksomhet innad». Jeg mener dette er en ubegrunnet påstand. Det er ikke fremkommet noen indikasjon på at det er mangler ved samordningen i departementet i dag. Riksrevisjonens konklusjoner ligger tilbake i tid. Jeg tillater meg også å la meg forundre over de samme partienes merknad i innstillingen, der de skriver at de «er derfor av den oppfatning at justis- og beredskapsminister Anundsen burde ha kommet lenger i arbeidet med å bedre samhandlingen innad i I løpet av noen måneder retter altså jeg opp i det disse to partiene i regjering har akseptert i åtte år. De har ikke lyktes i å gjøre noe med det, og så mener de to partiene at det vi har fått til som regjering, ikke er bra nok. Det burde ifølge Arbeiderpartiet og SV vært løst enda tidligere av meg – og ikke av dem selv i de foregående åtte årene. Det kan ta motet fra enhver handlekraftig leder. Det er også litt trist lesning, for det minner litt om ansvarsfraskrivelse og ønske om å skape problemer, og ikke om å anerkjenne løsningen av dem. Det er altså gjort mye for å følge opp funnene Riksrevisjonen gjorde ved oppfølgingen av tilsynet med departementet. Riksrevisjonens funn vil således selvfølgelig inngå i departementets oppfølgingsplan og er svært nyttige læringspunkter for Jeg vil også si noen ord om det arbeidet som er gjort, og fortsatt gjøres, på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet generelt. Særlig vil jeg understreke at svært mange over tid har gjort svært mye for å gjøre Norge tryggere. De 1 046 punktene politidirektøren nevnte, og som Arbeiderpartiet i innstillingen tilegner sin regjeringstid, er ikke Arbeiderpartiets tiltak alene. Mange av disse Men det burde egentlig ikke være en konkurranse om antall tiltak eller om min statsrådsperiode er bedre enn din, for vi blir aldri ferdig med dette arbeidet. Det dukker stadig opp nye ting og nye læringspunkter. Det må vi som politikere akseptere og være bevisst på, også når vi skal følge opp disse funnene senere. Det vil aldri være en regjering som kan dekke opp alt, eller sikre oss mot alle farer. Det er et arbeid som jeg er helt sikker på at mine forgjengere har ment de utførte samvittighetsfullt, det er et arbeid jeg utfører samvittighetsfullt, og det er et arbeid alle mine etterfølgere må utføre samvittighetsfullt. Det er faktisk et arbeid som jeg forventer at alle politikere, uavhengig av posisjon og opposisjon, ønsker å bidra positivt til. Ja, vi bygger delvis på de samme ønskene om resultat, men vi løser utfordringene ulikt, og vi har ulik gjennomføringskraft. Men det burde også politisk, egentlig, være en konkurranse om å sikre best mulig samfunnssikkerhet og beredskap i fremtiden, og da må vi samle kraften vår, da må vi jobbe sammen. Jeg mener det er bra at en samlet komité så entydig konkluderer med at det har pågått et kontinuerlig arbeid med å bedre beredskapen på mange områder. Jeg er ikke i tvil om at vår beredskap i dag er bedre enn det den var da terroren rammet oss i 2011. Jeg er ikke i tvil om at den jobben Storberget startet etter 22. juli 2011, som Grete Faremo bygget videre på, og den jobben jeg har gjort siden høsten 2013, har gjort Norge til et tryggere samfunn, og det har forbedret beredskapen – i ulik takt, kanskje, men at det er blitt bedre, er jeg trygg på.

herunder begrepsavklaring, ledelse, kultur og holdninger samt hvordan tilsyn av departementer og underliggende etater kan bidra til å styrke beredskapen. Jeg merker meg også at forholdet mellom DSB og fylkesmenn og kommuner bør omtales, i henhold til det flertallet skriver. Dette er innspill som jeg naturligvis tar med meg inn i dette arbeidet. La meg avslutningsvis få gjenta et viktig budskap fra den gjennomførte Trygghet i hverdagen og styrket beredskap er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Vi har gjort mye, men mye gjenstår. Jobben med å styrke vår samfunnssikkerhet og beredskap er, og vil alltid være, et kontinuerlig arbeid. Det står stor respekt av den jobben som gjøres hver dag, av profesjonelle og frivillige, i det nasjonale beredskapsarbeidet over hele landet. Den nasjonale beredskapen er blitt bedre, og den skal bli enda bedre, og den skal bli enda bedre. Det blir replikkordskifte. Jeg slutter meg helt og fullt til det statsråden nå sa i sitt innlegg som knytter seg til det arbeidet som alle regjeringer må gjøre, og at det er en kontinuerlig prosess. prosess. Jeg tror det er helt riktig, som statsråden sa, at alle egentlig viser god vilje når det gjelder dette arbeidet. Det som er en problemstilling her – og statsråden har overvært diskusjonen – er diskusjonen som knytter seg til merknadene som regjeringspartiene står bak, og som går på at ingenting skjedde før regjeringsskiftet, at alt har skjedd etterpå. Jeg vil bare spørre om statsråden er enig i regjeringspartienes betraktninger rundt dette, og om så er tilfellet: Hadde det ikke skjedd noen ting da statsråden kom i departementet? Er det ikke slik at statsråden ikke har bygd videre på noe av det som ble gjort av den forrige regjering? Det er mulig at jeg har lest merknadene feil, men jeg opplever at det regjeringspartiene har pekt på, er at de tiltakene som er gjennomført etter funnene i tilsynsrapporten, er det denne regjeringen som har gjennomført. Det er jo riktig, for funnene i tilsynsrapporten er en konkret oppfølging gjennom en oppfølgingsplan som Justis- og beredskapsdepartementet har gjennomført. Jeg opplever ikke at de merknadene dreier seg om det helt generelle arbeidet på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet. Der har det, som jeg nevnte i mitt innlegg – naturligvis og heldigvis før regjeringsskiftet skjedd ting som vi selvfølgelig bygger videre på. Det er mange av samfunnssikkerhets- og beredskapstiltakene som vil ta tid. Det er mange av de tiltakene denne regjeringen har satt i gang nå, som en kanskje ikke ser full effekt av før om en eller to stortingsperioder. Dette er jo et arbeid som i stort strekker seg over tid. Når det gjelder funnene i tilsynsrapporten, er de tiltakene som der er gjennomført, gjennomført av denne regjeringen, og det er naturlig, fordi det var denne regjeringen som mottok tilsynsrapporten.

på konklusjonstidspunktet». Derfor trenger jeg å spørre om ministeren er enig eller uenig i Riksrevisjonens kritikk, og om det vil være grunnlaget for hans videre arbeid. Det er det samme spørsmålet som representanten Christensen stilte under kontrollhøringen, og jeg svarer det samme nå som jeg svarte da, nemlig at på det tidspunkt Riksrevisjonen fattet sine konklusjoner, er de riktige. Det mener jeg at jeg har vært tydelig på. Det jeg skriver i brevet, er at hvis man skulle tatt høyde for de tiltakene som dels er gjennomført, dels er under gjennomføring, mener jeg at på det tidspunkt jeg skrev brevet, for å si det slik, var beredskapen bedre enn det som kom til uttrykk i konklusjonen til Riksrevisjonen. Det var beredskapen bedre enn det som kom til uttrykk i konklusjonen til Riksrevisjonen. Det handler, som jeg også har vært tydelig på både i Stortinget tidligere og i media, om en ulik oppfatning av hva konklusjonen skal ta hensyn til når den fattes. Jeg mener det i dag – og på det tidspunkt konklusjonen ble fattet – ikke er grunnlag for å si at det på det tidspunktet ikke har skjedd noe. Men hvis en ser på revisjonsrapportens innhentingstid, er det grunnlag for den konklusjonen. Så jeg står bak Riksrevisjonens konklusjoner, og som jeg sa i mitt innlegg, bruker vi det i det videre arbeid i Justis- og beredskapsdepartementet. Jeg visste ikke helt hvor mange replikker vi hadde til

før regjeringsskiftet. Det er det jeg spør om statsråden oppfattet var et riktig bilde da han kom til departementet, at den forrige regjeringa ikke hadde lagt til rette for noen ting i dette sikkerhetsarbeidet som vi snakker om og drøfter her i dag. Det er det som er problemstillingen, og da ber jeg statsråden om å svare på det og ikke si noe annet. Jeg svarte meget presist på det. Jeg sa at i det omfattende beredskapsarbeidet som gjøres, er det mye som ble gjennomført i den forrige regjeringen. Det er gjennomført enda mer i denne regjeringen, men jeg oppfatter ikke at merknadene representanten Kolberg viser til, omhandler det. Jeg oppfatter at den merknaden omhandler det arbeidet som ble igangsatt i forbindelse med avlevering av tilsynsrapporten til Justis- og beredskapsdepartementet, og det arbeidet som er satt i gang som konsekvens av tilsynet, er igangsatt av denne regjeringen.

bekreftet at det er alvorlige funn i Riksrevisjonens rapport, og har bekreftet at en skal lære av det og gjøre det bedre. Det er bra. Mitt spørsmål går på merknadene som ligger til grunn i front av forslaget om en ny stortingsmelding. Statsråden har der bekreftet at en vil ta de merknadene med seg, og mitt spørsmål går konkret på det som heter operasjonsbasert ledelse. Vil statsråden bekrefte at dette da bør drøftes grundig, siden det er ledelse som har vist seg å være det gjennomgående temaet helt fra 22. juli? Jeg er enig i at ledelse må være et svært viktig fokusområde i meldingen om samfunnssikkerhet og beredskap. Det er, som representanten selv sier, en omfattende, stor og viktig, men også meget komplisert, debatt. Det å endre en ledelsesfilosofi eller endre en ledelsestenkning er ikke noe som kan gjennomføres gjennom vedtak. Det må gjennomføres gjennom stadig oppfølging, gjennom opplæring og gjennom dialog. Jeg er for så vidt også enig i den henvisningen som tidligere ble gjort til kontroll- og konstitusjonskomiteens tidligere innstilling knyttet til redegjørelsene fra tidligere statsminister og tidligere justisminister på dette området, og da vil operasjonsbasert ledelse være en del av et sånt arbeid, etter min oppfatning. Det er viktig at man kommer med gode signaler til eget departement og nedover i systemene, med rundskriv og retningslinjer. Men det er jo egentlig bare verdt jobben dersom det faktisk blir fulgt opp og etterlevd. Mitt spørsmål til statsråden går på hva som er statsrådens plan eller strategi for å få dette til, slik at man kan sørge for at det forpliktende blir fulgt opp fra toppen i eget departement og i systemet helt til de ytterste leddene. Hvordan tenker statsråden konkret å jobbe, slik at han kan forsikre oss om at de gode signalene, rundskrivene og retningslinjene faktisk blir implementert og fulgt opp i alle ledd i Det synes jeg er et veldig godt spørsmål, og det er også et krevende spørsmål å svare på i løpet av 1 minutt, men jeg vil nevne noen punkter som jeg mener er helt avgjørende. For det første må en ha styringsrammene på plass, en må ha formalitetene og planverket på plass, og så må en ha en åpen dialog. Min erfaring i den tiden jeg har sittet, er at der det har vært dialogutfordringer, der hvor en ikke har hatt en åpen linje, så må en ha en åpen dialog. Min erfaring i den tiden jeg har sittet, er at der det har vært dialogutfordringer, der hvor en ikke har hatt en åpen linje, har det dukket opp utfordringer underveis. Derfor har det vært viktig for meg å sikre at vi på de aller fleste områdene får til en åpen linje, ikke bare mellom statsråd og etatsleder, men også mellom avdelinger og de ulike etatene. Vi må ha gjennom hele linja både i møte med meg, den ordinære etatsstyringen, gjennom allmøter, gjennom det å bruke åpne arenaer med mange tilsatte til stede, være tydelig og gi klare styringssignaler på det en ønsker skal gjennomføres – alt dette tror jeg er veldig viktig, og det åpner også for at en får en dialog oppover som gjør at prosessen blir enda bedre og mer

vil bli ført med departementet. Kan statsråden forsikre oss om at vi vil se en helt annen type tilsyn dersom det er Helsetilsynet som skal gjøre neste tilsyn – jeg er ikke sikker på om det er de som skal gjøre neste tilsyn når det gjelder Justisdepartementet – men at de nye tilsyn som skal gjøres av både Justisdepartementet og de andre departementene, at det arbeidet som til nå har blitt gjort, og som det ble avdekket 3 ikke har vært særlig godt fra den avgåtte regjerings side, ikke vil være tilfellet under den nåværende regjeringens arbeid med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. For de tilsynene som skjer etter at vi har endret tilsynsregimet, vil dette være annerledes, rett og slett fordi der hvor det er avvik, blir ikke tilsynet lukket før avviket er lukket. Dette følges opp i regjeringen helt konkret. Hvis jeg gjør funn i et annet departement, rapporterer jeg til regjeringen om hvilke funn vi har gjort, hvilke avvik som er funnet, og jeg skal rapportere tilbake til regjeringen når vi mener at de avvikene er lukket. Det vil i seg selv bety at hvis en skal finne det samme avviket i flere tilsyn, som har vært en av utfordringene nå, som representanten Raja peker på, vil det bety at man i tilfelle har gjort noe helt konkret som gjør at jobben blir dårligere igjen. igjen. Forvaltningen er heldigvis laget sånn at den vanligvis har god læringseffekt og klarer å forbedre seg, og de feil og mangler som er ryddet opp i, vil i liten grad komme tilbake igjen. Det som har vært utfordringen nå, er at man ikke har fått ryddet opp i de problemene. Man har ikke fått lukket avvikene, og så går det mellom tilsynsperiodene, og så finner man de samme avvikene igjen. Det er en utfordring som vi forhåpentligvis ikke får se i fremtiden. Replikkordskiftet er omme. Ingenting er vanskeligere enn endring. Når man skal endre seg, trenger man å ha en grunn til
Neste taler er representanten

for den. Uberettiget kritikk maner aldri til endring, bare til forsvar. Som vi var inne på i replikkordskiftet, skrev justisministeren i sitt svar til Riksrevisjonen i rapporten som vi nå behandler: «På dette grunnlag mener jeg det ikke er grunnlag for Riksrevisjonens konklusjon om at det i dag er alvorlige svakheter i utøvelsen av samordningsansvaret.» Det nevnes to ganger i brevet. Grunnen til at jeg dveler ved dette, er at når en ansvarlig statsråd får en rapport som viser at det er svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av DSB, at DSBs virksomhetsstyring i begrenset grad til god mål- og resultatoppnåelse, at tre av ni departementer i liten grad har fulgt opp anbefalinger fra tidligere tilsyn utført av DSB – på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet – som sier at Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid er mangelfull, – som sier at Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid er mangelfull, og at det ikke gjennomføres noen systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og hendelser, da er det tid for handling, ikke bortforklaringer. Justisministeren skaper et inntrykk av at Riksrevisjonens funn ikke er valide, at de ikke er relevante. For hvem bruker tid på å endre noe som er blitt feilaktig kritisert av noen som er ubetydelige? I høringen sa justisministeren noe helt annet enn i brevet. Han sier at «jeg er enig i Riksrevisjonens konklusjon på konklusjonstidspunktet». Nå, i replikkordskiftet, får vi høre noe nytt. Det er bra. For spørsmålet som fortsatt er er om han er enig eller uenig i kritikken. Det er bare en av de uttalelsene som kan være den riktige, det er ikke mulig å mene begge deler samtidig. Nå hørte vi justisministeren si at han er enig i kritikken. Det er første gang. Det er ny informasjon, og det er betryggende å vite. Det er også avgjørende for underliggende etater å vite det. For mener sjefen at at man skal lytte og endre seg etter kritikken, eller er kritikken feil og bare å overse? Har justisministeren hatt samtaler med dem om dette, er det grunn til å spørre seg. Det virket nemlig ikke helt sånn i høringen. Da fikk vi høre Jon A. Lea i DSB, som tydeligvis hadde hørt på justisministeren. Han gjentok nøyaktig den Anundsen brukte i sitt svar til Riksrevisjonen. Lea sa: «Likevel tillater jeg meg å stille spørsmål til Riksrevisjonens konklusjon om at forbedringspunkter som omtales i rapporten, innebærer alvorlige svakheter i utøvelsen av samordningsansvaret, og at det avdekker store svakheter i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.» Han stilte ikke bare spørsmål, han framholdt flere ganger kritikk mot Riksrevisjonens konklusjon i høringen. Det er bekymringsfullt av flere årsaker, og det reiser en del spørsmål. De spørsmålene er bl.a.: Er det grunn til å tro at DSB ikke mener at Riksrevisjonen er et organ å lytte til? Er det grunn til å tro at læringspunkter for Riksrevisjonen ikke vil bidra til endring fordi man ikke anser dem som relevante? Hvorfor sier underliggende etater og justisministeren forskjellige ting om dette i en høring? Har justisministeren endret mening og etatene ikke fått det med seg? Det er problematisk. Har underliggende etater og justisministeren ulikt syn på forbedringspunkter? Hva skjer i andre tilfeller når underliggende etater og ministeren har ulik oppfatning? Høringen ga ikke svar på disse spørsmålene, men den illustrerte ganske godt Riksrevisjonens funn om en mangelfull dialog. Det ble kanskje sagt at dialogen var god, men det virket ikke sånn. Som jeg sa, må man se etter områder å forbedre seg på om man skal bli bedre, og om man skal lære. Derfor er øvelser og det å ta lærdom av dem avgjørende i Riksrevisjonen finner at det ikke gjennomføres noen systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og hendelser. Riksrevisjonen viser til at det er satt i verk flere tiltak for å styrke arbeidet med læring etter øvelser. Det er veldig bra, og det vil jeg gi ministeren honnør for. Men det er ingen systematisk evaluering, skriver Riksrevisjonen. Da kan det heller ikke finnes noen systematisk læring. Det er nesten ikke til å Justis- og beredskapsdepartementet har imidlertid satt i verk flere tiltak. Tiltak er viktig, men resultatene er viktigst. Derfor bør det være grunn til å vurdere endring av tiltakene når resultatene uteblir og når situasjonen er sånn som nå, at fylkesmennene som er intervjuet, ikke har registrert at sikringen av læring etter øvelsene er I tillegg er det oppgitt av flere direktorater og departementer at økning av antall øvelser har gått ut over kvaliteten. Det er ikke blitt bedre, det er blitt vanskeligere. De melder også at det kunne vært øvd mer og mer målrettet. Justisministeren skriver i sitt svar til Riksrevisjonen: «Jeg vil fortsatt bidra sterkt i dette arbeidet i egen sektor og over sektorgrenser i de tilfeller hvor forbedringspunktene gjør dette nødvendig.» Det er ikke en setning det oser tung læringsvilje av – eller forbedringsevne – og spørsmålet er om den viljen er tilstrekkelig på et punkt som er så viktig for å bedre samfunnssikkerheten. For hva sier den setningen, egentlig? Den sier at man skal fortsette som man har gjort. Gitt Riksrevisjonens funn må man stille seg spørsmålet: Holder det? Er det godt nok? Så skal jeg over til en annen merknad i innstillingen. Det er nemlig sånn at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre løfter inn en sak som komiteen tidligere har hatt til behandling. Det gjelder redegjørelsen om regjeringens oppfølging av Gjørv-kommisjonens rapport. Dette er en sak som Stortinget behandlet grundig og fattet et enstemmig vedtak Det vedtaket lød: «Stortinget finner det kritikkverdig at myndighetene forut for og under terrorhandlingene 22. juli 2011 ikke i tilstrekkelig grad iverksatte flere sikrings- og beredskapstiltak som kunne forhindret terrorhandlingene og beskyttet menneskene i regjeringskvartalet og på Utøya. Statsministeren har beklaget dette i Stortinget. Beklagelsen var riktig og historisk nødvendig. Stortinget anerkjenner statsministerens beklagelse og regjeringens arbeid med å gjøre Norge tryggere, basert på lærdommene fra terrorhandlingene 22. juli 2011.» Det var et enstemmig vedtak i Stortinget. Det politiske Norge våknet sammen den julidagen det plutselig begynte å regne. Vi lærte, vi omorganiserte, vi satte av titalls millioner til lederutvikling i POD og Justisdepartementet, en rekke ledelses- og kulturtiltak ble satt i verk, stortingsmeldingen om beredskap, terror og trygghet kom, og feltet hadde høy tverrpolitisk og ydmyk politisk oppmerksomhet. Vi lærte, vi innhentet ekstern kompetanse, vi fikk sammen med resten av Norge og Stortinget en oppvåkning når det gjaldt hva som manglet i beredskapssektoren: først og fremst god samhandling. Derfor ble det satt i gang et omstruktureringsarbeid så stort at Humlegård i høringen ytret at det var så mange tiltak at politiet måtte strekke seg langt for å klare å følge opp. Den forrige regjeringen – og denne regjeringen – har prioritert arbeidet med beredskap. Intensjonen er den samme: et tryggere Norge. Det var bred enighet i det politiske Norge – og det er det nå også – om at tiltak for beredskap er viktig og nødvendig. Jeg opplevde at det politiske Norge lærte sammen, men at viljen til endring ifølge Riksrevisjonens rapport ikke lot seg materialisere i virkelighet fort nok. Noen av tiltakene tar det tid å se resultater av. Denne saken handler ikke om Gjørv-kommisjonen. Likevel velger altså komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre å hente saken opp igjen og inn i Stortinget. De skriver: «Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener det var kritikkverdig at tidligere regjering ikke evnet å prioritere arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap før etter

Arbeidet med beredskap i Norge har vært basert på et bredt flertall i Stortinget, på samme måte som det ble flertall for parlamentets fortelling om hva det var som skjedde, hvorfor det skjedde, og hva det var som burde blitt gjort annerledes, i behandlingen av redegjørelsen om Gjørv-kommisjonens rapport. Hvorfor velger nevnte partier å ta opp denne merknaden? Det er underlig. Er det et forsøk på å si noe annet? I så fall: Hva da? Og hvorfor er ikke det beskrevet? Når man først finner behov for å uttrykke dette, hadde jeg ønsket meg en begrunnelse eller en underbyggelse. Denne rapporten er grundig. Den har alvorlige funn. Så langt er det verdt å merke seg at det bare er dem som blir kritisert, som kritiserer rapporten. Jeg håper rapporten blir tatt alvorlig, og jeg håper at det er den siste uttalelsen fra justisministeren som gjelder, nemlig den med at han tar kritikken på alvor. Vi har ikke noe annet valg. Det er

grunnleggjande verdiar og funksjonar i landet vårt. Difor vil eg takka Riksrevisjonen for arbeidet deira. Det har me gått grundig inn i. Me veit at naturkreftene rammar. Orkan og storm kan isolera lokalsamfunn i landet vårt, då det kan ramma livsnødvendig straumforsyning og Me veit at stein og snøras har øydelagt bygder. Eg hugsar raset som utløyste flodbølgja i Årdal, og også raset som lagde ein stor brann. Uvêr kan trua både trafikk og oljeplattformer. Langs kysten er ein oppteken av at farleg last ikkje lek ut frå skip som er i havsnaud, eller

har også ramma oss her til lands. Me hugsar tsunamien, og me har ikkje gløymt eksplosjonen ved atomkraftverket i Tsjernobyl. Alt dette er eksempel som syner kor viktig det er med godt beredskapsarbeid, og kor viktig det er med god samordning. Beredskapen må vera i orden i lege, politi, redningsteneste og det frivillige engasjementet. Men oppfølginga av beredskapsarbeidet må òg fungera i våre styrande etatar, sentralt, regionalt og lokalt. Difor er det ein svært viktig rapport me har fått. Denne rapporten tek òg opp Fylkesmannens viktige rolle. Eg er einig med fylkesmannen i Sogn og rolle. Eg er einig med fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Anne Karin Hamre, som i høyringa sa: «Kommunane er grunnmuren i beredskapen, og dei er ofte veldig undervurderte. Med noko meir ressursar kunne Fylkesmannen ha tråkka til og fått trykk på arbeidet med både risiko- og sårbarheitsvurderingar og beredskapsplanlegging i kommunane.» Riksrevisjonen tilrår at Justis- og beredskapsdepartementet sørgjer for at det er betre samsvar mellom dei faglege styringssignala som vert gjevne, og dei ressursane som vert stilte til disposisjon for fylkesmennene på beredskapsområdet. Fylkesmannen spelar ei viktig rolle i å samordna samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid på regionalt og lokalt nivå. nivå. Fylkesmannen er òg bindeleddet mellom dei sentrale og dei lokale myndigheitene. Likevel kjem det fram i rapporten at instruksar og styringssignal frå departementet er uklare med omsyn til korleis Fylkesmannens samordningsrolle skal utøvast når hendingar skjer. Det fører til store forskjellar i korleis embeta både forstår og utøver si samordningsrolle lokalt. Me er einige i Riksrevisjonens vurdering, at manglande samordning på regionalt nivå kan gje risiko for redusert gjennomføringsevne nasjonalt dersom det skjer alvorlege hendingar. Justisministeren sa i høyringa at han har sett i gang fleire tiltak som skal styrkja samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i regi av Fylkesmannen. Det er positivt. Men det er viktig med fleire ressursar, ikkje berre fleire oppgåver. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sa òg at ho fleire gonger hadde påpeikt i årsrapporten at talet på oppgåver hadde auka, og at det var krevjande når det ikkje vart følgt opp med tilsvarande ressursar. Fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae, var einig, og han uttalte følgjande i høyringa: «Jeg vil bare supplere det kollegaen min sier. En kan si det slik at det har skjedd en styrking av beredskapen, men den har skjedd på det sentrale nivået og av direktoratet, men ikke når det gjelder det lokale nivået og det ytre nivået, ennå. Så en kan si at i kjølvannet av hendelsene 22. juli har man vært veldig fokusert på den typen hendelser, mens hverdagsberedskapen, som vi har ansvaret for, ikke har fått en tilsvarende styrking ute i kommunene.» Difor har fleirtalet i komiteen i ein merknad bedt regjeringa å sørgja for nok ressursar til

Men det som er bra, er at me er einige om eit forslag til vedtak der me ber regjeringa koma tilbake til Stortinget med «en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet og beredskap innen utgangen av 2016». Det gjer at me kan halda oppe trykket på beredskap, og at me får moglegheit til å retta opp det som ikkje fungerer. For meg og Arbeidarpartiet er det viktigaste no at me klarar å styrkja beredskapen. At posisjonen er mest oppteken av å skulda på den førre regjeringa, samstundes som dei heilt frikjenner si eiga regjering, synest eg er unødvendig og pinleg. Det svekkjer Riksrevisjonens autoritet og deira viktige arbeid. Eg stiller meg spørsmålet om det frå posisjonspartia si side er ein bevisst strategi å gjera dette. På nettsidene til VG på måndag denne veka

at dei ikkje har «gjennomført vurderinger med sikte på å opprettholde eller gjenopprette viktige funksjoner – med unntak for valggjennomføring», og at dei ikkje jobbar «målrettet og systematisk med øvelser». Det er ikkje godt nok. Eg synest me alle no skal stå samla og ta eit felles grep. Eg ser fram til den nye stortingsmeldinga om
Neste taler er representanten

Det ble ikke gjennomført systematiske evalueringer og oppfølginger etter øvelser og hendelser. Når man legger disse funnene sammen, er det åpenbart at beredskapen i Norge ikke var bra nok. Riksrevisjonens rapport, som foranlediget denne saken, er god og viktig, og vi anerkjenner funnene fullt ut. Så hører jeg representanten Kolberg og representanten Eldegard sier at vi ikke gjør det, og jeg skjønner ikke hvor de tar det fra. Det er påstander som jeg nesten må be representanten Eldegard og representanten Kolberg dokumentere. Jeg kan ikke se at det er riktig. Men funnene er – dessverre, får en si – ikke veldig overraskende. Riksrevisjonsrapporten er i hovedsak basert på en tilsynsrapport som Helsetilsynet laget i 2013. Deres datainnsamling fant sted fra januar 2013 til og med desember 2013. Det gir med andre ord et ganske godt øyeblikksbilde over tilstanden i det norske beredskapsapparatet omkring regjeringsskiftet, og det er ingen overraskelse at tilstanden på det tidspunktet ikke var god nok. At beredskapen sommeren 2011 feilet på mange plan, er vel kjent. Vi kjenner alle som sitter i denne salen til Gjørv-kommisjonens voldsomme kritikk, som Stortinget også videreførte med enstemmighet. Et stortingsflertall gjentar også i denne innstillingen at beredskapsarbeidet i tiden før 2011 var kritikkverdig. Det er ikke en omkamp, men det er en konstatering av hvilket utgangspunkt beredskapen var på for fire år siden, og vi mener at det er en viktig del av innstillingen å klargjøre det. At det tar tid å korrigere en sånn situasjon, sier seg selv. Vi kjenner også til Justisdepartementets meget krevende arbeidssituasjon i tiden etter 22. juli. Derfor er Riksrevisjonens funn selvfølgelig alvorlige, men alt i alt ikke spesielt overraskende egentlig. Vi har gjennom vårt arbeid med denne saken og spesielt i forbindelse med høringen sett at det har skjedd kraftige forbedringer de siste fire årene, og spesielt vil jeg si at det har vært store forbedringer det siste halvannet året. Enkelte av de påstandene som har versert i offentligheten om at beredskapen er på samme nivå nå som før 22. juli, er enkelt og greit feil. Det er det ikke grunnlag for å hevde i det hele tatt. Det er derimot grunnlag for å si i klartekst at beredskapen er blitt betydelig bedre på basis av tiltak som er gjennomført av forrige regjering og denne regjeringen. I høringen ble det klart at Helsetilsynet ikke lukker sine beredskapstilsyn før avvikene er korrigert. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de planlegger å lukke avvikene innen utgangen av juni. I høringen beskrev Helse- og omsorgsdepartementet Justisdepartementets plan for å lukke disse avvikene som robust, omfattende og god. I høringen framkom det også at dialogen mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gått fra å være svært dårlig til å bli bedre og etter hvert også god. Man har også gjort omorganiseringer internt i Justisdepartementet sånn at man fjerner konflikter og bedrer samordningsfunksjonen i departementet. Så må jeg sette spørsmålstegn ved representanten utålmodighet med at statsråd Anundsen ikke klarte å dempe disse konfliktene raskere, all den tid representanten Kolberg representerer et parti som altså satt med regjeringsmakt og med justisminister i åtte år. Det er en forunderlig kritikk at det å bruke et halvt år, ett år, på å løse en svært krevende situasjon er kritikkverdig, men at det å ikke klare det på åtte år år skal være helt kurant. Det forstår jeg ikke. I sum har man gjennomført 1 046 forskjellige tiltak for å bedre beredskapen i Norge, alt fra å ansette flere hundre nye politifolk til å bedre responstiden for helikopter, få ny politibåt og selvfølgelig også bedre styring og samordning. Det framstår som helt åpenbart at vi er bedre rustet for å håndtere en krise nå enn det vi var for fire år siden. Samtidig er det å sikre innbyggernes trygghet oppgave nummer én for myndighetene. Vi blir, som mange har påpekt tidligere i denne debatten, aldri ferdig med å bedre beredskapen. Det må gjøres kontinuerlig. Derfor er jeg glad for at en samlet komité ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om samfunnssikkerhet og beredskap i løpet av 2016. Det er i tråd med det statsråden har informert komiteen om tidligere, og jeg ser fram til at vi får belyst temaet gjennom den stortingsmeldingen i enda større grad. Jeg vil begynne med det som flere har vært inne på, og som jeg også la vekt på Jeg vil begynne med det som flere har vært inne på, og som jeg også la vekt på i mitt hovedinnlegg, at det aller viktigste med denne debatten og behandlingen av denne saken, knytter seg til det faktum at vi senere i kveld kan samle oss om et enstemmig vedtak som løser opp hva Stortinget trenger for framtida, nemlig en diskusjon om hvordan dette skal håndteres, at en får full sikkerhet knyttet til beredskapsarbeidet. Jeg vil også legge til at det faktum at kontroll- og konstitusjonskomiteen samlet løftet denne saken så fort og behandlet denne saken så fort, har satt fokus på saken, og det i seg selv bidrar sikkert til at regjeringa får en særlig oppmerksomhet om nødvendigheten av å fremme denne meldinga, og at en gjør det på det grunnlaget som Stortinget nå har bedt om. De to tingene til sammen er i alle fall et veldig positivt resultat av den diskusjonen og et helt nødvendig resultat av den. Så noen kommentarer fra min side nå på slutten av debatten til slik den har artet seg. Arbeiderpartiet, jeg og de partiene som har støttet oss i noen av merknadene, sa jo i mitt første innlegg at vi har lært, og jeg sier den setningen én gang til: Vi har lært. Og hva er det vi har lært? Jo, at vi må ta hensyn til de rapportene som kommer, og vi må klare å håndtere dem politisk og rent faktisk. Da er det klart at selv om denne rapporten er begrenset i sin form, peker den på noe så essensielt at det var nødvendig å sette fokus og politisk trykk på den. Det som jeg reagerer på, er at man forsøker å begrense rapportens betydning ved å henvise til at det er bare Helsetilsynets tidsperiode som er av betydning. Det mener jeg er å underkjenne det arbeidet som Riksrevisjonen gjør. Det er mitt svar også på det representanten Skutle nå sa i sitt innlegg rett før meg her, at når vi sier det vi sier om disse anliggendene, så henger det sammen med at vi ikke kan underkjenne det arbeidet som Riksrevisjonen har gjort på selvstendig grunnlag etter at Helsetilsynets rapport er overlevert. Da er det jo gjennomført en egen vurdering, det er gjennomført intervjuer, det er gjennomført alle de prosessene som Riksrevisjonen normalt gjør. Det er derfor vi sier det vi sier, når regjeringspartiene i egen merknad sier at det først og fremst er perioden knyttet til vår regjeringstid dette handler om. Det mener jeg er et politisk prokuratorknep som vi ikke hadde trengt i denne sammenhengen. sammenhengen. Det er det som foranlediger vårt engasjement på dette punktet. Så vil jeg si at jeg synes – og jeg satt lenge på plassen min og tenkte på om jeg skulle bruke det uttrykket, men jeg sier – at det er urimelig å si at vi ikke tar kritikk, I flere av merknadene og i mitt innlegg var jeg veldig tydelig på det. Når vi har en forsiktig kritikk av Anundsens håndtering knyttet til det å rydde opp i Justisdepartementet mellom Politiavdelingen og Rednings- og beredskapsavdelingen, sier jo vi i merknader – og jeg gjentar det fra talerstolen – at det er kritikkverdig at ikke også vår statsråd gjorde det.

Så vil jeg si til slutt at jeg har intet ønske om å være i en polemisk situasjon med representanten Grøvan. Jeg brukte i mediene uttrykket «Kristelig Folkeparti et stykke på vei» – jeg sa «et stykke på vei». Det som var min begrunnelse for det utsagnet,

rapport. Det siste er merknaden på slutten, som var initiert fra Venstre, om at det etter 22. juli fram til regjeringsskiftet dessverre ikke var blitt noe særlig bedre – det da også under henvisning til at Hareide, som jo er Kristelig Folkepartis leder og parlamentariske leder, var leder for spesialkomiteen her i Stortinget, hvor også nåværende justisminister og jeg satt, og hvor regjeringa lojalt fulgte opp behandlingen og konklusjoner knyttet til den rapporten. Og da sa jeg: «Kristelig Folkeparti et stykke på vei». At det så avstedkommer at representanten Grøvan mener at jeg i så sterk grad ikke gjør det jeg bør gjøre som komiteens leder og som saksordfører, saksordfører, hører jeg at han sier, men jeg har i alle fall nå forklart hva som er mine betraktninger rundt det, og jeg mener at det holder. Jeg noterer meg at komitélederen ikke ønsker å gå tilbake på de uttalelsene han har

ikke legger Riksrevisjonens rapport til grunn, at vi ikke er enig i den, at vi kommer med kritikk av den, osv., noe som altså ikke er riktig. Jeg noterer meg at han har en omtrentlig måte å svare representanten Grøvan på på dette punktet, men han tar altså ikke avstand fra at de uttalelsene han har gitt til pressen, er uriktige. Jeg skulle egentlig starte med først å vise til representanten Solhjells ord. Nå er ikke vedkommende i salen, noen vil få formidlet til ham at jeg setter veldig stor pris på ham. Jeg opplever ham som en veldig reflektert og god representant og har respekt for det han står for, men jeg føler ikke at den sammenligningen han gjorde, var helt presis. Jeg kritiserte beredskapsarbeidet da rapporten ble lagt fram i media, og det ble en stor debatt i media om at beredskapen ikke var god nok. Basert på dette har jeg sagt at den var for dårlig. dårlig. Jeg krevde også høring, og høring ble det. Og jeg var ikke alene om å kreve høring etter hvert. Jeg sa også at beredskapen ikke framstår som en tøddel bedre etter 22. juli. Det var basert på både det som kom fram i rapporten, og det som kom fram i mediene, uttalt av riksrevisoren selv. Jeg kritiserte også den gangen statsråden. Og jeg kritiserte statsråden her i salen i sted, da jeg holdt min innledning, og også i høringen, for at statsråden ikke tok kritikken på alvor i sitt svarbrev, der han tilbakeviste Riksrevisjonens rapport. Men, som jeg også sa herfra, har statsråden klargjort dette både i en pressemelding og – særlig – i høringen, der han fortalte hvorfor han skrev det han skrev, og hvordan det måtte forstås. Han slo helt klart og tydelig fast at Riksrevisjonens rapport ligger til grunn både for ham selv, for Justisdepartementet og for alle underliggende etater. Da synes jeg den biten er ryddet unna. Det som derimot representanten Martin Kolberg som saksordfører og som komitéleder gjorde, var at han først sa noe til NTB som ble sitert av et titalls andre medier, om Kristelig Folkeparti og Venstre – åpenbart uriktige ting, som ikke var til å kjenne igjen i våre merknader. Min måte å kritisere beredskapsarbeidet på våre merknader. Min måte å kritisere beredskapsarbeidet på var ikke uriktig, for Helsetilsynets rapport har jo vist at beredskapen faktisk sviktet på en rekke punkter. Så det å si, basert på de rapportene, at beredskapen ikke er blitt en tøddel bedre osv., er ikke helt sammenlignbart med den bevisst uriktige framstillingen som representanten Kolberg ga. Jeg må si «bevisst», for jeg la inn i mitt innlegg i sted at det kan hende at det var en misforståelse her, at det kan hende at noe annet kan ha skjedd, at det ikke var bevisst. Da hadde man anledning til å si fra talerstolen at det ikke var bevisst, og at det ikke var slik det var ment, men det gjorde ikke representanten Kolberg. For å gå litt videre på dette: Denne NTB-meldingen kom natt til tirsdag. Et par dager etterpå – så vidt jeg vet, var det i

mellomrom, da man har hatt betenkningstid når det gjelder dette. Det er noe annet at en bevisst uriktig gjengir både Kristelig Folkeparti og Venstre, enn at jeg kritiserer beredskapsarbeidet for å være dårlig og krevde høring basert på Helsetilsynets rapport og på Riksrevisjonens rapport, og at vi faktisk har hatt en høring. Så med respekt for Solhjell – jeg liker representanten veldig godt – var ikke det en helt god sammenligning, synes jeg. At jeg ikke har villet takke saksordføreren fra talerstolen for det arbeidet han har gjort, ligger dels i dette, og dels i at dette muligens kan framstå som en bevisst strategi for å dra sakens kjerne og oppmerksomhet bort fra hva den bør handle om, altså helsetilsynsrapport nr. 3, som er en klar dom over

når man gjør dette i kraft av å være saksordfører, er det ikke noen grunn for meg til å rose saksordføreren. Da er det veldig vanskelig å stå bak saksordføreren. Da blir vi uriktig dratt inn i noe som vi ikke har sagt eller står for, for vi står bak Riksrevisjonens rapport, både Kristelig Folkeparti og Venstre. Når dette kommer på toppen av en tendensiøs saksframstilling, når eget partis arbeid blir framstilt bedre og fordelaktig, synes jeg at det blir vanskelig å sette pris på det arbeidet. Jeg vil bare legge til at jeg ellers setter særdeles stor pris på komitéleder Kolberg. Vi har et utmerket, godt forhold. Jeg liker representanten Kolberg veldig godt, men akkurat i denne saken synes jeg at dette ikke er noe man kan si er prisverdig. Jeg forsøkte også å ta opp dette med ham på tomannshånd, men når det ikke førte til noe, måtte dette sies herfra. Når det

Og helsetilsynsrapport nr. 3, som i utgangspunktet hovedsakelig dreier seg om Grete Faremos periode – en måned eller to inn i Anundsens, men det er ikke nevneverdig, og lite grann bakover i tid inn i Storbergets, men det er heller ikke nevneverdig – viser jo helt klart de bruddene som jeg gikk igjennom i min innledning i sted. Det viser at man faktisk ikke har lært, og så står man og sier at jo, vi har lært, og så står man og sier at jo, vi har lært, og så gjentar man: Jo, vi har lært, jo, vi har lært. Men Grete Faremo og forrige regjering lærte egentlig ikke, må jeg med respekt melde. Helsetilsynsrapport nr. 3 viser det motsatte av læring. Vi fikk demonstrert med all tydelighet hvordan man ikke tar noe selvkritikk i høringen, når man hele åtte ganger og dette kan man telle gjennom referatet – får anledning til å svare på om tidligere justisminister tar selvkritikk: Kan du nevne noe du tar selvkritikk på? Tidligere justisminister kunne ikke ta selvkritikk på noen ting, ting, men startet svarene med: Det vi har gjort, er …, og det jeg først må få lov til å si, er … Det er typiske politikersvar i Dagsnytt 18-sendinger, hvor vi snakker oss bort fra problemene. Men i en så viktig sak for kontrollkomiteen å sitte i stortingshøring om dette og ikke ville svare direkte på spørsmålene er ikke akkurat å si at man har lært. Unngår man bevisst hva Arbeiderpartiet har gjort og ikke gjort i dette, da har man ikke lært. Og når man bevisst forsøker å ta oppmerksomheten bort fra det arbeidet som er gjort og ikke gjort, og heller fokuserer på uenigheten om Riksrevisjonens rapports tyngde, tydelighet, betydning osv., driver man egentlig ikke med læring. Jeg forstår at representanten Martin Kolberg ikke ville ha en polemisk diskusjon med representanten Grøvan om dette, selv om jeg og han tok opp de samme punktene, men jeg er helt klar og tydelig på at jeg er klar for å ta en polemisk diskusjon om dette dersom representanten Kolberg ønsker det. Presidenten finner grunn til på dette tidspunkt i all vennskapelighet og så forsiktig hun kan å minne om at vi har en veldig lang kveld foran oss. Det inkluderer seks saker fra transport- og kommunikasjonskomiteen.

den skulle fungere den gangen man gikk til opprettelse av den. Jeg har hatt gleden av å lese denne innstillingen de siste dagene. Jeg vil anbefale flere av komiteens medlemmer den lesningen – i dag kanskje særlig adressert til saksordføreren. Der står det nettopp at en forutsetning for at komiteen skal kunne opptre med autoritet, er at en hever seg over partipolitisk småkrangel. Det betyr at hvis man skal få frem samlende innstillinger fra komiteen, må man begynne med det arbeidet allerede i komiteen. Andre talere før meg har vært inne på at dette hastepreget som ble presset på komiteen, også har gått ut over komiteens arbeid – for dem som måtte ha forhåpninger til at komiteen kunne samle seg om noe som var en felles faktabeskrivelse. Jeg må også minne om at vi har hatt andre høringer som har vært bygget opp ut fra nokså ville spekulasjoner, og da er det ikke Riksrevisjonens rapporter jeg sikter til, avisoppslag. Jeg bare nevner at vi har brukt veldig mye av Stortingets og også vår egen tid på en fullstendig ørkesløs høring om plasseringen av et sykehus som alle visste skulle foretas av landets helseminister. Det er klart at hvis man legger seg til en holdning ut fra andres påpekninger og bidrag hvor man møter mistenkeliggjøring, klarer vi ikke å få til det fellesarbeidet som skal til for at våre innstillinger blir lyttet til. Vi klarer ikke svært mange slike forestillinger til før vi blir tatt av plakaten. Jeg skal være kort. Jeg har lyst til å starte med at også jeg har den dypeste respekt for representanten Kolberg som

representanten Kolberg kunne ha vært litt tydeligere på, er framstillingen av at vi ikke har tatt riksrevisjonsrapporten på alvor. Ti ganger i innstillingen, i våre merknader, står det at vi tar den på alvor. Vi har også vist til Helsetilsynets rapport, det er greit, men vi har sagt ti ganger at det er alvorlige funn, at det er ting som vi skal ta på høyeste alvor. Da synes jeg det blir spesielt at det skal skapes et inntrykk av at det bare er Arbeiderpartiet som tar dette på alvor, og ikke vi andre. Det hadde jeg håpet at representanten Kolberg som saksordfører kunne ha vært tydelig på og gitt oss medhold og støtte i. Vi har vurdert rapporten nøye, høringene nøye, og funnene nøye. At det da skal forplante seg et inntrykk av at riksrevisjonsrapporten ikke har betydd veldig mye for oss – og det samme for Venstre – skaper et feilaktig inntrykk, så jeg hadde håpet at representanten Kolberg kunne ha vært tydelig på det. Ellers vil jeg si at jeg er veldig glad for at Kolberg tok opp dette med å få saken på dagsordenen her i dag. Jeg synes det var et riktig initiativ. Det å kunne få en kjapp det å få fokusert på saken og få politisk trykk støtter vi fullt ut, og vi tror det var en riktig måte å behandle det på, selv om vi godt kunne ha tenkt oss litt mer tid. Ellers vil jeg bare si at jeg opplever at selv om vi har gått litt inn og ut av forskjellige merknader og framstilt ulike sider ved saken med ulike formuleringer, så er vi enige om vedtaket. Det synes jeg er veldig viktig. Vi har en holdning, en ambisjon, om å løfte dette viktige området videre framover, og jeg tror ikke vi er veldig uenige om veien videre. Vi er litt uenige om hvordan vi kan karakterisere det som har skjedd, men jeg tror vi er veldig enige om at Riksrevisjonens funn, Riksrevisjonens påpekninger, skal følges opp fullt ut.

Man har anledning til å ta ordet og si det, men jeg forstår at stoltheten står i veien. Det er ikke akkurat å si at vi har lært. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Riksrevisjonen har lagt fram en fyldig melding om sin virksomhet i 2014. Jeg legger fram en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om meldinga. Det er komiteens vurdering at meldinga på en god måte beskriver Riksrevisjonens arbeid og virksomhet i 2014. Komiteen er

Både denne og tidligere meldinger viser at Riksrevisjonens arbeid er helt avgjørende for at Stortinget skal kunne utføre sin kontroll med regjeringa og forvaltninga på en god måte. Riksrevisjonen skriver i meldinga at det er behov for kontinuerlig forbedring av prosesser og systemer for å lykkes i sitt oppdrag. Det er betryggende at Stortingets største eksterne kontrollorgan fokuserer på dette. Riksrevisjonen gjennomfører brukerundersøkelser for de ulike revisjonstypene hvert år. Det er positivt at Riksrevisjonen på denne måten innhenter tilbakemeldinger fra reviderte virksomheter og departementer. Komiteen har merket seg at brukerundersøkelsene generelt gir gode resultater – dette gjelder alle revisjonstypene. Det vitner om at Riksrevisjonen er en organisasjon som høster stor respekt hos Det er mye som tyder på at det er et godt samspill mellom Riksrevisjonen og forvaltninga. Det er imidlertid noen utfordringer som jeg vil peke på fra mitt ståsted. Det er ikke alltid forvaltninga følger opp det som blir påpekt av Riksrevisjonen. Det skjer for ofte at Riksrevisjonen må påpeke de samme svakhetene igjen og igjen. Det er derfor viktig at forvaltninga evner å ta lærdom av Riksrevisjonens arbeid, det være seg regnskapsrevisjon, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. De diskusjonene som oppstår i kjølvannet av Riksrevisjonens arbeid, er viktige for utviklinga av en god og effektiv forvaltning i Norge. Det er kanskje forvaltningsrevisjonen som oftest blir gjenstand for diskusjon. Det hender også at medlemmene av kontroll- og konstitusjonskomiteen kan ha ulike meninger om detaljene i forvaltningsrevisjonen. Det er avgjørende å minne om at dette også er et uttrykk for at Riksrevisjonen fokuserer på aktuelle og viktige politikkområder gjennom forvaltningsrevisjonene. Det skal vi være takknemlige for. Riksrevisjonen ble omorganisert per 1. mai 2014. Komiteen håper at omorganiseringa kan bidra til en god utvikling i organisasjonen. Riksrevisjonen representerer høy faglig kompetanse, også internasjonalt, og det er viktig at det sterke kompetansemiljøet bevares og videreutvikles. Avslutningsvis vil jeg si litt om Riksrevisjonens internasjonale arbeid og aktiviteter. Norge har en sterk riksrevisjon – også internasjonalt. Det er nok ikke tilfeldig at den norske riksrevisjonen er ettertraktet som medlem i såkalte fagfellevurderinger, der riksrevisjoner vurderer hverandres revisjonspraksis og organisasjon. Som et eksempel fra meldinga kan jeg nevne at den norske riksrevisjonen for fjerde gang har deltatt i en fagfellevurdering av den amerikanske riksrevisjonen. Det er andre gangen den norske riksrevisjonen har ledet dette arbeidet. Det er etter min vurdering et uttrykk for høy faglig kvalitet som andre lands riksrevisjoner også anerkjenner. Komiteen er også tilfreds med at Riksrevisjonen hjelper andre land med å bygge opp en god statlig revisjonsmyndighet. Riksrevisjonens bistandsprosjekter bygger på en tankegang om at en uavhengig og effektiv riksrevisjon er en grunnleggende forutsetning for en velfungerende offentlig sektor. Det er meget viktig for bekjempelsen av korrupsjon. Meldinga omtaler Riksrevisjonens institusjonelle samarbeidsprosjekter i flere forskjellige land. Komiteen mener det er positivt at Riksrevisjonen kan bidra til et bedret styresett på denne måten. Komiteen slutter seg til innholdet i Riksrevisjonens melding, og det er en enstemmig komité som legger den fram som innstilling til Stortinget. Flere har ikke bedt om ordet til sak

og lagt fram en enstemmig innstilling. Komiteen har ikke noe å bemerke til protokollene, verken når det gjelder benådningssaker, embetsutnevnelser eller fastsatte, endrede eller opphevede forskrifter. Forskrifter som er fastsatt av Kongen i statsråd, inngår som en del av komiteens halvårlige gjennomgang av statsrådets protokoller. Komiteen har som ledd i sin gjennomgang bedt Stortingets utredningsseksjon om å foreta undersøkelser av utvalgte forskrifter for å se om disse er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Komiteen har ikke funnet grunnlag for å foreta nærmere undersøkelser av noen av forskriftene som er fastsatt i statsråd i andre halvår 2014.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

Denne saken handler om trafikksikkerhet, og alle partiene på Stortinget deler visjonen om null drepte i trafikken. Et tapt liv i trafikken er ett for mye, og da er det godt å se at stortingsflertallets økte satsing på trafikksikkerhet, som kraftig vekst i veivedlikehold, flere midtdelere, tre ganger så mange rumlefelt og fire ganger så mange kontroller av tunge kjøretøy, gir og at nedgangen i antall dødsulykker fortsetter. Dette er veldig bra. Hele komiteen er opptatt av å gi bilistene en tryggere hverdag. Men saken i dag handler om bruk av ett konkret virkemiddel, nemlig streknings-ATK, eller gjennomsnittsmåling. Her er synspunktene delte. Det er ingen tvil om at de som ønsker utstrakt bruk av streknings-ATK, har økt trafikksikkerhet som mål. Jeg betviler heller ikke at streknings-ATK kan ha en viss effekt, men rapporten bør ikke leses som den eneste sannhet, for den har klare svakheter. TØI skriver selv at datagrunnlaget burde ha vært omtrent fem ganger større, og vi som politikere kjenner jo godt til at når det gjelder meningsmålinger, skal man minst ha over 1 000 spurte for at det skal gi et reelt bilde. Så når TØI skriver at det burde vært fem ganger større enn det som har vært grunnlaget, er det viktig å merke seg det. Videre skriver de at ulykkesreduksjonen kan være et resultat av tilfeldigheter, men at de likevel har konkludert med at nedgangen trolig skyldes streknings-ATK. Jeg leste rapporten på nytt i går, og tok da kontakt med TØI og hun som hadde skrevet rapporten. rapporten. Hun kunne dokumentere årsakene til de 22 dødsulykkene som blir nevnt i rapporten. Det mener jeg er det mest vesentlige i denne sammenhengen. Jeg spurte hvor mange av disse som skyldtes høy fart, og hvor mange som skyldtes andre årsaker, som kjøring i rus, veiens forfatning, selvmord, vanskelige værforhold, bilens kjøretekniske tilstand, osv. Jeg fikk da til svar at det var

altså møteulykker hvor personbil treffer vogntog, personbil treffer syklist eller MC, eller hvor gammel Lada treffer ny SUV – var årsak til 31 pst. av dødsulykkene i 2012, dvs. en tredjedel. At bilen er gammel og ikke har moderne sikkerhetsutstyr, er medvirkende årsak og faktor til dødsfall i nesten halvparten av dødsulykkene,

På denne bakgrunn skulle jeg ønske at Stortinget kunne ha støttet vårt forslag om at det er naturlig å gå igjennom retningslinjene og bruk av streknings-ATK i forbindelse med den varslede trafikksikkerhetsmeldingen. Et moment som Stortinget dessverre ikke ser ut til å være opptatt av lenger, er personvern og overvåking. Nå er det riktig at bildene automatisk vil bli slettet om man ikke har kjørt ulovlig, men i alle saker hvor Stortinget skal drøfte utfordringer ved overvåking, er vi nødt til å se det i en større sammenheng. ved overvåking, er vi nødt til å se det i en større sammenheng. Med noen få tastetrykk kan man enkelt omgjøre ordningen med streknings-ATK sånn at bildene ikke blir slettet. Det vil ikke skje under denne regjeringen, og det vil trolig heller ikke skje under neste regjering, men vi vet ikke hvordan samfunnet vil være om 10 eller 20 år. Da mener jeg at det vil være problematisk å tilrettelegge for utstrakt overvåking av lovlydige borgere, og vil av personvernhensyn sterkt advare

for at de støtter forslaget. Reaksjonene på forslaget lot ikke vente på seg fra dem som jobber med trafikksikkerhet. Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk, sa i sin pressemelding: «Dette er en gledelig beslutning. Streknings-ATK redder liv, og tiltak som virker må tas i bruk.» UP-sjef Knut Danielsen uttalte til Rana Blad: «Det er en skikkelig gladnyhet for alle som jobber for trafikksikkerhet at flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen i dag går inn for at det igjen skal satses på gjennomsnittsmåling av fart over lengre strekninger med fotobokser.» Jeg synes det er oppsiktsvekkende at vi har en regjering og en samferdselsminister som har stoppet muligheten for å ta i bruk dette effektive virkemidlet. Skal vi nå nullvisjonsmålet, er det viktig at vi tar i bruk et bredt spekter av tiltak. Tiltaket ble i fjor evaluert av Transportøkonomisk institutt, og konklusjonen var 49–54 pst. reduksjon av drepte og hardt skadde. Funnet er i samsvar med tidligere evaluering – det er ikke bare og bekreftes i internasjonale studier. Høg fart er en av de viktigste forklaringsfaktorene ved dødsulykker. Streknings-ATK og vanlig ATK er effektive supplement til politiets ordinære kontroller. Regjeringen må nå reversere sin avgjørelse om å stoppe videre bruk av fotobokser som måler gjennomsnittsfart. Regjeringen må også omgjøre avslaget på søknaden fra Vegdirektoratet om å sette opp gjennomsnittsmåling i i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen i Møre og Romsdal. Nullvisjonen og de nasjonale målsettinger for ytterligere reduksjon i antall drepte og hardt skadde på vegene de neste åra er ambisiøse mål og krever at vi tar i bruk hele verktøykassen med tiltak for å nå målene. Regjeringen sa i regjeringserklæringen at de ønsker å redusere bruken av strekings-ATK, men sa samtidig at de skulle evaluere Evalueringen er gjort, den var ferdig i fjor høst. Konklusjonen var, som sagt, en reduksjon på oppimot 54 pst. av hardt skadde og drepte. Til tross for dette avslo Samferdselsdepartementet i mars i år – uten begrunnelse – søknad fra Vegdirektoratet om å sette opp streknings-ATK i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen på rv. 658 i Møre og Romsdal.

Akershus. Akershus fylkeskommune har vedtatt streknings-ATK på en kort strekning på fv. 170. Elleve personer har omkommet og flere titalls er skadd siden 2000 på denne 5,9 km lange strekningen mellom Heia og Mork. Nå kan òg denne søknaden etterkommes. Målrettet arbeid for økt trafikksikkerhet på veg over tid har gitt gode resultater, men fortsatt blir altfor mange mennesker drept og hardt skadd i trafikken. Trafikkulykkene fører til ekstreme lidelser for menneskene som rammes, og koster samfunnet store summer. Derfor er det uforståelig at regjeringen har stilt seg på sidelinja og ikke støtter dette forslaget som er et av virkemidlene når det gjelder innsatsen for å nå nullvisjonen. Arbeiderpartiet mener at både vegstandard og kjøretøyets beskaffenhet er viktige trafikksikkerhetstiltak. Vi vil derfor videreføre satsingen på både utbygging og vedlikehold samt på tiltak for videre fornying av bilparken. Fremskrittspartiet og Høyre argumenterer med at de heller vil bygge og vedlikeholde veg samt prioritere trafikksikkerhetstiltak som forsterket midtoppmerking, vegbelysning og kontroll av tunge biler. Argumentasjonen er problematisk. Alle disse tiltakene er gode – vi er enig i dem – men de virker på forskjellig måte. Disse tiltakene bør derfor ikke settes opp mot hverandre.

Vi må jage etter alle de trafikksikkerhetsgevinster vi kan, på både kort, mellomlang og lang sikt. Arbeidet med trafikksikkerhet består i å gjøre mange tiltak samtidig. Det er viktig å ha en bred tilnærming til dette arbeidet. arbeidet. Regjeringa har varslet at den vil legge fram en helhetlig trafikksikkerhetsmelding for Stortinget i 2016. Den meldinga vil representere en milepæl i trafikksikkerhetsarbeidet, og Stortinget vil bli invitert til en helhetlig diskusjon om temaet og ikke bare vurdere hvert enkelt tiltak for seg. Det er positivt å se at vi nå er på et nivå når det gjelder hardt skadde og drepte i trafikken, som er det laveste til tross for dramatisk mange flere kjøretøy på veiene. Utviklinga for 2015 ser foreløpig bra ut. Det viser at mange av de tiltakene som er iverksatt, faktisk virker, men det er en påminnelse om at vi ikke er i mål med nullvisjonen. Hver enkelt vi mister i trafikken, er en for mye. Regjeringa har siden oktober 2013 iverksatt flere tiltak som har bedret trafikksikkerheten. Det aller viktigste er den økte satsinga på vedlikehold og fornying av veiene våre. For første gang på flere tiår reduserer vi nå vedlikeholdsetterslepet. Det betyr at veiene blir mer framkommelige, men også at de blir sikrere å kjøre på. Satsinga på veibygging har aldri vært større. Når vi i tillegg denne uka behandlet Meld. St. 25 for 2014–2015, På rett vei, representerer det et historisk tidsskille i utbygginga av møtefrie veier i de mest befolkningstette områdene i landet. I tillegg blir det bygd mer midtrekkverk og forsterket midtoppmerking på eksisterende veier enn det som var målet i Nasjonal transportplan. Bare i 2014 er det etablert forsterket midtoppmerking på 212 km riksvei, mens målet var 74 km. Det siste er en konsekvens av regjeringas forsering når det gjelder dekkelegging på veiene. Flere møtefrie veier og forsterket midtoppmerking er kanskje det mest effektive tiltaket vi kan sette i verk for å redusere Denne regjeringa har også firedoblet antall kontroller av tunge kjøretøy, og det blir tatt i bruk ny teknologi for å gjøre disse kontrollene mer effektive. I tillegg er konsekvensen for dem som ikke overholder regelverket, blitt strengere. Dette vil utvilsomt ha en preventiv effekt og bety at stadig færre vil ta sjansen på å kjøre ulovlig, med den positive effekten det vil ha for trafikksikkerheten.

Så til streknings-ATK. Det er allerede i dag etablert automatisk fartsmåling mange plasser i landet, ca. 300 fotobokser. På 23 strekninger er det etablert såkalt streknings-ATK. Vilkårene for å etablere gjennomsnittsmåling er allerede i dag relativt strenge. Bakgrunnen for det er nok et behov for å avgrense denne typen virkemiddel til strekninger som er spesielt ulykkesutsatt, samtidig som bruk av streknings-ATK må ses opp mot andre trafikksikkerhetstiltak. Bruk av streknings-ATK har nok utvilsomt en betydning for reduksjon av fart, men samtidig kan det bidra til unaturlige kjøremønster siden mange reduserer farten unødvendig mye og dermed kan bidra til å skape både utålmodighet og farlige situasjoner i trafikken. Vi er ikke imot å bruke streknings-ATK i enkelte tilfeller. Som statsråden også peker på i sitt svarbrev til komiteen, kan det f.eks. være aktuelt å bruke denne typen fartsmåling i der det er vanskelig å kontrollere fart på annen måte. Det er en vurdering som må gjøres i hvert enkelt tilfelle, og jeg har tillit til at det er gjort for de to tunnelene i Ålesund. Det vil bli en helt håpløs praksis om Stortinget skal begynne å behandle plassering av hver enkelt fotoboks, slik det nå legges opp til i denne saken. Derfor har Høyre og Fremskrittspartiet fremmet et forslag der vi ber regjeringa om å vurdere kriteriene og retningslinjene for bruk av ATK og

og han har Kristelig Folkepartis fulle støtte. Men for oss er det ingen motsetning her. Dersom vi skal få tryggere trafikk på veien, må vi gjøre flere ting samtidig. For eksempel har rumlefelt og gjennomsnittsmåling to helt ulike formål og bør derfor ikke stilles opp mot hverandre og sammenlignes. Mens forsterket midtoppmerking er et tiltak rettet mot trøtthet og uoppmerksomhet,

Men hadde streknings-ATK ført til flere alvorlige ulykker, ville det ha vist seg i ulykkesstatistikken. Fagmiljøene må jobbe kunnskapsbasert. Vi vet at dette virker. Noen få enkeltstrekninger har hatt flere ulykker etter at ATK ble installert, det har vi registrert. Andre steder er ulykkene helt borte. Men tallene er små, og vi kan derfor ikke splitte opp tallene på denne måten. Vi må se på den gjennomsnittlige effekten, som ifølge Transportøkonomisk institutt er inntil 54 pst. færre drepte eller hardt skadde. TØI mener at denne konklusjonen er meget solid og står på trygg faglig grunn. Det vil si at vi her snakker om et tiltak med en betydelig positiv effekt. Hvilke tiltak kan gi over 50 pst. reduksjon i antall drepte og hardt skadde? To rapporter fra TØI, bestilt av dagens regjering, dokumenterer effekten av fotobokser. På 14 strekninger med gjennomsnittsmåling av fart er antall personskadeulykker redusert med mellom 12 og 22 pst., og antallet drepte eller hardt skadde er redusert med Rapporten konkluderer med at effekten ved bruk av gjennomsnittsmåling er minst like stor i tunneler som på åpen vei. Også TØIs konklusjoner for punktmålinger ved fotobokser viser at fotoboksene har god effekt på farten der målingen blir gjort. Nå satses det på infrastruktur og utbedringer. Det er veldig bra. Veiens beskaffenhet er veldig viktig for sikkerheten. Men vi må ikke bruke det som argument for å utelukke fotobokser. Vi må bruke ulike tiltak, avhengig av behovet som er på den enkelte strekning. Det hjelper f.eks. ikke med tungbilkontroll og vedlikehold når problemet er høy fart i en spesifikk tunnel. Det nasjonale målet om reduksjon i antall drepte og hardt skadde fram mot 2018 bygger på at reduksjon av fartsnivået skal stå for 25 pst. av denne reduksjonen. Da må vi bruke ulike virkemidler, og streknings-ATK er ett av dem, et av de veldig effektive.

Senterpartiet mener at de nasjonale målene for trafikksikkerhet må være ambisiøse, og at det er nødvendig med flere ulike tiltak for å få ned tallene på drepte og hardt skadde i trafikken. Flere av de foregående talerne har redegjort godt for ulike nødvendige tiltak. Jeg viser også til at strekningsvis ATK er evaluert. TØI konkluderte med en reduksjon på inntil i antall drepte og hardt skadde der man hadde ATK. Det mener jeg er et godt grunnlag for å si at det er et av de tiltakene vi bør videreføre. Det er mange som velger å kjøre veldig fort på strekninger og i tunneler der de slett ikke burde gjøre det, og de setter både seg selv og andre i fare. Jeg ser i media at en del er tatt i over 200 km/t i enkelte av tunnelene i mitt eget hjemfylke. Det er høvelig heftig. Jeg registrerer også at Fremskrittspartiet i mitt hjemfylke, Nordland, har sagt at de er positive til ATK under én forutsetning – at man øker fartsgrensen noe i de tunnelene. Det er heller ikke lenge siden vi så en oversikt fra UP om høy fart på en rekke strekninger, og de hadde knepet 16 førerkort på bare en liten økt en dag. Det sier noe om at det er behov for tiltak som reduserer farten på veiene. Senterpartiet er svært tilfreds med at flertallet har samlet seg om det forslaget som vi la fram, og at strekningsvis ATK kan tas i bruk på særlig ulykkesutsatte strekninger og i tunneler når det er i tråd med faglige anbefalinger anbefalinger og etablerte retningslinjer. Det ble fra saksordføreren vist til at det var et problem når det gjaldt overvåking. Jeg mener at det ikke er det. Personvernnemnda konkluderte i 2011 med at streknings-ATK ikke er i strid med personvernloven. Dermed er det ingen gode grunner for å si nei til det, men og la det være et av de mange tiltakene vi trenger i trafikksikkerhetsarbeidet. Venstre er ja og la det være et av de mange tiltakene vi trenger i trafikksikkerhetsarbeidet. Venstre er opptatt av å redusere antall ulykker. Det er mange tiltak som bidrar til dette. For å få færre ulykker, og i særdeleshet færre alvorlige ulykker, betyr farten mye. Tidligere har Venstre sagt nei til gjennomsnittsmålinger ut fra personvernhensyn. Dette standpunkt har vi Streknings-ATK eller gjennomsnittsmålinger gjennomføres nå på en slik måte at data om biler som ikke kjører over lovlig hastighet, blir slettet umiddelbart. Derfor har personvernnemnda konkludert med at gjennomsnittsmåling ikke strider mot personvernloven. Vi har derfor endret standpunkt. Gjennomsnittsmåling utføres i dag slik at personvernet er godt ivaretatt.

er gjennomsnittsmåling også en løsning. Gjennomsnittsmåling skal ikke komme istedenfor andre gode trafikksikkerhetstiltak, men som et supplement der dette ikke er nok. La meg begynne med å si at jeg er

La meg begynne med å si at jeg er veldig glad for at forslaget som jeg har vært med på å fremme, får flertall i dag. I tråd med det Statens vegvesen sier i sin strategi – at streknings-ATK framstår som et effektivt trafikksikkerhetstiltak som kan bidra til å redusere antallet drepte – er dette et jeg ser få betenkeligheter med. Det ble trukket fram av Åse Michaelsen at dette er et kontroversielt tiltak, men – med all respekt – jeg har bare oppfattet at det er Fremskrittspartiet som oppfatter det som et kontroversielt tiltak. Når jeg snakker med andre folk – som da jeg var i Ålesund og diskuterte streknings-ATK, gjennomsnittsfartsmålinger, med sunnmøringene – er det en klar forståelse av at dette er et fornuftig tiltak,

var fart involvert i 50 pst. av alle dødsulykker – i 2012 riktignok redusert til 28 pst., hvis jeg ikke tar feil, etter en kampanje rettet mot bilistene – er det ingen tvil om at fart er knyttet til en betydelig andel av dødsulykkene. Det er lett for noen i debatten å blande gjennomsnittsfartsmålinger med vanlige fotobokser. Ved vanlige fotobokser opplever man at folk bremser ned, og at man får en rykk-og-napp-kjøring – jeg er helt enig

hvorfor Fremskrittspartiet virker å ville holde en beskyttende hånd over råkjørere. Jeg forstår det ikke. Etter at Fremskrittspartiet kom i regjering, har de økt fartsgrensene på motorveiene, men de har ikke vært villige til å komme med de restriktive tiltakene som skal til for å bremse de folkene som kjører for fort. er etter min oppfatning et godt eksempel på at man lar være å gjøre noe som vi vet virker. Jeg synes også at Kristelig Folkeparti hadde et godt innlegg som nettopp viste forskjellen mellom det som handler om midtdelere og rumlefelt, og streknings-ATK. Rumlefelt tar én type trafikkulykker, er effektivt og må gjennomføres. Streknings-ATK sørger for å redusere farten. Det er veldig bra. Det som er

altså Valderøytunnelen og Ellingsøytunnelen? Hvor raskt kan vi regne med at det kommer opp gjennomsnittsfartsmålinger der? Det er et billig tiltak. Hvor raskt kan vi regne med at det kommer? Og andre steder der folk har ønsket tiltak – som fv. 170 i Akershus,

Tallet på trafikkdrepte i 2014 var 147. Det er 147 mennesker som har gått bort altfor tidlig, og familie, venner og kollegaer savner noen de er glad i. Det gledelige i dette er at det er 40 færre enn i 2013, men det er fortsatt 147 for mange. Så langt i 2015 har vi sett at utviklingen fortsatt er positiv. Per utgangen av mai var det 42 drepte i veitrafikken, sammenlignet med 57 året før. Trenden nå viser at det blir det minst tragiske året på norske veier siden krigen. Det er noe å glede seg over i alt det som er leit. I dette arbeidet er det viktig å ha en helhetlig tilnærming. Trafikksikkerhetsarbeid inneholder mange ulike faktorer. I handlingsplanen som vi jobber etter, er det 122 ulike tiltak, innrettet på alt fra enkle holdningskampanjer, føreropplæring og tekniske ting med biler til de store veiprosjektene, som koster mye penger, og som tar lang tid. Fotoboks er et av virkemidlene. Det er allerede over 300 fotobokser på veiene. De veistrekningene som er omdiskutert, er ikke plutselig blitt farlige nå. Som forrige taler nevnte, har det vært trafikkdrepte der i lang tid. Allikevel ser vi at det har ikke blitt satt opp fotobokser, ei heller av forrige regjering. Så at fotobokser er det som løser alle problemer, blir for enkelt. At fotobokser har en effekt, er det ingen tvil om, men mange ulike grep har effekt. Vår regjering har prioritert å ta grep der en har nedprioritert for mye tidligere. Ofte har fotobokser blitt det enkle grepet som gjør at en dårlig vei forblir dårlig, men med litt mer kontroll. Vår tilnærming vil være heller å bruke mer penger på å ruste opp veien, slik at den blir bedre og tryggere i hverdagen. I Statens vegvesens årsrapport for 2014 er dette synliggjort. Statens vegvesen gir hvert år ut en årsrapport, som gir en oversikt over hvilke grep en har tatt på ulike deler av De gjør også en beregning av hva dette betyr i form av redusert antall skadde og drepte ut fra en statistisk vurdering. I budsjettet som ble framlagt av Stoltenberg-regjeringen for 2014, ville virkemidlene som ble tatt i bruk, redusert antall drepte og skadde med i snitt åtte personer. De grepene som ble gjennomført på grunn av ekstrabevilgninger fra dagens flertall, betydde derimot at tallet kom opp i elleve. Så en fikk altså statistisk vist at økt satsing på vei, som dagens regjering og dagens flertall gjør, gir en markert økning i trafikksikkerhet. Statistisk sett vil en ikke få utslag av å sette opp en fotoboks ekstra. Det er et perspektiv en må ha med i denne debatten. Forsterket midtoppmerking har vært nevnt av flere. Ja, vi har fått forsterket midtoppmerking på ca. tre ganger så mye vei som det som opprinnelig var planlagt. Vi har bygd 50 pst. mer midtrekkverk enn det som var planlagt. Så har vi – for å komme inn på det som er temaet – streknings-ATK. Vi har sagt i regjeringserklæringen at det er et virkemiddel vi vil vurdere og evaluere. Det har vært satt ut et oppdrag til TØI. De har gjort en jobb. Det betyr ikke at de dermed gjør regjeringens jobb. Vi har i den siste tiden gjort en evaluering og tenkte i våre planer at den evalueringen skulle inngå som en del av trafikksikkerhetsmeldingen. Det er også bakgrunnen for at vi har sagt nei til den søknaden som har kommet – rett og slett fordi det var en evalueringsprosess og dermed for tidlig å konkludere. Når Stortinget legger opp til å konkludere nå, vil vi selvsagt føye oss etter det og forhåndskonkludere også inn i trafikksikkerhetsmeldingen. Jeg minner om at det er streknings-ATK på plass 23 steder i landet allerede, og det er vanlige fotobokser rundt 300 steder. Etter min vurdering skal streknings-ATK, når det blir vedtatt, brukes der Vegvesenet mener det er faglige begrunnelser for det. Det betyr at Vegdirektoratet vil få den operative rollen med hensyn til å gjøre de vurderingene. Jeg vil ikke ha en tilnærming der vi setter ut fotobokser istedenfor å utbedre veien der veiutbedring trengs, men i der veiutbedring trengs, men i tunneler som er i god stand, kan fotoboks være det som gir ytterligere trafikksikkerhet. Det åpnes for replikkordskifte. Det er

at man her er på rett vei, men skal vi nå målet som er satt i Nasjonal tiltaksplan, må man sette inn alle tiltak for å lykkes. TØI har analysert dette, og i sitt siste magasin, SAMFERDSEL, sier de at om vi skal nå målet i 2024, må man bestemme seg for en sterkere satsing på tiltak. I innstillingen sier vi at 30 pst. av tiltakene skal være fysiske tiltak og 70 pst. trafikant- og kjøretøytiltak. Jeg lurer da på

NRK Østfold hadde en artikkel i februar i år der Vegvesenet sa at nå skulle det komme forsterket midtoppmerking på en veistrekning der. Det ville øke trafikksikkerheten med 60 pst., altså mer enn det en fotoboks vil gjøre. Derfor vil jeg si at det vi har gjort totalt sett, har vært med fokus på å få mest mulig igjen for pengene og trafikksikkerhetsperspektivet. Ministeren svarte ikke på spørsmålet. spørsmålet. Spørsmålet gjelder noe som vi lurer veldig på, og det er hvorfor man ikke vil ta i bruk et virkemiddel som vi vet har stor effekt. Det er vel og bra at man setter i verk de andre tiltakene, og der er vi helt enige med ministeren. Som jeg også har sagt i tidligere debatter, er det å slå inn åpne dører. Men så vil man ikke bruke et virkemiddel som man tok i bruk så sent som i 2009, som man ser har stor effekt, og man ber om tid for å evaluere. Det er vel og bra. Man har evaluert. Det er snart et år siden TØI kom med sin rapport som sa at dette har stor effekt. Både Trygg Trafikk og UP er enig i det. Ja, jeg vet egentlig ikke om noen som sier at dette ikke har stor effekt, annet enn ministeren, som av en eller annen grunn ikke har stor effekt, annet enn ministeren, som av en eller annen grunn ikke vil ta i bruk dette virkemiddelet. Det nytter som sagt ikke å kontrollere trailerne ved Svinesund hvis problemet er høy fart i tunnelene i Møre og Romsdal. Så jeg spør en gang til, og undrer: Hvorfor er ministeren imot å bruke dette virkemiddelet? Det hjelper ikke å komme med forhåndsskrevne replikker der en sier at en ikke fikk svar på spørsmålet, når det var nettopp det en fikk. Representanten Juvik fikk til svar – og det står også skrevet i brev til komiteen – at dette er dette er et tema vi har hatt til evaluering, vi ser det som et virkemiddel inn i trafikksikkerhetsmeldingen. Der er svaret. Så kan en ofte lure når Arbeiderpartiet i opposisjon sier at de er veldig for det som skjer på veivedlikehold, og at de er veldig for det som skjer på kontroll av trailere. Det synes jeg er veldig gledelig, men dette er ikke en ny problemstilling. Dette er ikke et nytt tema. Jeg konstaterer at den satsingen som nå skjer, skjer, skjer først etter at det har kommet et nytt flertall i Stortinget som prioriterer annerledes. Tallene fra Statens vegvesens årsrapport viser jo en markert oppgang i effektene av de tiltakene som ble gjort i 2014, og sammenligner Stoltenbergs budsjettforslag og det vedtatte budsjettet, og da har jeg ingen ting å skamme meg over.

av at man ønsker mer tid til å vurdere det som et tiltak inn mot en handlingsplan og trafikksikkerhetsmelding. Når er det mulig å sette i gang disse prosjektene der det er lokal enighet, fylkeskommunen ønsker dem og Statens vegvesen eller Vegdirektoratet mener at det er gode tiltak? Det sies at det er en del søknader som har fått avslag. Faktum er at vi har hatt én søknad som vi har behandlet – én søknad. Det har ikke kommet noen søknad som gjelder fv. 170 f.eks. Så det er blitt konstruert en debatt om at dette er et tiltak som er blitt etterspurt en rekke steder og at de har fått nei. Faktum er at ett sted har bedt om det. Grunnen til at de fikk nei var rett og slett, som jeg sa i mitt innlegg, en prosess vi hadde med å vurdere og evaluere situasjonen. Da mente vi det var feil å konkludere med ja. Hvis de nå søker om igjen med det vedtaket Stortinget har fattet, vil selvsagt saken bli behandlet på nytt. Det jeg skisserte i mitt innlegg, var at vi ville overlate til Vegdirektoratet å foreta de faglige vurderingene, og så er det opp til dem som mener at de har strekninger som bør vurderes, å sende søknad til Vegdirektoratet nå.

dette? For det andre: Er det sånn at dette må veies opp mot andre tiltak, med andre ord at det finnes penger tilgjengelig for å gjøre dette? Det er alltid sånn at har en brukt en krone, finnes ikke den tilgjengelig til andre områder. Så en vil alltid måtte prioritere vekk noe annet for å sette opp flere fotobokser. Vegdirektoratet vil måtte foreta den vurderingen om de mener den veistrekningen som er omsøkt, faktisk kan få et virkemiddel gjennom streknings-ATK, som gjør at faktisk kan få et virkemiddel gjennom streknings-ATK, som gjør at en oppnår resultater. Det er viktig å understreke at 54 pst. reduksjon i antall drepte gjelder individuelle strekninger. Det er ikke sånn at hvis en har streknings-ATK på alle veier i Norge, halverer en antall dødsfall. Det er ikke så mange som blir drept i trafikken på grunn av fart at det regnestykket hadde gått i hop. Så dette må ses på på det enkelte sted. Derfor vil det hele veien i trafikksikkerhetsarbeidet være en vurdering både av hvilke effekter det har i prosent, men også hvilket omfang det har. En får mer effekt hvis en klarer å redusere risikoen for trafikkdrepte med 10 pst. og det gjelder alle, enn om en reduserer trafikkdrepte med 50 pst. og det gjelder 1 pst. av dem som er på veiene. Jeg har stor sympati for at statsråden vil se på flere tiltak. Det jeg ikke har forstått, er hvorfor man har valgt å prioritere dette bort en periode – nå skal det tas inn igjen i porteføljen. Hvis man ser på spørsmålet om hva som gir mest igjen for pengene, som statsråden nevnte, kan vi jo stille ulike trafikksikkerhetstiltak opp mot hverandre – f.eks. å bygge motorvei, sånn som Bård Hoksrud i sin tid i hele sin opposisjonstilværelse drev på og argumenterte for som et gedigent trafikksikkerhetstiltak. Så er det klart at for 1 km motorvei kan man få ganske mange ulykkesutsatte strekninger med streknings-ATK. Det er derfor jeg er opptatt av

Jeg er ganske sikker på at folk som har ferdes på både E6 gjennom Østfold og E18 gjennom Vestfold, vil si at det å få motorvei på plass på de strekningene har vært et av de absolutt beste trafikksikkerhetstiltakene som finnes. Igjen: Når vi ser på Statens vegvesens årsrapport fra 2014, ser vi at de ekstra grepene som dagens regjering gjorde, gir statistisk utslag på trafikksikkerheten. Det handler om å ha en bred portefølje av tiltak. Jeg registrerer at opposisjonen har hengt seg opp i ett enkelt tiltak.

Hittil i 2015 fortsetter ulykkestallene å gå nedover. Det er interessant å kunne konstatere at slike historisk lave tall på alvorlige ulykker i trafikken ble oppnådd samtidig med at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen stanset utbyggingen av streknings-ATK og brukte ressursene på andre trafikksikkerhetstiltak. Hva viser det? Jo, det viser at veirettede tiltak mest sannsynlig har bedre effekt enn ATK. Innen norsk samferdselspolitikk har vi gjennomført en rekke tiltak for å få ned ulykkene. Jeg kan nevne noen – som utbedring av sideterreng, fokus på kjøreatferd, midtrekkverk, breddeutvidelse, dobbel gul sperrelinje og rumlefelt. Bare et slikt enkelt, men genialt tiltak som rumlefelt og mer gulmaling har vist opptil 40 pst. reduksjon i møteulykker. Det beste konkrete eksemplet på at vi får redusert de alvorlige ulykkene uten bruk av ATK, er rv. 2 Kongsvinger–Sverige. Der stoppet Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen ATK, og der er allerede nullvisjonen innfridd. På den strekningen er det gjennomført en rekke tiltak for å få ned ulykkene, redusert hastighet, rumlefelt og dobbel gul sperrelinje. Jeg synes det allerede er mer enn nok av reguleringer, restriksjoner, kontroll og overvåking i det norske samfunnet, og mener at bruk av ATK tråkker over grensen for akseptable kontrollformer. Men om man først skal bruke ATK, bør vurderingene gjelde strekninger der det virkelig er mange alvorlige personskadeulykker. Det blir feil hvis ATK gradvis skal brukes som et generelt overvåkingstiltak, uavhengig av om det er mange alvorlige ulykker eller ikke på den aktuelle strekningen. Jeg har lyst til å utfordre eksempelvis representanter som Eidsvoll Holmås fra SV, Juvik og Myrli fra Arbeiderpartiet, representanter fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet og spesielt Raja fra Venstre, som er et parti som jeg i hvert fall har oppfattet er opptatt av frihet og ikke av massiv kontroll, regulering og overvåking: Er intensjonen med forslaget som det står skrevet, nemlig at ATK skal brukes på særlig ulykkesutsatte strekninger, eller er det å innføre enda mer generell overvåking også på strekninger der det knapt er

som sagt, 821 hardt skadde og drepte i trafikken. Vi har sammen laget et mål om at det skal ned til 500 i 2024. I TØIs seneste magasin sier de at vi ikke når dette målet hvis ikke vi skjerper bl.a. kontrolltiltakene. Det betyr at vi må ha mer kontroll fra politiet,

Før det lagres på harddisken, blir det kontrollert om man har oversteget fartsgrensen. Har man ikke det, er bildet borte – spredt for alle vinder, for å si det sånn. Det er konstatert at dette ikke er et poeng, og jeg synes det underbygges tungt med at Venstre går med på dette. Streknings-ATK er et tiltak mot fart. Som representanten fra Kristelig Folkeparti sa: Forsterket midtoppmerking, som er et veldig bra tiltak, tiltak, er først og fremst mot uoppmerksomhet og trøtthet. Kontroll av kjøretøyene er et annet generelt tiltak. Ingen i denne salen er imot noen av disse tiltakene, med unntak av at to partier er imot ett av de tiltakene som er et viktig virkemiddel. Selv om ministeren forsøker å komme seg unna det, er fart en viktig årsak. Høy fart, eller for høy fart etter forholdene,

er han som har stoppet Akershus fylkeskommune når det gjelder fv. 170 – for han sa sågar at om han måtte gjøre noe med skiltreglene, skulle han gjøre det – ønsker han ikke den strekningen. Det kan han ikke prate seg bort fra i dag. Jeg vet – for komiteen har vært og reist rundt – at flere fylker gjerne skulle tatt i bruk dette viktige virkemiddelet, men de søker selvfølgelig ikke om det når ministeren har sagt at det ikke er noen vits i å søke. Saka gjeld representantforslag om å gje tilslutning til streknings-ATK på særleg ulykkesutsette strekningar og i lengre tunellar. Statsråden hadde fem minutts taletid, og eg tok tida. Då det var eitt minutt igjen, begynte han å snakka om streknings-ATK. Han brukte dei fire fyrste minutta til å snakka om andre tiltak. tiltak. Eg trur eg veit kvifor regjeringspartia har vore så skeptiske til dette, for eg har lese regjeringserklæringa, og der står det at dei ikkje vil ha streknings-ATK. Lagar ein ei sånn erklæring, må ein jo prøva å levera. Men det som står i regjeringserklæringa, sånn som eg ser det, er at ein tek eit atterhald om at det skal evaluerast. Det me har meint, er jo at det har vore evalueringar, og Det me har meint, er jo at det har vore evalueringar, og at effekten dette har, har vorte dokumentert med prosenttala på reduksjonen i alvorlege ulykker og dødsulykker som er pluss/minus 50 pst. på dei spesielt ulykkesutsette strekningane. Eg synest det verkar lovande at statsråden seier, slik eg oppfattar det, at ein her vil lytta til Vegdirektoratet når det gjeld kor dette skal verk. Så litt til Hege Jensen frå Framstegspartiet, som utfordrar fleire namngjevne representantar. Eg vart ikkje nemnt, men i og med at representanten Sverre Myrli vart utfordra og han er i eit NATO-møte no, kan eg kanskje svara for han. Det gjekk på om ein ville hindra fridomen, og at det var massiv

tunell, gjerne ein undersjøisk tunell som er nokså bein, og så gjev dei på noko så veldig – ikkje alltid, men det hender – og mistar kontroll og deiser inn i fjellveggen, og fleire vert hardt skadde, og uheldigvis vert også fleire gonger fleire drepne. Eg ser for meg at dette kan vera eit tiltak som på sånne strekningar verkeleg kan leggja ein dempar på den typen aktivitet, og kan hindra at me får desse forferdelege ulykkene som også rammar temmeleg blindt. Eg ser fram til at dette skal innførast, slett ikkje overalt, men at me skal få det gjennomført der det

Det blir litt for enkelt, og det er heller ikke veien å gå, mener vi. Men at streknings-ATK kan bli brukt i tuneller, er absolutt viktig å vurdere i trafikksikkerhetsmeldingen som skal komme. Det er også det vi påpeker, at den kommer, og at det bør ses i sammenheng. Det kan være et tiltak som er nødvendig i enkelte tuneller, og jeg deler synet som mange har uttalt her, at det bør vurderes spesielt i tuneller hvor en ikke kan ha ordinær trafikkontroll. Men så blir det også referert til fart, at Men så blir det også referert til fart, at de fleste ulykkene dreier seg om fart. Det er faktisk ikke helt riktig, for det er ikke bare fart som er en faktor i den statistikken som foreligger, en dybdeanalyse av dødsulykker i veitrafikken som Statens vegvesen har gjort – nr. 196. Jeg tar tallene fra 2012, som er de siste som er. Av faktorer knyttet til trafikantene

og mistanke om selvvalgt ulykke 6 pst. Jeg tenker at vi må ha med oss de tallene også, og da er det for enkelt bare å kjøre på ett tiltak. Vi må se helheten, vi må se bredden, og det er det jeg tenker at statsråden vil komme tilbake med i trafikksikkerhetsanalysen. Så skal vi diskutere den når den kommer. Jeg skal være kort. Jeg skal komme med fire korte poenger. Det ene er

Det andre er at jeg kunne tenke meg å stille et spørsmål til Fremskrittspartiet. Det virker som flere er enige om tallet 28 pst., som er det siste, oppdaterte tallet på andelen ulykker der fart er hovedårsaken. Da er spørsmålet: Hva er det Fremskrittspartiet har tenkt å gjøre for å redusere antallet mennesker som kjører for fort? Vi har kommet opp med streknings-ATK. Holdningskampanjer tidligere har vært veldig effektive. Streknings-ATK er et effektivt virkemiddel. Hva er det Fremskrittspartiet kommer opp med for å redusere antall mennesker som dør på grunn av høy fart? Hva gjør Fremskrittspartiet for å redusere antallet mennesker som kjører for fort, altså råkjørere? Det tredje gjelder et spørsmål Åse Michaelsen rotet litt med, og Solvik-Olsen var også inne på det, dvs. spørsmålet om å ta 1 km motorvei og istedenfor bruke det til streknings-ATK. Man kan få flere titalls streknings-ATK for prisen av 1 km motorvei. Jeg sier ikke nødvendigvis at man skal gjøre det. Jeg bare påpekte at hvis man ser på hvilket tiltak som gir mest igjen for pengene hvis man skal gjøre noe med trafikksikkerhet, som statsråden brukte som et argument, er det ikke åpenbart at den måten man bruker penger på i dag, er den mest effektive. Det siste gjelder utfordringen fra statsråden. Jeg husker at han i en debatt en gang sa at jeg burde kjøre mer bil hvis det var sånn at jeg skulle forstå hvordan fotobokser fungerer. Vel, jeg utfordrer gjerne statsråden til en duell om hvem av oss som har kjørt på flest av landets veistrekninger, men jeg tror jeg tør si såpass at jeg gjennom all min tid som sjåfør ser at fart er med på å skape skikkelig farlige situasjoner mange steder, og at hvis flere mennesker hadde holdt fartsgrensen, ville vi også ha unngått ganske mange ulykker. Representanten Kjell-Idar Juvik har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

er en viktig faktor, og tallet 44 pst. er korrekt sitert fra det Vegvesenet brukte da vi laget Nasjonal tiltaksplan. Representanten Heikki Eidsvoll Holmås har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg glemte et avgjørende poeng, og det er: To av fremskrittspartirepresentantene har vært oppe på talerstolen i dag og sagt at de etter dette kommer til å vurdere dette som et tiltak i tunneler. Men det er ikke det vi vedtar i dag. Det vi vedtar i dag,

dag. Jeg forutsetter at regjeringen ikke foretar seg noe som innskrenker antallet steder man kan utplassere dette, men bruker etablerte retningslinjer og faglige anbefalinger, slik som Stortinget kommer til å vedta i dag. Jeg

– uten bruk av ATK – har blitt slik at vi allerede har fått nullvisjonen innfridd på rv. 2 mellom Kongsvinger og Sverige. Dette er vel det svaret jeg kan gi representanten Eidsvoll Holmås på det spørsmålet han stilte. Representanten Åse Michaelsen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort

ulykkesstatistikkene. Her ser vi framover og har foreslått i denne sal f.eks. lukket bane – hvor en kan få prøvd seg, få prøvd hvordan en bil ter seg, ikke minst få en holdning til dette med fart og også rus – bedre kjøreopplæring, involvere skolene i dette, støtte ulike organisasjoner osv., som jobber nettopp med holdningsskapende arbeid.

sakens ordfører,

Forslagsstilleren adresserer flere problemstillinger knyttet til stor befolkningsøkning i storbyområdene og planer for trafikkavvikling i disse områdene. Forslagsstilleren skriver: «Selv om Stortinget uttrykkelig har vedtatt at trafikkveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, konstaterer forslagsstiller at veimyndighetene fremdeles planlegger en rekke i storbyområdene.» Representanten har fremmet fem forslag, som jeg velger ikke å referere, men som jeg regner med blir godt opplyst i debatten. Komiteen viser til mål allerede vedtatt i Stortinget om at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, den forutsetter at regjeringen legger dette til grunn for arbeidet med revideringen av Nasjonal transportplan. Dette er en forutsetning for både belønningsavtaler og bymiljøavtaler. En samlet komité forutsetter at det i alle belønningsavtaler og bymiljøavtaler legges til grunn at personbiltrafikken i Komiteen presiserer så at satsingen på kollektivtransport, sykkel og gange ikke skal bety at all planlegging av veiprosjekter i storbyområdene kan stoppes. Man er opptatt av at det overordnede veinettet har en standard som gjør det mulig å avlaste gater og veier i boligområdene, utvikle byområder og garantere en god framkommelighet for varetransport og annen næringstrafikk som er viktig for en by. Komiteens flertall, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til inngåtte budsjettavtaler med mulighet for at bymiljøavtalene kan ha inntil 50 pst. statlig finansiering, mens komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til at det i Nasjonal transportplan ikke er noen begrensning på dette med 50 pst. finansiering av enkeltprosjekter og fremmer følgende forslag: «Stortinget vil be regjeringen, i tråd med gjeldende Nasjonal transportplan, åpne for at staten kan gå inn med mer enn 50 pst. finansiering av enkeltprosjekt til utbygging av kollektivtransport gjennom bymiljøavtalene og bypakkene.» Arbeiderpartiet vil i den sammenheng vise til landsmøtet i 2015 hvor man vedtok at staten kan dekke inntil 70 pst. av investeringskostnadene av enkeltprosjekt for utbygging av kollektivtransport i storbyene. Det vil også bli fremmet forslag fra medlemmet fra Venstre, som jeg regner med også vil bli behørig belyst i debatten.
skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette har Stortinget sluttet seg til for å redusere klimagassutslippene i transportsektoren og sørge for mer effektiv areal- og transportbruk. Venstre er opptatt av å gjøre det enklere for folk å ta grønne valg i hverdagen. Smart og tilgjengelig infrastruktur for sykkel er et viktig bidrag til dette. Det

følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med fylkeskommunene, utrede og fremme forslag som sørger for at utbygging av infrastruktur for sykkel blir høyere prioritert.» Og: «Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for økt Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener at økt sykling gir bedre framkommelighet, bedre miljø, flere samfunnsgevinster og fremmer i tillegg følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen videreføre tilskuddsordningen for gang- og sykkelveger.» Med dette tar jeg opp de forslagene som Arbeiderpartiet står bak. Jeg håper det ble oversiktlig nok.

Miljøpartiet De Grønne har fremmet en rekke forslag av denne typen, men partiet har en begrunnelse for sine forslag som nesten gjør det umulig å støtte forslagene, selv om ordlyden i enkelte av dem kunne oppnådd bred støtte. I tillegg har forslagene store økonomiske konsekvenser og ligger langt utenfor de fleste budsjettforslagene. En samlet komité presiserer i sine uttalelser at satsingen på kollektivtrafikk, sykkel og gange ikke skal bety at all planlegging av veiprosjekter i storbyområdene kan stoppes. Det er viktig at det overordnede veinettet har en standard som gjør det mulig å både avlaste gater og veier i boligområder, utvikle byområdene og garantere en god framkommelighet for varetransport og annen næringstrafikk. Det andre representantforslaget er fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth og Ola Elvestuen om økt utbygging av infrastruktur for sykkel, Dokument 8:115 S. Regjeringen jobber med mye av det som foreslås. Når det gjelder kostnadene på prosjektene, bemerker statsråden i departementets omtale av saken: «Regelverket og vegnormalene bygger på kunnskap og erfaringer fra Norge og andre land. Generelt bygges det nøktern standard i Norge. Regjeringen ønsker likevel å sette fokus på kostnader og muligheter for enda bedre ressursutnyttelse, og vurderer potensialet for dette. I den forbindelse kan det være aktuelt å se nærmere på ulike krav i dagens vegnormaler for å oppnå lavere utbyggingskostnader og tidsbruk.» Statens vegvesen anbefaler også mer fokus på riktig valg av type anlegg. Dette kan gi store besparelser. Tiltak som i stor grad innebærer bedre utnyttelse av eksisterende gatenett, har gjennomgående lavere kostnader enn å bygge nytt. Eksempler kan være: økt bruk av sykkelfelt i gater økt bruk av gater med 30 km/t og blandet trafikk i by- og boligstrøk i stedet for egne separate gang- og sykkelveier mer tilrettelegging for sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater bedre skilting av anbefalte sykkelruter oppmerking av sykkelbokser i lysregulerte kryss bedre drift og vedlikehold, særlig vinterstid Dette er interessante tilbakemeldinger. Kostnadene knyttet til sykkelveier har eksplodert de senere årene. Det er derfor viktig å se på hvordan vi kan få flere kilometer med sykkelvei for pengene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter derfor dette forslaget fra Venstre. Når det gjelder elsykkel, vil jeg igjen vise til statsrådens tilbakemelding, og jeg siterer: «Jeg mener at økt bruk av elsykkel kan bidra til både bedre helse og miljø samt økt framkommelighet på Derfor er jeg positiv til å utrede tiltak for økt bruk av elsykkel. Det vil være naturlig å vurdere dette i tilknytning til det pågående arbeidet med revisjon av Nasjonal transportplan.» På bakgrunn av dette mener Høyre og Fremskrittspartiet at intensjonen i forslaget fra Venstre allerede er ivaretatt. Regjeringen har forpliktet seg til 50 pst. statlig finansiering av skinnegående transport og bussveier i storbyområdene. Dette er et viktig stimuleringstiltak for å få mer kollektivtransport i disse byområdene. Det er også verdt å merke seg at den belønningsordningen for gang- og sykkelveier, som ble innført fra og med inneværende års budsjett, er en ordning som alle fylkeskommuner og kommuner kan søke på. Jeg har litt kunnskap om fylkeskommunenes økonomi og prioriteringer. Det virker litt rart at man i en flertallsmerknad

sykkel. Man mangler penger til å gjøre det. Hovedutfordringen er at fylkene sliter med enorme vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet og en kostnadseksplosjon på bygging av sykkelveinettet. Økte bevilgninger til fylkesveier og belønningsordningen for sykkelveier er antakelig de viktigste tiltakene for fylkene. Det er

Vi er fornøyd med at alle kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til å bygge mer gang- og sykkelstier i landet vårt, en tilskuddsordning for gang- og sykkelstier som regjeringen og samarbeidspartiene har sørget for, og som vil hjelpe med å øke byggingen. Jeg viser i denne sammenheng til Prop. 1 S for 2014–2015. Men vi vet at de fleste syklister ikke bruker gang- og sykkelstier når de ferdes i trafikken. Da må vi stoppe opp litt og tenke etter og finne ut om vi bruker pengene riktig. Dersom den form for gang- og sykkelstier vi bruker nå, ikke fungerer i Norge, må det endringer til, enten på måten vi bygger gang- og sykkelstier, eller i trafikkreglene for syklister. Jeg kjører bil med hjertet i halsen, særlig i Oslo. Syklistene kjører på kryss og tvers, på rødt lys og på fortau, mot kjøreretning – ja, det føles som de kjører på alle fire sider av bilen. Men de kjører ytterst sjelden på sykkelsti eller på sykkeloppmerkede felt i veibanen. At de tør, tenker jeg. For meg virker det som de fleste personer som kler på seg en sykkel og av og til også en sykkelhjelm, forandrer personlighet og mener at alle former for biler og gående skal tilpasse seg syklisten. Jeg har vært vitne til mange ulykker, to spesielt, og det har vært grusomt. Å gå til jobb er faktisk farligere på grunn av syklister enn på grunn av biler. Jeg og mange med meg som har gått på fortauet, har hatt englevakt. Man tror man er trygg når man går på et fortau, men ofte er det så vidt man unngår å bli kjørt ned av syklister som kjører på fortau i høy fart. Kanskje vi også må tenke på de gående og se om vi må forby syklister å kjøre på fortau, eller i alle fall ha fartsbegrensninger og påbud om bruk av ringeklokke for å forebygge slike uhell.

nok, da etter min mening særlig de små som er på vei til og fra skole. Derfor er det ekstra viktig å gjøre riktige valg om hva slags type anlegg man skal bygge. Vi må bygge noe som blir brukt, ellers kaster vi bort pengene og kunne bare bygd fortau for gående eller for dem som jogger. Vi må legge til rette både for voksne og barn, for dem som kosesykler, og for dem som kjører med lik hastighet som bilene. Derfor er jeg glad for forslaget der Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om å gi økt fleksibilitet i hvordan sykkelveier, sykkelfelt og traseer kan utformes i framtiden. Dette blir det viktig å få til, både for å få flere til å sykle og også for at de som ønsker å bruke apostlenes hester, kan gå på vanlig måte som på Adams tid. Først noen ord til forslaget fra representanten

Befolkningsveksten får konsekvenser for planlegging, utbygging og hvordan vi disponerer areal i byene våre. Det må bl.a. bygges tettere rundt kollektivknutepunkt. Det må satses på kollektiv, sykkel og gange. Samtidig skal også bilen ha sin plass i byen. Jeg mener det er viktig å merke seg at komiteen presiserer meget tydelig at planlegging av veiprosjekter i storbyområdene må fortsette, ikke stoppe, selv om man satser kollektivt. Komiteen vil utvikle byområdene og garantere for god framkommelighet for varetransport og annen næringstransport. Jeg vil tilføye at dette må gjelde også for privatpersoner – for dem som bor i byene. Vi må ha god balanse i virkemidlene. Bilen er et nødvendig transportmiddel også i et byområde. Restriktive tiltak må derfor alltid balanseres mot befolkningens reelle og helt legitime behov for bil. Folkeparti er opptatt av at både barnefamilier og andre som har reelle behov for bil, skal kunne bosette seg i byene våre. Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne har mange gode intensjoner. Det er tverrpolitisk enighet om å satse på kollektiv, sykkel og gange. Nå er det etablert en ny praksis med at staten kan bidra med inntil 50 pst. i tilskudd til investering i større kollektivprosjekter i byene. Dette er noe som er helt nytt med den nye regjeringen og med det nye flertallet. Nå har vi en ny giv i samferdselspolitikken, også hva gjelder satsing på kollektiv i byene, og når det gjelder bymiljøavtalene, som Miljøpartiet De Grønne nevner i sine forslag, er det gjort viktige grep. Det satses nå på bymiljøavtalene på en helt ny måte. Så skal vi løfte kollektivtilbudet i storbyene, i tett samspill mellom stat og kommune der staten blir en viktig medspiller. Men som sagt, dette utelukker ikke en offensiv satsing på vei – sikrere veier, tryggere veier. Vi skal ha ulike virkemidler, ulike tilbud avhengig av behov. Bybefolkningen må fortsatt kunne ha bil der de bor, men de skal ha valgmuligheten. Det må bli mer attraktivt å velge kollektivt, enklere å velge sykkel og tryggere å være fotgjenger. Så over til Dokument 8:115 S, fra Venstre. Birkebeinerrittet har i løpet av de siste årene blitt veldig populært. Sykkelinteressen er større enn noen gang. Samtidig er det færre som sykler i hverdagen. Årsaken er dårlige sykkelveier og trafikkfarlige veier. De siste 20 årene er andelen sykkelreiser redusert. Fra 1992 til 2013 sank andelen sykkelreiser fra 6,5 pst. til 4,5 pst. ifølge reisevaneundersøkelsen til Transportøkonomisk institutt. Det er dessverre slik med sykkel at det ofte blir mange fine ord fra politikerne. Viljen er ikke like stor når det kommer til kroner og øre, men det er penger og den praktiske gjennomføringen som vi skal måles på. Kristelig Folkeparti støtter forslagene som ligger på bordet her, det er gode forslag fra Venstre. Bedre tilrettelegging for sykkeltrafikk i Norge krever en differensiert politikk med målrettet innsats på flere områder. Forslagene som vedtas nå, er et ledd i arbeidet for en bedre sykkelpolitikk. sykkelpolitikk. Så må vi samtidig huske at det trengs en rekke tiltak. Ikke minst må det bygges flere sammenhengende gang- og sykkelveier. Men når det gjelder forslag nr. 1 om å videreføre tilskuddsordningen, ser vi ikke behovet for å gjøre noe vedtak om det nå. Ordningen skal evalueres etter to år. Den skal videreføres, men det er alltid klokt å måle effektene, sjekke om den er hensiktsmessig innrettet, om det eventuelt må gjøres noen tilpasninger. Denne tilskuddsordningen er viktig for Kristelig Folkeparti. Kommuner og fylker har et stort ansvar for å sikre gode forhold for syklistene, bl.a. i arealplanleggingen og ved å bygge sammenhengende nett av gang- og sykkelvei. Derfor foreslo Kristelig Folkeparti, i tråd med prioriteringer i vårt alternative budsjett og slik vi foreslo i vår alternative transportplan, en statlig belønningsordning for gang- og Ordningen skal påvirke transportplanleggingen i kommuner og fylkeskommuner, og den skal fungere som et insentiv for bedre tilrettelegging for gående og syklende. Jeg er glad for at denne ordningen nå er på plass. Til slutt: Når det gjelder elsykkel, er vi i Kristelig Folkeparti positive til det. Så har jeg til slutt lyst til å minne om at det er mulig å få opp sykkelandelen. Se på Kristiansand! De har fått sykkelandelen av total transport opp i Det er over det nasjonale målet. Det er et eksempel til etterfølgelse. Jeg skal konsentrere mitt innlegg om sykkel. Når det gjelder de første forslagene med hensyn til kollektivtrafikk, sykkel- og vegprosjekter, viser jeg til saksordførerens innledning, som beskrev de forslagene som vi står bak. Senterpartiet er veldig glad for at flertallet har samlet seg rundt forslagene som Venstre har lansert om økt utbygging av infrastruktur for sykkel. For det er riktig, som flere har vært inne på, at trafikkveksten i byområdene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Det har Stortinget sluttet seg til for å redusere klimagassutslippene i transportsektoren og for å få mer effektiv areal- og transportbruk. Økt sykling gir bedre framkommelighet, bedre miljø og har samfunnsgevinster, særlig i form av bedre helse. Jeg ser med glede på at det er mer fokus på sykkel rundt omkring i det ganske land. Vi ser at det satses mer på sykkelturisme, man legger til rette for at folk kan ta med sykkel eller leie seg sykkel og sykle ulike ruter. Så i tillegg til en helsegevinst er det en miljøgevinst og et næringspotensial i det. Det synes jeg er positivt. Det er viktig at det samarbeides på tvers av de ulike sektorene for å legge til rette for en kultur som gjør at sykling blir et naturlig transportvalg for flere enn i dag. Det er viktig at man lærer seg å sykle tidlig og har trygge, gode sykkelveier for å komme seg til og fra skolen – kanskje også tidligere enn det for å få det inn på en naturlig måte, slik at man trives med det, og kjenner at det er et godt valg. Da er det viktig at man legger til rette for det også fra statens side, med tilskuddsordning for gang- og sykkelveier og ved å sørge for at fylkeskommunene er i stand til å prioritere dette opp. Det er riktig som representanten Jegstad peker på, at det er vedlikeholdsbiten som fylkeskommunen er og mange fylkeskommuner ønsker å satse mer på gang- og sykkelveier knyttet til særlig skolebygg. Da må man prioritere det og gi dem den muligheten, sånn at de kan løfte det videre. Det er også viktig at staten fremmer forslag som kan gi økt fleksibilitet rundt hvordan sykkelveger, sykkelfelt og sykkeltraseer utformes. Kanskje er det noen enkle grep som går an å ta for å få etablert flere muligheter for god sykkelpolitikk enn det som er standarden i dag etter Statens vegvesen sine normer. Med dette viser jeg til de forslagene som lå i saken, de merknadene som ligger i begge sakene, og til de forslagene som Senterpartiet og Arbeiderpartiet står sammen

kan dere henge dere på og vise deres kjærlighet til sykkel, dere også. Ruta ligger på Venstre.no. Så vil jeg takke saksordføreren, Ingvild Kjerkol, for godt og grundig arbeid med begge forslagene. Det er jo særlig gledelig for Venstre at vi i dag skal behandle representantforslaget om sykkel, og like gledelig er det selvfølgelig at det får flertall. Et samlet storting har sluttet seg til at trafikkveksten i byområdene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette har Stortinget sluttet seg til for å redusere klimagassutslippene i transportsektoren og sørge for mer effektiv areal- og transportbruk. Venstre er opptatt av å gjøre det enklere for folk å ta grønne valg i hverdagen. Smart og tilgjengelig infrastruktur for sykkel er et viktig bidrag til dette. Det er derfor nødvendig å endre og tilpasse virkemiddelapparatet for å gjøre sykkelen mer attraktiv som transportmiddel. Samtidig gir prisfallet i elsykkelmarkedet og i vintertilpasning av sykkel en ny mulighet for økning i sykkelandelen dersom infrastrukturen tilpasses dette. Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har innført en statlig støtteordning, der staten finansierer 50 pst. av planlegging og utbygging av sykkelveier og parkeringer. Sykkel er også en sentral del av forhandlingene om belønningsordning og bymiljøavtaler i de større byområdene. Et godt sykkelnett til og gjennom sentrum i byområdene og mellom boligområder, kollektivknutepunkter og arbeidsplasser bør være en del av de samordnede areal- og transportplaner i disse regionene. Flere steder, bl.a. i Stavanger og Østfold, hindrer de kravene som er satt i Statens vegvesens håndbøker, effektiv, smart og attraktiv utbygging av infrastruktur for sykkel. Mange av kravene er kostnadsdrivende uten at kvaliteten og attraktiviteten på infrastrukturen øker. I tillegg hindrer de innovasjon og utvikling av nye løsninger, som opphøyde sykkelveier. Helsefremmende transportløsninger er vinn-vinn, både for enkelte og for miljøet. Det ligger store samfunnsgevinster i å bygge et samfunn der det er lettere å bevege seg, enten det er til fots eller på sykkel. For å tilrettelegge for økt bruk av sykkel til og fra jobb, skole og studiested kan det være hensiktsmessig å lage dør-til-dør-strategier for bruk av sykkel. Gode løsninger for sykkelparkering på kollektivknutepunkter kan være et eksempel på en del av en slik strategi. Hva gjelder det andre forslaget, vil jeg først takke representanten Rasmus Hansson for at han fremmet representantforslaget. Vi har hatt flere saker til behandling innenfor et kort tidsrom som kommer innenfor temaet samferdsel og det grønne skiftet. Utover klimagassutslippene bidrar trafikkveksten til betydelige lokale miljøproblemer i storbyområdene i form av NOX-utslipp, svevestøv og støy. Det er knyttet store samfunnsøkonomiske kostnader til køkjøring, og biltrafikk bidrar ikke til en positiv og menneskevennlig sentrumsutvikling. Nylig vedtok Stortinget mer ambisiøse klimamål for 2030, som innebærer at utslippene fra transportsektoren skal reduseres i størrelsesordenen 40 pst. innen 2030. Det høye ambisjonsnivået gjør det enda mer avgjørende å gjennomføre Stortingets vedtak fra 2012 om å ta unna trafikkveksten i storbyområdene med kollektivtransport, sykkel og gange. Jeg tar med dette opp Venstres forslag i innstillingen. Avslutningsvis

fordi ikke alle kommuner er like flinke til å feie. Når det ligger strødd småsand bortover, er det første som skjer, når man kommer med disse tynne racerhjulene, at man punkterer. Så det er derfor vi sykler ut i banen, for vi gidder ikke å stå og lappe sykkelen om og om og om igjen. Dette må bilistene skjønne, og bilistene må også lære å dele veien med syklistene. Å «ta» oss syklistene med vindusspylervæske og kjøre veldig inntil oss er ikke veldig smart å gjøre. Avslutningsvis: Jeg er veldig glad for at Venstres forslag får flertall. Jeg vil samtidig Jeg ser fram til sykkelturen min. Det blir valgkamp, men først og fremst en kjærlighetserklæring til sykkelen som transportmiddel, treningsapparat, og noe som gir sann friluftsfølelse og glede. Så håper jeg at jeg kan inspirere flere til å sykle mer, og politikere land og strand rundt til å lage sykkelplaner over hele landet. Representanten Abid Q. Raja har tatt opp de forslagene han refererte til, og jeg tror vi alle kan ønske god sykkeltur på lørdag. Neste taler er Heikki Eidsvoll Holmås – og uten hjelm. Det blir med hjelm, men bare helt i begynnelsen. Vil presidenten at jeg tar av meg hjelmen? Ja, jeg vil at du skal ta av deg hjelmen. Da tar jeg av meg hjelmen, og da gjør jeg det for deg. Skal vi lykkes med å få flere til å sykle, må vi tenke sykkelen først i all vår planlegging. Derfor stiller jeg følgende spørsmål: Er det noen som elsker å sykle her i salen? Kjenner dere på den frihetsfølelsen om våren når du renner nedover en bakke, retter deg opp og strekker begge armene ut til siden og puster inn våren, som pisker friskt i kinnene dine? Er det noen her som elsker å sykle i kondomdrakt – og da ser jeg i retning av Abid Q. Raja, som ikke er her akkurat nå

Det skal være plass til alle syklister i framtidens Sykkel-Norge, og da trenger vi å sette sykkelen først når vi planlegger. Mange steder handler det om å sørge for å fjerne biler, for i byene våre er det en kamp om areal, og fjerner man parkeringsplasser langs veiene, har man muligheten til å bygge sykkelfelt, da har man muligheten til å legge til rette for at flere sykler. Vi har en katastrofalt lav sykkelandel i Norge sammenlignet med andre land vi burde sammenligne oss med, og grunnen kommer tydelig fram i bl.a. en undersøkelse i Oslo der folk ble spurt: Kunne du tenke deg å sykle hvis det var bedre tilrettelagt for sykkel? Da svarer over halvparten: Ja, det kunne vi tenke oss. Men folk føler utrygghet når de sykler, og jeg skjønner godt hvorfor. På vei til Stortinget i dag, etter å ha levert min datter i barnehagen, ble jeg presset ut av veien av en bil, som nettopp lot være å ta hensyn til syklistene – og som nettopp illustrerer det poenget at sykkelfelt ofte ikke er sammenhengende: Man kommer til et kryss, og der forsvinner sykkelfeltet fra krysset. Det er den typen ikke-sammenhengende planlegging man ofte ser når man ikke setter sykkelen først. Jeg vil legge vekt på et par punkter. Jeg synes det er gode forslag, og vi kommer til å støtte de aller fleste av de forslagene som er fremmet av Abid Q. Raja og Rasmus Hansson, og jeg sier takk for at forslagene er fremmet. Men jeg vil samtidig trekke fram et par ekstra ting, når det nå først skal gjøres en jobb med å se på på elsykkelsatsing og tilrettelegging for det. I revidert nasjonalbudsjett fremmet SV forslag om å se på muligheten for å gi støtte til en forsøksordning med å ta elsykler inn i bysykkelordningene, som brer om seg i stadig flere byer. Jeg tror at det hadde vært en ting som hadde fått flere til å få smaken på elsykkel, og det hadde gjort det mulig å strekke ut bysykkelordningene til et mye videre område. Jeg tror også at det å se på merverdiavgiftsfritak, som vi foreslår, hadde vært en bra måte å sørge for at flere får smaken på elsykler på. Regjeringen er jo så for skattefritak i alle mulige andre sammenhenger, så det burde vel være mulig å se på det også i elsykkelsammenheng. Det andre jeg vil si, er at en av de tingene som framkom i dag i media, var at den viktigste måten å få flere mennesker til å velge kollektivt på, er å sørge for å ha færre parkeringsplasser i byene. Og da vil jeg si: La oss slå to fluer i én smekk. Hvis man sørger for å redusere antall parkeringsplasser i byene, kan man i stedet bruke det arealet til å legge til rette for sykkel. Da får man både flere som sykler og flere mennesker som velger kollektivt. Til slutt skal jeg si to ting om fortetting og om motorveier. Det ene er ene er følgende: Jeg mener det er bra, det forslaget som er fremmet av Arbeiderpartiet og Senterpartiet – og vi kommer til å støtte det – om å øke statens mulighet til å bevilge inntil 70 pst. støtte til kollektivprosjekter gjennom bypakkene. Jeg synes det er litt rart at Kristelig Folkeparti og Venstre ikke er med på å støtte det, men de har gitt klar beskjed om at det gjør de altså ikke.

Det eneste vi nå vet, er at verken regjering, samferdselsminister, klimaminister eller storting har den fjerneste anelse om hvordan klimagassutslipp og annen miljøpåvirkning vil utvikle seg innen norsk samferdsel i tiårene framover. Regjeringen nekter å ha peiling. Men for de konkrete samferdselsprosjektene vet vi hvor Stortinget har sagt at vi skal, altså gjennom klimaforliket av 2012, som sier at «veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.» Men regjering og veimyndigheter planlegger like fullt en rekke kapasitetsøkende veiprosjekter inn til storbyområdene. E18 mellom Asker og Oslo skal ifølge Statens vegvesen selv øke trafikken over bygrensa, fra 110 000 kjøretøy per døgn nå til 170 000 i 2030. Ny E16 fra Hønefoss til Skaret skal øke trafikken over Sollihøgda, fra dagens omkring 10 000 lette kjøretøyer per døgn til mellom 25 000 og 34 000 – og i forbifarten forresten også rasere et av Norges viktigste og strengest vernede våtmarksområder. E18 i Telemark vil øke trafikken inn til Grenland. Utvidet E6 fra Ranheim til Stjørdal vil gjøre bil mer konkurransedyktig i forhold til tog, osv. Alle vet vet at økt veikapasitet også øker trafikken. Denne trafikkøkningen er jo også lagt inn som forutsetning i disse veiprosjektene – i nærmest suveren forakt for Stortingets klimaforlik. Men vi vet jo også at det motsatte er tilfellet: Tunnelvedlikeholdet som har kuttet veikapasiteten på noen strekninger i Oslo de siste ukene, viser hva som skjer. Mindre veikapasitet gir umiddelbart færre biler. Folk finner straks alternativ. Mindre vei løser faktisk problemer.

Dette er altså regjeringens klimapolitikk i samferdselssektoren, den samme regjeringen som skal forhandle seg fram til en forpliktelse om kanskje 40 pst. kutt i norske utslipp de neste 15 årene. Og dette er også regjeringens bypolitikk: Mange flere biler inn til storbyer og tettsteder hvor det allerede er fullt av biler. Det framtidas byer og tettsteder trenger, er som kjent det motsatte, for å gi folk bedre livskvalitet og bidra til en grønn framtid. Vi må ta areal fra bilene og gi areal til fotgjengere, syklister og kollektivtransport, og folk må slippe å holde seg inne på grunn av luftforurensning og svevestøv. Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har denne uka insistert på at det å bruke milliarder til nye motorveier inn til byene slett ikke betyr færre milliarder til kollektivtransport, gange og sykkel. Men Ole Brumm er som kjent død for ganske lenge siden – vi blir nødt til å prioritere. I Bergen, Trondheim og Stavanger trengs det penger til bybane og superbuss. Oslo skriker etter ny T-bane og jernbanetunnel og etter ny T-bane til Fornebu. Staten bør fullfinansiere skinnegående infrastruktur inn til storbyområdene og øke driftsmidler i kollektivtransporten gjennom bymiljøavtalene. Vi skal fortsatt ha veier her i landet, men vi skal ikke ha så mange flere. Derfor foreslår Miljøpartiet De Grønne å stanse videre planlegging av kapasitetsøkende veiprosjekter til storbyområdene. Og vi er samtidig glade for at Venstre har tatt opp to av våre andre forslag, som vi selvfølgelig støtter.

til å tenke på det i det hele tatt. Jeg skal også gjennomgå en del andre ting som viser at dagens regjering gjør mye mer enn det som var planlagt innenfor transportsektoren som sådan, men med klimaperspektiv. Det satses på kollektiv. Belønningsordningen som støtter opp om kollektivsatsingen i de største byene, har en bevilgning som er 30 pst. høyere enn det som lå til grunn i Nasjonal transportplan. Det betyr at flere byer kan satse mer på kollektiv enn det de hadde trodd for bare et drøyt år siden. Dagens flertall har sørget for at vi får på plass bymiljøavtaler, der det ikke står at staten kan bidra til investeringer i kollektivinfrastruktur, som det står i dagens Nasjonal transportplan – der må vi korrigere Arbeiderpartiet lite grann. Det står faktisk i flertallsplattformen at staten skal bidra til investeringer i infrastruktur, og at staten skal bidra med 50 pst. Det er en mye kraftigere satsing enn det som ligger i Nasjonal transportplan. Dagens flertall har sagt at Fornebubanen skal være en strekning som realiseres. Den forrige regjering snakket om det som en mulig strekning. Den forrige regjering snakket knapt om Ahusbanen eller tunnel under Oslo. Dagens flertall har lagt inn i de forhandlingene som nå pågår om bymiljøavtaler med Oslo og Akershus, at en Ahusbane og en tunnel under Oslo skal være en del av det som en forhandler om. Det satses altså mer enn det som lå til grunn. Det er nå over hundre flere togavganger på jernbanen enn det det var for bare et halvt år siden. Noen av dem lå inne i de rutekonseptene som har vært under arbeid i flere år, men mange av de avgangene kom som følge av at dagens flertall har bevilget mer penger til å kjøpe tog, både togsett og flere avganger. En dobling av antall avganger på Sørlandsbanen var noe som kom fordi det er et nytt flertall. Den forrige regjering var stolt av at de klarte å opprettholde en sovevogn på nattoget mellom Stavanger og Oslo. Dagens flertall fikk doblet antall avganger på dagtid. Det jobbes nå med en KVU, såkalt Oslo-Navet, et samarbeid der Jernbaneverket, Vegvesenet og Ruter sammen nettopp viser hvordan kollektivsatsing skal gjøre at du klarer å ta trafikkveksten med kollektive reisemidler. Dette arbeidet er i gang, og det vil bli levert på det. På utbygging av sykkelveier: Hvis en ser på resultatene fra Nasjonal transportplan 2010–2013, er det realisert ca. 70 pst. av de planene en hvert år kunngjorde i budsjettene, altså en var 30 pst. lavere enn de egne måltallene en satte. For 2014 er derimot resultatet at dagens flertall har realisert 30 pst. mer sykkelvei enn det som ble varslet i budsjettet for 2014. Det betyr altså at vi i praksis realiserer nesten dobbelt så mye sykkelvei som det de rød-grønne hadde lagt opp til. Det igjen viser en satsing. Så vet vi at det i inneværende år er en ytterligere satsing på sykkel, ikke bare at det i budsjettet var lagt opp til en vekst på 40 pst. mer enn det som var planlagt i fjor, men en har også fått på plass en belønningsordning for sykkel, takket være Venstre og som gjør at det nå er 90 mill. kr til fordeling til byer og andre steder som har en sykkelstrategi, og de pengene blir i disse dager delt ut til ulike steder. Igjen: En satsing på sykkel utover det som lå i Nasjonal transportplan. Jeg er stolt av å være med som en del av det flertallet og sørge for at vi får realisert dette. For god sykling og flere som reiser kollektivt, handler både om å få bedre trafikksikkerhet og bedre framkommelighet i byene, og det handler om satsing

og da må en gjøre det enkelt og trygt for folk å velge sykkel. Vi jobber derfor med flere kommuner for å finne bedre løsninger til lavere priser, rett og slett gir vi kommuner større innflytelse i hvordan sykkelveier etableres. Jeg har kontakt med flere kommuner nå, der vi skal få til prøveprosjekt, og dermed får litt frihet i forhold til Statens vegvesens håndbøker nettopp for å få ned kostnadsnivået for flere kilometer med

sykkel. Det er veldig stor enighet om å satse på det. Det er veldig stor oppslutning om tiltakene, særlig Venstres forslag om sykkel – om å løfte dette. Så går statsråden på talerstolen og snakker 5 minutter om hvor fantastisk han er, og hvor håpløst det ville vært å få til de påplussingene han har fått til,

for at folk kan sykle. Det er fortsatt sånn at det er den enkelte syklist som selv må ta det valget og velge det som framkomstmiddel og transportmiddel i hverdagen og i treningsøyemed. Så synes jeg det er veldig interessant at Arbeiderpartiet skryter av det de satser, for det er åpenbart at de mener at den nasjonale transportplanen de selv la fram og skrøt av i 2013, ikke er god nok. Men jeg er glad for at denne regjeringen leverer økte bevilgninger og flere kilometer, ikke minst det siste – det er det en får igjen for pengene, som forteller noe, ikke bare hvor mye penger en har bevilget. Der har vi et godt regnskap så langt, men jobben er langt ifra gjort. Det skal satses betydelig mer i årene framover. I sitt innlegg sa statsråden at han har økt satsingen på sykkel utover det som ligger i Nasjonal transportplan. Spørsmålet mitt til statsråden er da: Er han kjent med den nasjonale sykkelstrategien? Og: Hvor langt unna ligger man å nå målsettingene i den? Det jeg sa, var at vi har fått et resultat som er 30 pst. over det som var planlagt i 2014, der forrige regjering stort sett lå 30 pst. lavere enn det de planla for hvert år.

som er miljøpartier, og som tvinger Fremskrittspartiet og Høyre til å satse mer penger på sykkelveier, jernbane og kollektiv enn de ellers ville gjort. Så godt er det, men det er vel neppe noe statsråden kan ta til inntekt for sitt eget engasjement og sin egen satsing i denne saken. men det er vel neppe noe statsråden kan ta til inntekt for sitt eget engasjement og sin egen satsing i denne saken. Jeg har et helt konkret spørsmål knyttet til det punktet som også statsråden har vært inne på, nemlig forslag til vedtak I: «Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om å gi økt fleksibilitet i hvordan sykkelveger, -felt og -traseer kan utformes.» Dette er i tråd med det statsråden tidligere har snakket om. Hva betyr dette? Sykkelfelt er nemlig anslått å kunne gi 6 pst. vekst i antallet syklister, mens sykkelfelt med kantstein gir 25 pst. vekst. Da er jeg bekymret hvis kvalitet. Vår målsetting er å legge til rette for at flere skal ønske å sykle. Det handler både om å lage trygge veier og om å lage framkommelighet. En del steder er trygghet den viktigste faktoren. Andre steder handler det om å gjøre det enklere, sånn at folk opplever at de kan komme seg raskere til og fra arbeid. Det vil være en del av den jobben som vi må gjøre sammen med kommunene, for de kjenner sin befolkning best. De vet best hvordan de ulike reiserutene er for folk og vil dermed best kunne legge til rette for det. Jeg synes det er vel fortjent å gi ros til Kristelig Folkeparti og Venstre. Jeg tror nok også at den forrige regjeringen skulle ønsket at de hadde sånne partier som støttepartier, for da kunne de også fått bedre resultater i den åtte års perioden. Den siste påstanden er så absurd at jeg ikke en gang vil gå inn på den. Men jeg skal stille et oppfølgingsspørsmål om det som handler om sykkelfelt, og det som statsråden sier om byer,

Vi hadde en innspillskonferanse om dette temaet rett før påske i år, nettopp fordi vi synes det er viktig. Jeg registrerte at syklistenes representant der sa at dette var første gangen hun var invitert til den typen innspillskonferanse i løpet av de mange årene hun hadde drevet på. Det føler jeg også er et tegn på at dagens flertall er opptatt av syklistene. Man snakker ikke bare om dem, men man snakker med dem på en god måte. Jeg var i Utrecht dagen før besøkte den nederlandske byen, som er en av de beste sykkelbyene i verden. Der ble det diskutert mye, både hvordan en legger til rette for sykkel i byer og…. Da var tiden ute for replikken. Den er på 1 minutt.

helt konkrete planer om helt konkrete veier en rekke steder. I stedet sier statsråden at det kommer en plan. Spørsmålet er da: Kan statsråden i det minste bekrefte at denne planen vil gi utslippskutt som ligger på samme nivå som det regjeringen kommer til å avtale på nasjonalt nivå når de en eller annen gang omsider er ferdig med sine forhandlinger med EU om klimasamarbeid? Jeg tror vi fikk bekreftet at det må være et dialektproblem her, eller så handler det om vilje, for i den debatten vi hadde på mandag, var jeg veldig tydelig på at vi skal jobbe med EU for å få en forpliktende avtale på klimasiden. Jeg sa altså ikke at jeg var imot forpliktelser. Jeg sa mens vi forhandler med EU, og mens vi jobber med det, vil det være unaturlig at hver enkelt statsråd går inn og sier at dette er forpliktelsen på et gitt sektorområde. Det er jo nettopp den helheten vi skal finne sammen med EU, for å få til tiltak som gjør at vi i Europa som helhet og i hvert land som enkelthet, får til de best mulige klimatiltakene, sånn at vi klarer å få redusert utslippene.

Norge er egentlig ikke engang skrudd sammen for kollektivtransport. Vi er et lite land med få innbyggere, og vi bor spredt. Det er ikke sånn verden er, og man skal ikke langt utenfor Oslo før man oppdager at man må fokusere på andre ting når det gjelder gang og sykkel. Da har jeg lyst å ta mitt eget fylke, siden jeg kjenner det: Vi laget i 2012 en sykkelstrategi, en investeringsstrategi for sykkel, og vi konsentrerte oss om det som vi mente var viktig. Det var bruk av sykkel til og fra skoler, altså å sikre skoleveien for barn, dvs. innenfor en radius på 3 km for barn i grunnskolen og innenfor en radius på 6 km for barn i ungdomsskolen. Vi gjennomgikk alle kommunene i fylket. Vi kartla behovet. Vi endte opp med en plan på 40 for å dekke bare det behovet i Akershus. I ettertid har man gjennomgått dette nærmere og plukket ut hvor mange skoleveier man må gjøre noe med fordi de er ekstra farlige. Man kom fram til man måtte utføre 78 tiltak over til sammen 90 km, hvor det var ekstremt farlig, 78 tiltak over til sammen 90 km, hvor det var ekstremt farlig, og 127 tiltak over 220 km på fylkesveinettet, som var middels farlig. Hvis man gjennomførte disse utplukkede tiltakene, kunne man gjøre de første tiltakene for 3–4 mrd. kr bare i Akershus. Det er altså en helt annen verden. Og her sitter man altså som representant for Oslo – Oslo er et veldig bra fylke å være representant fra, men når man kommer utenfor bygrensen, begynner verden å se annerledes ut. Jeg synes det er

annet. Da må man foreta tøffe politiske prioriteringer, og det er faktisk det som er det viktigste man som politiker må gjøre hvis man skal sette sykkelen først – det er ikke først og fremst å sette av milliarder på milliarder til sykkelveisatsing, selv om det også er nødvendig for å nå de målsettingene vi har. Det avgjørende er at en faktisk finner den politiske viljen til å prioritere. Se rundt dere her i Oslo, se rundt dere når dere går hjem til hvor enn dere bor i Oslo, se på de stedene, og dere vil forstå at som syklist møter man utfordringer hver eneste dag i se på de stedene, og dere vil forstå at som syklist møter man utfordringer hver eneste dag i denne byen. Jeg er for øvrig helt enig med representanten fra Fremskrittspartiet som snakket om at vi har for dårlig sykkelkultur her i landet. Hver eneste dag må jeg innrømme at jeg ser både biler og syklister som kjører på rødt lys, og som bryter trafikkreglene i stort monn. Den eneste måten å gjøre dette på er å sørge for å legge ordentlig til rette for en kritisk masse med syklister, og så får man sykkelkultur etter hvert. Men jeg er helt enig i at det begås mye slendrian av syklister. Jeg vil bare si én ting helt til slutt. Siden klima og klimamålsetting er en del av det representantforslaget som foreligger fra Rasmus Hansson, er det riktig å ta opp igjen bare litt av det vi hadde i debatten på mandag. Ketil Solvik-Olsen sier – som Rasmus Hansson sier at han sier, men som Ketil Solvik-Olsen sier at han ikke sier han ønsker ikke å sette noe klimamål for Norge, så lenge Norge holder på å forhandle med EU. Jeg vil gjerne understreke at det er det motsatte av det klima- og miljøminister Tine Sundtoft sa i Europautvalgets møte den 10. juni. Vi vet hva EU kommer til å legge seg på – enten 35 pst. reduksjon eller 40 pst. reduksjon i utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor. Det kommer til å gjelde transportsektoren, det kommer til å bety at transportsektoren vil ta den typen mål, og det er det faktisk mulig å planlegge for. Men dette kommer vi tilbake til. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 11 og 12. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av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

luftfartsavtaler. Det betyr at for Noreg er det fortsatt Luftfartstilsynet som vil ha det endelege ordet. Regjeringa har peika på at EASA vil kunne gjere ei grundigare vurdering av flysikkerheita enn kva dei enkelte EU/EØS-statar har kapasitet til å gjere kvar for seg. EASA vil hauste brei erfaring gjennom behandlinga si av noko som på sikt vil gje byrået eit betre grunnlag for å gjere sikkerheitsvurderingar enn dei enkelte nasjonale tilsynsmyndigheitene kan. Ved at det blir stilt felles krav til flysikkerheit, som skal varetas av EASA på vegner av alle EU/EØS-statar, vil regelverket på sikt kunne auke flysikkerheita innan EU/EØS-området. Transport- og

vil kunne danne eit veldig godt grunnlag for den vurderinga Luftfartstilsynet gjer av trafikkløyve. Komiteen har peika på at metodane som skal brukast i forbindelse med søknader og undersøkingar, vil vere meir omfattande enn dei som blir dag. Ein samla komité har òg peika på viktigheita av at Noreg nyttar seg av møte-, forslags- og uttaleretten sin i EASA-styret, sånn at norske interesser kan bli fremja på ein god måte framover. Ut frå dei merknadene eg no har referert til frå transport- og kommunikasjonskomiteen, vil eg igjen vise til at ein her ser det slik at denne innlemminga i EØS-avtala av forordning om fastsetjing av tekniske krav og administrative framgangsmåtar for luftfartsverksemda vil styrkje flysikkerheita i Noreg, og det vil òg skape eit meir effektivt system som er meir heilskapleg, òg sett i samanheng med heile Europa.

òg sett i samanheng med heile Europa. Denne saka handlar om Noreg skal gi frå seg mynde til eit overnasjonalt organ me ikkje er medlem av, det sjølvstendige EU-byrået EASA. Skal EASA få mynde til å kontrollere og gi autorisasjon på sikkerheit til tredjelandsoperatørar som er engasjerte i kommersiell lufttransport i, til og ut av EU/EØS-området? Årsaka til at Senterpartiet og Årsaka til at Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har eigen merknad i utanriks- og forsvarskomiteen er ikkje fyrst og fremst ut frå sunn og stor skepsis til EASA-samarbeid – sjølv om den også kan vere til stades – men forholdet til Grunnlova. Stortinget har i fem saker etter EØS-avtalen i 1992 overført vedtakskompetanse til EU-organ ved bruk av prosedyren i Grunnlova § 26 andre avsnitt. Stortinget meiner sjølv at slik overføring har heimel i den såkalla læra om «lite inngripende» suverenitetsoverføring. Senterpartiet er usamd i dette rettsgrunnlaget då det for det fyrste saknar støtte eller noko som helst grunnlag i Grunnlova sin tekst, for det andre er i strid med føresetnadene til Stortinget i 1962 så vel som systemet i Grunnlova, og for det tredje er i strid med og undergrev vedtaksprosedyren i Grunnlova § 115. Kort sagt: Læra om «lite inngripende» suverenitetsoverføring har ikkje støtte i nokon andre rettskjelder enn Stortinget sin eigen praksis i strid med Grunnlovas klare ord og føremål. Då er me utanfor Stortinget sitt legitime tolkingsrom når det gjeld Grunnlova. Vil Stortinget overføre vedtakskompetanse utan å bruke § 115, må Stortinget endre Grunnlova. Knytt til tilslutnadsvilkåret er problemet følgjande: Korleis kan Stortinget med simpelt fleirtal etter ein regel som ikkje er lovfesta, gjere noko som er eksplisitt forbode i Grunnlova § 115, sjølv med tre fjerdedels fleirtal? Dette ber eg om at statsråden gjer greie for i dag. Etter mitt og Senterpartiet sitt syn gir ikkje Stortinget sin noverande praksis meining i lys av tilslutnadsvilkåret i § 115. Verken i dei konstitusjonelle utgreiingane frå Justisdepartementet si lovavdeling, regjeringa eller Stortinget er det gjort forsøk på ei forklaring på kvifor Grunnlova skal tillate suverenitetsoverføring til EU-organ med heimel i det unnataket som ikkje er lovfesta, og som er omstridt, såkalla «litt inngripende» suverenitetsoverføringar. Eit anna spørsmål er: Ville Stortinget ha kunna gjere dagens vedtak etter § 115? I samband med Noreg sin søknad om medlemskap i EF henta Stortinget på 1960-talet inn utgreiingar frå professorane Torkel Opsahl og Johs. Andenæs. Begge konkluderte med at det i vilkåret «tilsluttet» ligg eit krav om at Noreg er representert i det internasjonale organet på like vilkår som andre statar. Det er også eit synspunkt som er klart dominerande i seinare juridisk I Arne Fliflets kommentarutgåve til Grunnlova står det ganske enkelt at § 115 berre opnar for overføring av vedtakskompetanse til organisasjonar Noreg er med i eller er i ferd med å bli medlem av. Den allmenne føresetnaden for internasjonalt samarbeid er jo at statar deltek på lik line, om enn med ulik medverknad i form av røystetal etter folketal og liknande. Det er nett denne føresetnaden EØS-avtalen kviler på – lik representasjon då alle vedtak med direkte verknad for Noreg, Island og Liechtenstein skal gjerast av organ der desse statane er fullt og likeverdig medlem – ESA, EFTA-domstolen og EØS-komiteen. Ser me på førearbeida til § 115 frå 1962, synest det klart at Stortinget då forstod ordet «tilsluttet» som eit krav om medlemskap eller Gitt denne bruken av ordet «tilsluttet» i førearbeida, må me kunne forvente at Stortinget hadde kommentert særskilt om dei meinte noko anna med det same ordet i § 115. I tillegg til ei brei semje i juridisk litteratur tilseier dei elementa at Noreg formelt må vere medlem av eller på ein annan måte vere representert på like vilkår som andre statar i luftfartsbyrået EASA for å vere tilslutta etter § 115. Altså kan ikkje Stortinget med heimel i Grunnlova § 115 overføre til EASA vedtakskompetanse med direkte verknad for Noreg så lenge Noreg berre har møte-,

Tillatelsene fra EASA vil gjelde for hele EU/EØS-området. Tillatelsene erstatter dagens ordning, der luftfarsoperatørene fra tredjeland må innhente autorisasjon fra hvert enkelt EU/EØS-land de ønsker å operere i. De får en ren sikkerhetstillatelse, det er ikke en trafikktillatelse. Den må de få fra hver enkelt stat som de ønsker å fly til. Det er ingen automatikk i at de får trafikktillatelse, selv om de har fått sikkerhetstillatelse. Når det så gjelder Grunnloven: Norge sluttet seg til EASA allerede i 2005, ved at EASA-forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen. Norge samtykket altså i 2005 til at EASA får fatte vedtak med direkte virkning for norske selskap som driver med design og konstruksjon av utstyr til flyindustrien. Det er bare gitt en håndfull sånne tillatelser, men det viser likevel at Stortinget allerede i 2005 sa seg enig i at en overnasjonal beslutningsmyndighet er fornuftig når det gjelder spesielt og strengt saklig avgrenset område, som flysikkerhet, og Grunnloven tillater det. Dette er altså en praksis som har vært gjeldende under den regjeringen som Navarsete var en del av. Den oppfatningen ble faktisk gjentatt i Prop. 27 S for 2012–2013 under den rød-grønne regjeringen da Stortinget samtykket til at en ny versjon EASA-forordning ble tatt inn i Det er litt rart at det som nå plutselig er problematisk, var helt greit da partiet til Navarsete selv styrte. Utgangspunktet nå er at en fra et flysikkerhetsfaglig perspektiv tilknyttes EASA på et område som gjør at en får en felles tilnærming i hele EU/EØS-området. Det betyr i sum at en vil kunne få økt flysikkerhet i vår verdensdel. Det mener jeg er positivt. Det gir ingen rettigheter til å fly til Norge, men det gir en sikkerhetsvurdering som gjør at det blir tryggere å fly i Europa. Det mener jeg er positivt. Dette er altså et organ som er lite inngripende, og da kan det med Stortingets samtykke til Grunnloven § 26 andre ledd vedtas ved å kreve simpelt flertall. Luftfartstilsynet vil fortsatt kunne nekte operatører tillatelse til å fly til og fra Norge med begrunnelse i markedssituasjonen. Luftfartstilsynet kan også vurdere operatørens forsikringer, og en vil kunne nekte et selskap å operere i Norge når det oppstår uforutsette sikkerhetsproblemer. Det betyr at Luftfartstilsynet har muligheter til å sanksjonere, selv om en har fått en sikkerhetstillatelse, når en lokalt mener at forholdene tilsier det. Jeg er glad for at Stortinget gjør dette vedtaket som gir oss tryggere luftfart i Europa. Det er ikke noe nytt i måten en vedtar dette på, sammenlignet med det som ble vedtatt for bare få år siden da Senterpartiet hadde samferdselsministeren. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

og fv. 32 Gimleveien–Augestadveien. I tillegg inngår næringstransporttiltak, gang- og sykkelveiutbygging og kollektivtrafikk-, bymiljø- og trafikksikkerhetstiltak. Målet for Bypakke Grenland fase 1 er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, samt at forholdene for næringslivets transporter skal forbedres. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av Bypakke Grenland fase 1. I tillegg kommer statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. Samlet økonomisk ramme for Bypakke Grenland fase 1 er på om lag 2,7 mrd. 2015-kroner. Bypakke Grenland og prosjektet rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand er omtalt i Nasjonal transportplan Bypakke Grenland fase 1 innebærer en vesentlig satsing på utvikling av kollektivtilbudet. I opplegget som ble lagt fram for lokalpolitisk behandling, er det lagt til grunn 310 mill. kr til kollektivtrafikktiltak og 310 mill. kr til drift av kollektivtransport Samferdselsdepartementet har inngått en avtale mellom staten, Telemark fylkeskommune og Porsgrunn, Skien og Siljan kommuner om 215 mill. kr i belønningsmidler for bedre kollektivtransport og redusert bilbruk i perioden 2013–2016. Med unntak av Bamble kommune er det lokal enighet om Bypakke Grenland. Bamble kommune har ikke sluttet seg til det foreslåtte bompengeopplegget for Bypakke Grenland fase Under et besøk Høyres fraksjon hadde i Telemark 18. mai ble det påpekt at rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand ikke var en naturlig del av bypakken. I det framlagte forslaget har departementet foreslått å ta denne strekningen ut av pakken og finansiere den med statlige midler. Det er en god løsning. Det er verdt å merke seg at det lokalt er foreslått at deler av bompengeinntektene skal kunne brukes til drift av kollektivtrafikken. Det ble åpnet for det Det ble åpnet for det i forbindelse med Oslopakke 3. Departementet venter med å ta stilling til dette. Bypakke Grenland fase 1 er forankret i KVU/KS1 for Grenland, og prosjektet rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand er prioritert i Nasjonal transportplan 2014–2023. Samferdselsdepartementet mener de økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn for pakken, er realistiske og anbefaler i hovedsak det lokale forslaget til utbygging og finansiering.

samferdselsområdet som kan gjera regionen meir konkurransedyktig og auka attraktiviteten til ein region som også er i vekst. Det er brei lokalpolitisk tilslutning både til sjølve bypakka og til opplegget med delvis bompengefinansiering. På finansieringssida kjem i tillegg statlege, fylkeskommunale og kommunale midlar. Transportmålet for Bypakke Grenland fase 1 er todelt ved at veksten i persontransporten skal dekkjast ved kollektivtransport, sykkel og og at forholda for næringslivets transportbehov skal verta betre. Forslaget som no er lagt fram, er forankra i ei konseptvalutgreiing med ekstern kvalitetssikring, der det er lagt til grunn at vidare utvikling av transportsystemet skal ta utgangspunkt i ei trinnvis utbygging. I denne fase 1 prioriterer ein på vegsida optimalisering av dagens transportsystem med utbygging av og fv. 32 Gimleveien–Augestadveien. I tillegg inngår næringstransporttiltak, gang- og sykkelvegbygging og kollektivtrafikk-, bymiljø- og trafikksikringstiltak. Det er venta at ei rekkje av desse tiltaka i Bypakke Grenland fase 1 vil ha ein gunstig effekt for regionen. Tiltaka vil bidra sterkt til utvikling av eit samanhengande gang- og sykkelnett, sykkelnett, jf. debatten me hadde her litt tidlegare, om sykkel. Det vil verta mykje betre framkomst for kollektivtransporten. To større vegprosjekt vil verta gjennomførte. Tiltak i Vestkorridoren vil vera viktig for at næringslivet får betre framkomst i bybandet. Samla sett vil tiltaka ha gunstig effekt på fleire målområde. samla transport- og kommunikasjonskomité som står bak innstillinga, og i fellesmerknadene er komiteen oppteken av at bompengeinnkrevjinga må vera effektiv, og at kostnadene knytte til innkrevjing og finansiering må vera så låge som mogleg. Vidare peiker komiteen på at lågare kostnader vil kunne koma bilistane til gode gjennom lågare bomtakstar eller kortare Dette er formuleringar som me frå Arbeidarpartiet også sluttar oss til, men eg beklagar at regjeringspartia, Kristeleg Folkeparti og Venstre ikkje har slutta seg til tilleggsmerknaden om at eventuelt lågare kostnader også bør kunna nyttast til å få meir veg ut av prosjektet dersom lokale myndigheiter ønskjer dette. Det skjer ofte mykje i løpet av eit slikt prosjekt, både når det gjeld tekniske løysingar, og på kostnadssida. Derfor synest me at opninga må vera der, også for å kunne få meir veg og trafikksikring ut av prosjektet dersom lokale myndigheiter ønskjer dette. Men for all del – dette er ein gledeleg dag, ikkje først og fremst fordi Stortingets transport- og kommunikasjonskomité står samla i ei sak, men heller fordi Grenland med

innebærer 2 mrd. kr i bompenger. I Aftenposten 23. mai 2013 sa nåværende samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen: «Omfanget av bompenger vil bli liten med Frp i regjering.» I løpet av 2014 er det satt to norgesrekorder i bompenger – én uoffisiell norgesrekord. Jeg våger å hevde at 2014 var det året det ble snakket – snakket – mest snakket – snakket – mest om kutt i bompenger. Det betyr svært lite for bilistene. Men det er også en offisiell norgesrekord – en offisiell norgesrekord i bompenger. Av svar på skriftlig spørsmål nr. 1 081 framgår det at en i 2014 krevde inn 8,5 mrd. kr i bompenger fra norske bilister. Det er på tide å slå fast at Fremskrittspartiet har blitt bompengepartiet. Den 12. september 2014 lovte statsråden på bloggen sin at det skulle komme «en statlig garanti». Det synes Senterpartiet er en ganske god idé, for vi synes det er feil at fylkeskommuner og kommuner må stille store garantibeløp for utbygging av samferdsel. I denne saken stiller Telemark fylkeskommune en garanti på 800 mill. kr. Men i Meld. St. 25 for 2014–2015, På rett vei, som ble behandlet her i Stortinget tidligere, står det ingenting om statlige garantier, og det legges ikke opp til det. Det er underlig. Jeg forstår at en før et valg gir løfter som en ikke greier å holde, men Fremskrittspartiet har altså ikke greid å stoppe med løftene, selv om valget er over. Og det er ganske stor forskjell på å skrive noe på en blogg og å sørge for at det blir gjeldende politikk. Det er vedtatt politikk som betyr noe, ikke store ord i det offentlige rom.

merknader og en utfordring til statsråden. Det ene er at i denne pakken ligger det inne en bilbegrensning. Det er vesentlig hvis vi skal nå målet som Stortinget har vedtatt om at all vekst i persontrafikken i de største byområdene – Grenlandsområdet er ett av dem – skal komme gjennom kollektiv, sykkel og gange. Derfor er det bra at det ligger inne som en betingelse på belønningsordningen, men jeg stusser når driftsmidler til kollektiv er noe som ikke imøtekommes i avtalen her, men er noe departementet senere skal ta stilling til. Det hadde vært veldig bra å få en nærmere utgreiing om hvorfor ikke statsråden allerede ved framleggelsen av saken for Stortinget vil gå inn for å si at dette er viktig og ved framleggelsen av saken for Stortinget vil gå inn for å si at dette er viktig og riktig å gjøre. Jeg vil fra min side si at jeg mener at en av de tingene som har gjort Oslopakken og den satsingen vi har hatt i Oslo, til en suksess, er at vi har kunnet si: Ja, det er faktisk sånn at innbyggerne som velger å reise kollektivt, får et bedre tilbud gjennom satsingen som her ligger. ligger. Det er med på å gi gode gulrøtter for å få folk til å gå fra å kjøre bil til å velge kollektivt istedenfor. Det er en av de tingene som opprinnelig ga en nedgang i trafikken gjennom bompengesnittet, som Jegstad var innom i en tidligere debatt, men som vi nå dessverre ser ikke er kraftfullt nok, fordi det er lite grann på vei oppover igjen, fra den store nedgangen som vi hadde. Jeg mener å huske at det var 8 pst. ned i begynnelsen, og at det gikk opp igjen nå, og Jegstad nevnte tallet Det sa jeg at vi får ta en diskusjon på i Osloregionen. Men poenget mitt er bare å understreke at kollektivsatsing og det å ha inne driftsmidler til kollektiv faktisk er avgjørende for å lykkes hvis man skal ha bilbegrensning inne som et virkemiddel, og det skal vi ha. Det vil befolkningen i Grenland, det vil politikerne i Grenland, og det sier vi her på Stortinget ja til, og da må det følges opp. Fra min side vil jeg bare si vi synes det er riktig å bruke penger på drift av kollektivtransport. Vi vil samtidig understreke at det er viktig å se på det vi har fått belyst i media på nytt i dag, nemlig at redusert parkering i byene er et effektivt tiltak for å få flere mennesker til å velge kollektivt, og det er også et effektivt tiltak for å frigjøre plass til sykkel og på den måten slå to fluer i én smekk. En siste kommentar helt til slutt: Jeg merker meg at regjeringen inviterer oss og Stortinget med på å gjøre vedtak om å redusere beregningsrenten dersom lokalpolitikerne ønsker det. På den måten får man en lavere takst gjennom bompengene, men man betaler som bilist mer penger samlet sett,

av kommunene i Porsgrunn, Skien og Siljan. Bamble har valgt å stå utenfor. Målsettingen er å gjøre Grenlandsområdet mer attraktivt, både for dem som bor der, og for næringslivet, og skape bedre framkommelighet, bedre lokalmiljø, økt trafikksikkerhet og rett og slett en bedre hverdag for dem som ferdes og bor i området. Jeg er stolt over det arbeidet som har blitt gjort. Det viser et godt kompromiss mellom regjeringspartiene, der vi får på plass mye vei, men vi gjør det med mindre bompenger enn det som var lagt til grunn. I opplegget som var utarbeidet opprinnelig, var det lagt til grunn 16 bomstasjoner. Nå blir det 13. Én av veiene som hovedsakelig var planlagt bompengefinansiert, får nå et statlig ekstrabidrag på 310 mill. kr, og det gjør at en fullfinansierer det statlig. Pakken har en økonomisk ramme på 2 670

Det betyr at en sannsynligvis vil kunne betale ned denne gjelden raskere enn en har lagt til grunn. Da kan en også fjerne bompengene tilsvarende raskere. Det er viktig at prosjektene har en porteføljestyring der mål- og resultatstyring er en viktig del. Det innebærer at prosjekt og tiltak prioriteres på bakgrunn av kriteriene mål, resultat, samfunnsøkonomi, planstatus, disponible midler, kapasitet til planlegging og gjennomføring. gjennomføring. Omfanget av utbyggingen må være tilpasset den økonomiske rammen. Dette er et prosjekt som gjør at en får på plass bedre samferdselsløsninger i byområdet. Det vil være en diskusjon om bompenger. Jeg konstaterer at noen av dem som selv aldri har løftet en finger for å redusere bompengene, er misfornøyde fordi Fremskrittspartiet ikke har fått fjernet mer bompenger. Da er alle velkomne til å stemme for å øke de statlige andelene ytterligere. Jeg har ikke registrert noen sånne forslag. Det som jeg derimot registrerte, var at Senterpartiet var imot at vi skulle øke statlige bidrag til bomprosjekt for å redusere takster da vi behandlet bompengereformen på mandag. Da framstår det som en smule hult og litt overfladisk populistisk når man i denne debatten påpeker at bompengene ikke blir redusert tilstrekkelig. Men dagens regjering gjør en forskjell: Det bygges mer vei enn det som var planlagt av forrige regjering, det er lavere bompengeandel enn det som det var lagt opp til, og det er jeg veldig fornøyd med. Så er det opp til velgerne å avgjøre om de vil ha enda mer av det ved neste valg, eller om de er fornøyde med utviklingen. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. La meg aller først starte med å takke komiteen for rask behandling, for det er

trafikksikring osv. En får utbedret to riksveier som er særdeles uhensiktsmessige sånn som de framstår i dag. Når en utbedrer planovergangen på fv. 32 og krysset der, fjernes kanskje Norges verste kryss, og det må være bra. Jeg skal ikke si jeg er misfornøyd med Fremskrittspartiet, jeg er kjempegodt fornøyd med Fremskrittspartiet, og nå burde statsråden høre etter:

selv om Fremskrittspartiet i regjering nå er veldig for det. Det synes jeg er litt synd og viser manglende konsistens, at en fortsatt driver den type retorikk. I sum er dette et bra prosjekt. Det er et viktig prosjekt, hvor en bygger opp under gang- og sykkelvei og får løst flaskehalser som direkte har negative konsekvenser, ikke minst for næringstrafikken i området. Det er bra at det blir litt mindre bompenger og litt mer statlig finansering. Hvorvidt det er bra med 16 eller 13 innkrevingspunkter, synes jeg ikke har så veldig stor relevans. I realiteten betyr en reduksjon fra 16 til 13 at noen færre må betale noe mer, men jeg aksepterer det fordi dette er et viktig prosjekt for Grenland, og det er en god dag når det er gjennomført. Dette er ein gledeleg dag for mange innbyggjarar og for næringslivet i Telemark. I over 20 år er det blitt arbeidd med planar for å løyse trafikale problem i og rundt byane Skien og Porsgrunn og innfartsvegane inn til byane. Det er ikkje kvardagskost at ein statssekretær frå Framstegspartiet får blomar og takk frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet, men det skjedde då dåverande statssekretær Hoksrud heldt pressekonferanse i Skien 29. mai om bypakka. Lilleelvkrysset er berykta, og mange meiner det er Nord-Europas vanskelegaste kryss, òg kalla for «infarktet». Krysset inkluderer bl.a. ein jernbaneovergang som endeleg får ei ny løysing ved at delar av traseen blir lagde under bakken i ein miljøtunnel. I 50 år har Porsgrunn venta på eit betre trafikksystem. Dette er eit prosjekt der kommunane Skien, Porsgrunn og Siljan saman med fylkeskommune og stat, og ikkje minst bilistane, tek eit krafttak for betre veg og kollektivløysingar i Grenland. Eg registrerer at ikkje alle samtykkjer til finansiering av Bypakke Grenland med bompengar. Det er òg eit ønske at ein gjennom desse samferdselstiltaka kan styrkje Grenland som ein attraktiv og konkurransedyktig region. Grenland skal bli ein betre stad å bu og arbeide i.